et representantforslag. På vegner av meg sjølv ønskjer eg å fremje eit representantforslag «om umiddelbar frys av Sandberg-instruksen, som, i strid med Stortingets ønske, åpner for overføring av fiskekvoter». Eg ber om at saka blir behandla etter forretningsordenens § 39 c. Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

vedtatt. Stortinget behandler i dag Meld. St. 16 for 2015–2016, Fra utenforskap til ny sjanse – samordnet innsats for voksnes læring. Jeg vil takke komiteen for et godt samarbeid i arbeidet med meldinga. Målet med meldinga er å utvikle en samordnet og helhetlig politikk for voksne med lite utdanning, svake grunnleggende ferdigheter eller ikke godkjent kompetanse. En peker på at det er en klar sammenheng mellom grunnleggende ferdigheter og deltakelse i arbeidslivet. Mange av dem som har svake leseferdigheter eller lav kompetanse, står nettopp utenfor arbeidslivet. Samtidig vet vi at framtidas arbeidsliv stiller høyere krav til kompetanse. De fleste må omstille seg, skifte jobb og stadig oppdatere egen kunnskap og egne ferdigheter. Derfor er det en viktig målsetting å ha gode systemer for å øke den samlede kompetansen i den voksne befolkningen. Voksne er i en annen situasjon enn barn og unge i det ordinære utdanningsløpet, og vi trenger mer fleksible tilbud der arbeid og opplæring kombineres. Asylsøkere og flyktninger kan være en ressurs for samfunnet. Forutsetningen er gode språkkunnskaper og grunnleggende kjennskap til det norske samfunnet. For å sette flest mulig i stand til å ta arbeid og bli godt integrert er det nødvendig å forsterke og gjøre tilbudet til innvandrere og asylsøkere mer effektivt. Arbeiderpartiet er glad for at komiteen peker på behovet for rask kartlegging av innvandreres kompetanse, riktig kvalifisering og opplæring som er tilpasset den enkeltes behov. Meldinga bærer preg av at det var på høy tid med en stortingsmelding om livslang læring. Den rydder opp i flere forhold som det er stort behov for i sektoren. Det gjelder særlig mulighetene som finnes for opplæring for voksne med svake grunnleggende ferdigheter, og bedre tilgang til videregående opplæring for voksne. Eksempler på saker det er stor enighet om, er kartleggingsverktøy for grunnleggende ferdigheter, styrking av systemet for godkjenning av utenlandsk fagutdanning, at det gis mulighet for realkompetansevurdering på andre språk enn norsk, fagbrev på jobb og at det legges opp til en bedre og mer fleksibel tilgang til videregående opplæring. Det mest positive med meldinga er den samordningen man har kommet i gang med mellom ulike departementer i arbeidet på dette feltet, og at man sier at livslang læring må ses i sammenheng. Hvis vi skal være ærlige, er det ikke stor politisk strid om denne meldinga. En viktig årsak til det er at mye i meldinga er lite konkret og heller ikke veldig offensivt. I likhet med flere høringsinstanser mener Arbeiderpartiet at mange av forslagene i meldinga er lite konkretisert. Det gjør det vanskelig å ha bastante meninger om mye av det som skrives. Konkretiseringen av forslagene vil derfor ha mye å si for hvordan både sektoren og partiene i denne salen vil stille seg til tiltakene. Regjeringa sier jo på en rekke punkter at de skal ta stilling til ulike sider ved flere av forslagene når de utarbeider forskriftene. Derfor vil regjeringas oppfølging og konkretisering av meldinga være viktig. Et eksempel på det er at Arbeiderpartiet har en del bekymringer for hvilken retning modulisering av videregående opplæring vil ta. og et mer fleksibelt tilbud er bra, men det er verdt å lytte til bl.a. LOs bekymring, at her må vi være på vakt for at det ikke åpnes for at arbeidsgivere ber sine arbeidstakere ta kun enkeltmoduler eller deler av en utdanning, slik at vi får A- og B-utdanninger. Det må fortsatt være et krav at målet med videregående opplæring skal være sluttkompetanse, altså fagbrev, svennebrev eller studiekompetanse.

I dagens og framtidas arbeidsliv vil alle ha behov for jevnlig å oppdatere egen kunnskap og kompetanse. Voksnes læring gjelder ikke og bør ikke være forbeholdt dem som kan karakteriseres som marginaliserte grupper på arbeidsmarkedet, eller voksne med svake grunnleggende ferdigheter. Vi trenger en helhetstenking på dette området. Det er en historisk stortingsmelding vi i dag behandler. Denne meldingen er

området. Det er en historisk stortingsmelding vi i dag behandler. Denne meldingen er nemlig den første i sitt slag hvor regjeringen har samordnet en helhetlig politikk for voksne med lite utdanning, svake grunnleggende ferdigheter eller ikke godkjent kompetanse. Mange av disse utfordringene går på tvers av

Dette tilsvarer om lag 20 pst. av gruppen. Rundt 400 000 personer, eller om lag 12 pst. av norske voksne, har svake leseferdigheter, ifølge den internasjonale undersøkelsen av lese- og tallforståelse, altså PIAAC. Mange av disse står utenfor eller har svak tilknytning til arbeidslivet. Framtidens arbeidsliv stiller og de fleste vil måtte forvente å omstille seg, skifte jobb og hyppigere oppdatere egen kunnskap og egne ferdigheter. En politikk for læring gjennom hele livet må derfor favne bredt, involvere helheten i det offentlige tjenesteapparatet og inkludere arbeidsliv og frivillig sektor i arbeidet. Høyre ser derfor nå fram til at det skal bli enklere for voksne å få opplæring mens de er i jobb, og at relevant opplæring gjøres tilgjengelig på flere arenaer. Mange voksne har behov for å kombinere utdanning med arbeid og andre forpliktelser, noe som gjør at opplæring for voksne må være mer fleksibel og mer tilpasset voksnes liv. Også flyktninger skal få et bedre norskopplæringstilbud og større muligheter til å ta utdanning samtidig som de lærer språket. Mange flyktninger og innvandrere har behov for norskopplæring og annen kvalifisering for å få seg arbeid. Til nå har det vært vanskelig å kombinere norskopplæringen med deltakelse i grunnskole eller videregående opplæring. Norge har et ansvar for at asylsøkere og flyktninger som får opphold, settes i stand til å delta i arbeidsmarkedet, for å sikre en god integrering og ta i bruk ressursene innvandrerne tar med seg. Høyre mener det er avgjørende med en effektiv kartlegging av kompetansen innvandrerne har, gi kvalifisering hvor dette er mulig, og ikke minst sikre riktig opplæring. Vi ser derfor også fram til at regjeringen vil igangsette forsøk med forberedende voksenopplæring i form av modulstrukturert opplæring på grunnskolenivå, og utvikle læreplaner for forsøkene som er bedre tilpasset voksnes behov, også for voksne innvandrere. Tilsvarende forsøk skal også gjøres for voksne i lærefag og vil komme inn for utvalgte yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

at sluttkompetansen er av samme kvalitet som ved ordinært utdanningsløp til fagbrev. Dette vil bidra til økt fleksibilitet, noe som ivaretar målgruppen for tilbudet bedre, og kan være et viktig virkemiddel for at flere kan fullføre og bestå videregående opplæring. Det blir viktig at tilbudet gis på flere arenaer, sånn at det er tilgjengelig for flest mulig. Til slutt: Frivillige organisasjoner og studieforbundene er også viktige som tilbud for opplæring av voksne, og kan med ulike innretninger være et viktig supplement for å sikre grunnleggende ferdigheter og for inkludering, også av innvandrere. innvandrere. Først vil jeg takke saksordføreren for godt samarbeid i denne saken. Fremskrittspartiet er glad for at det nå kommer en melding om samordnet innsats for voksnes læring. Dette er noe Fremskrittspartiet har etterlyst i mange år. Denne meldingen er den første i sitt slag der en regjering har utviklet en samordnet og helhetlig politikk for voksne med liten utdanning, svake grunnleggende ferdigheter eller ikke godkjent kompetanse. Vi mener at alle mennesker har et potensial i seg til å bli bedre. Verden utvikler seg, samfunnet utvikler seg, nye krav og behov skapes. Det gjør at kompetanseutvikling og livslang læring er enda viktigere i dag enn det var før. Fremskrittspartiet vil derfor understreke viktigheten av satsing på voksnes læring for alle grupper i samfunnet. Fremskrittspartiet er glad for at betydningen av tverrsektorielt samarbeid understrekes, og at samarbeid med næringslivet vektlegges. Vi ser fram til at det skal bli enklere for voksne å få opplæring mens de er i jobb, og at relevant opplæring gjøres tilgjengelig på flere arenaer. Meldingen har tre hovedsatsingsområder som til sammen vil skape bedre tilgang til opplæring for voksne og et bedre grunnlag for samarbeid mellom utdannings-, integrerings- og arbeidsmarkedsmyndighetene: bedre opplæring for voksne med svake grunnleggende ferdigheter bedre muligheter for videregående opplæring bedre kvalitet i de særskilte innvandrere Det er behov for en mer fleksibel og individorientert opplæring for voksne som kan gi raskere overgang til arbeid og/eller videregående opplæring. Blant annet settes det i gang forsøk med forberedende voksenopplæring gjennom modulstrukturert opplæring på grunnskolenivå og Blant voksne mellom 25 og 66 år er det rundt 560 000 personer som har grunnskole som høyeste fullførte utdanning. Videregående opplæring, spesielt fag- og yrkesopplæring, øker mulighetene for å få et stabilt fotfeste i arbeidslivet. Opplæring av en viss varighet som kan gi formell kompetanse, gir også god effekt på overgangen til arbeid for arbeidssøkere og Fremskrittspartiet er derfor glad for at regjeringen vil utvide retten til videregående opplæring. Kompetansenivået og behovet for opplæring varierer betydelig blant personer med innvandrerbakgrunn. En stor andel innvandrere har lav utdanning og svake grunnleggende ferdigheter. I tillegg har de behov for norskopplæring. På dette området må det gjennomføres tiltak som gir deltakerne bedre mulighet til å skaffe seg kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet, bl.a. gjennom å øke arbeidsrettingen. Fremskrittspartiet vil understreke betydningen av at flere får mulighet til opplæring i kombinasjon med arbeid, og er fornøyd med at regjeringen vil etablere en ordning med fagbrev på jobb i samarbeid med partene i arbeidslivet som en alternativ vei til fag- og svennebrev. Fremskrittspartiet vil også peke på at det er varslet endringer i opplæringsloven som gjør praksisbrevet til en formell mulighet innenfor videregående opplæring, og som pålegger alle fylkeskommuner å ha tilbud om opplæring med sikte på praksisbrev. Fremskrittspartiet har merket seg at regjeringen i den varslede meldingen om integrering vil vurdere innretningen på introduksjonsprogrammet. Dette er i dag en ordning med sterkt varierende kvalitet, og Fremskrittspartiet er glad for at man har et mål om å forbedre denne. denne. Norge har manglet en sentral godkjenning for utenlandsk fagopplæring og fagskoleutdanning, noe som har gjort det vanskeligere å få asylsøkere og arbeidsinnvandrere raskt inn i arbeidslivet. Fremskrittspartiet støtter at det etableres nasjonale godkjenningsordninger for disse feltene, og mener det er naturlig at NOKUT har ansvaret for en slik ordning. Til slutt vil Fremskrittspartiet understreke det særlige ansvaret Norge har for små og verneverdige håndverksfag. Voksne elever uten rett til videregående opplæring utgjør en avgjørende viktig elevgruppe for skoler som tilbyr dette. Fremskrittspartiet viser til at regjeringen arbeider med en endring av tilbudsstrukturen på yrkesfag, og er glad for at rekruttering til de små og verneverdige håndverksfagene blir Fremskrittspartiet håper regjeringen vil vurdere å likestille voksne som søker inntak til små og verneverdige fag, med søkere med ungdomsrett, og at man ser nærmere på hvordan friskoleloven bedre kan ivareta de friskolene som tilbyr slike fag.
viktig stortingsmelding fordi den belyser en alvorlig samfunnsutfordring, nemlig voksne som ender i utenforskap fordi de har for lite utdanning, for svake grunnleggende ferdigheter eller ikke godkjent kompetanse. Det er på mange måter også en god melding, i den forstand at regjeringen varsler en rekke gode og fornuftige tiltak som det er lett å være enig i. Men dette er en stortingsmelding som har vært varslet lenge, og som det har vært knyttet svært høye forventninger til, og jeg må nok si at selv om mye er bra, er jeg også litt skuffet, for jeg opplever det ikke som en melding som tar for seg voksnes læring i bred forstand, noe som også framgår av departementets avgrensninger i meldingen. Men når vi ser på de forslagene og de tiltakene som ligger i meldingen, er det altså mye som er bra. Jeg synes det er flott at regjeringen vil sette i gang forsøk med forberedende voksenopplæring i form av modulstrukturert opplæring på grunnskolenivå. Jeg tror dette vil gjøre det enklere for mange å tilegne seg den kompetansen de har behov for. Jeg er glad for at regjeringen vil vurdere å endre opplæringsloven slik at voksne som har gjennomført videregående opplæring i utlandet, men ikke fått denne anerkjent i Norge, skal få rett til videregående opplæring. Jeg mener at det også bør gjelde for dem som ikke har oppnådd en godkjent sluttkompetanse i Norge. Norge. Det er positivt at regjeringen vil etablere en ordning med fagbrev på jobb i samarbeid med partene i arbeidslivet. Jeg tror det kan være en god alternativ vei til fag- eller svennebrev for enkelte. Så er det én problemstilling som mange av oss har vært opptatt av lenge, som endelig får en løsning, og det er forholdet mellom ungdomsrett og voksenrett. Det har vært et problem at mange har brukt opp ungdomsretten sin og vært nødt til å vente i flere år før de har kunnet fortsette skolegangen. I mellomtiden kan ting ha endret seg. Noen har kanskje fått familie og er i en helt annen livssituasjon enn det de var tidligere, og både muligheten og motivasjonen til å gå tilbake til skolebenken kan ha blitt svekket. Derfor er det flott at regjeringen nå foreslår at ungdomsretten til videregående opplæring skal gå rett over i voksenretten. Hvis jeg skal si litt om hva jeg savner i denne

Norge. Mange av organisasjonene som tilbyr kurs og studier, har en helt annen mulighet til å nå ut til mennesker som lever i det vi kaller utenforskap, enn det de mer formelle delene av utdanningssystemet har. Derfor er ikke frivilligheten bare viktig i et kompetanseperspektiv, men også i et integrerings- og inkluderingsperspektiv. Og jeg tror at det å bli en del av en frivillig organisasjon og delta på et kurs gjennom et studieforbund både kan bidra med verdifull kompetanse og samtidig være en svært god inngangsport til det norske samfunnet. For utenforskap handler ikke bare om å være utenfor arbeidslivet, det handler også om samfunnsdeltakelse. I meldingen blir studieforbundene nevnt, men de blir i grunnen bare nevnt. Regjeringen viser ingen ambisjoner med hensyn til hvordan de ønsker å legge til rette for at studieforbundene og de frivillige organisasjonene skal kunne bidra mer aktivt enn de gjør i dag. Men de frivillige organisasjonene er klare, de er framoverlente og offensive, og vi gjør en stor feil hvis vi overser dem i dette arbeidet. Folkehøyskolene er ikke nevnt i det hele tatt, men også folkehøyskolene kan ha mye å bidra med når det gjelder utenforskap og voksnes læring. Personlig modning, utvikling av selvverd og mestringsforventning, sosial læring og forberedelse til utdanning er ifølge forskningsprosjektet «Elevers utbytte av folkehøgskolen» det viktigste utbyttet elevene får av å velge et år på folkehøyskole. Jeg håper at Kunnskapsdepartementet vil følge opp den dialogen som er opprettet mellom dem, Folkehøgskolerådet og IMDi om hvordan folkehøyskolen kan bidra i integreringsarbeidet blant unge mennesker som kommer til Norge som flyktninger. Vi vet at utdanning er

Dette er det viktig at vi gjør noe med. Derfor er det flere av oss som nok gjerne hadde sett at meldinga hadde vært noe bredere og også tatt inn over seg arbeidslivets økende behov for oppdatering av kunnskap gjennom etter- og videreutdanning. Denne meldinga tar opp særlig tre problemstillinger. Først til behovet for å gi bedre kvalitet i de spesielle tilbudene til innvandrere: Kompetansenivået og behovet for opplæring vil være ulikt blant personer med innvandrerbakgrunn. Innvandrere er overrepresentert blant personer med lang høyere utdanning. Samtidig har en større andel innvandrere lav utdanning og svake grunnleggende ferdigheter sammenlignet med resten av befolkningen. Innvandrere vil ha mange av de samme behovene for opplæring som andre voksne. Mange har i tillegg behov for norskopplæring, og en del har behov for arbeidsrettede tiltak. Det er en utfordring at mange som har utdanning fra utlandet, har problemer med å få den godkjent i Norge.

regjeringa kuttet i antallet timer norskopplæring de senere årene. Dette er ikke et tiltak i tråd med hva vi mener burde være en fornuftig tilnærming til å få asylsøkere raskere ut i jobb. Så til forslaget om opplæring for voksne med svake grunnleggende ferdigheter: Som det er nevnt tidligere, er det blant voksne mellom 25 og 66 år rundt 560 000 personer som har grunnskole som høyeste fullførte utdanning. Det er et faktum at det ikke blir lettere å få varig jobb framover dersom en ikke har mer enn ungdomsskolen. Det kan lett føre til utenforskap, noe som ikke vil være positivt verken for enkeltmennesket eller for samfunnet for øvrig. I forslaget foreslås det å endre opplæringsloven slik at ungdomsretten til videregående opplæring går direkte over i voksenretten. Jeg har lyst til å minne forsamlingen om at dette forslaget stemte de samme partiene som nå foreslår det, imot i fjor

Jeg viser til begrunnelsen for dette forslaget i innlegget jeg holdt i denne saken i fjor – som jeg regner med at forsamlingen husker – og erfaringer som Oppland fylkeskommune har gjort ved å ha et slikt tilbud i flere år. I meldinga er det satset på såkalt modulbasert opplæring. Det kan være et godt grep, siden mange voksne som er i arbeid, vil kunne ha lettere for å følge undervisningen dersom den kan kombineres med jobb eller omsorgsarbeid.

I den sammenhengen har jeg lyst til å gjøre komiteen oppmerksom på noe vi ikke har bemerket som komité. Det handler om at studietilsynsforskriften ikke må bli håndtert så rigid at voksenopplæring utover grunnskolenivå ikke lenger kan tilbys gjennom studieforbundene. Universitetene og høyskolene reguleres bl.a. gjennom denne forskriften, og jeg vil be statsråden se nærmere på kravene i denne i dialog med studieforbundene. Så er jeg veldig glad for at en samlet komité har valgt å nevne små og studieforbundene. Så er jeg veldig glad for at en samlet komité har valgt å nevne små og verneverdige fag spesielt. Det er antakeligvis flere enn meg som har fått henvendelser fra Østfold Møbelsnekkerskole, Hjerleid på Dovre og andre små tilbydere av små fag. Det er på tide at vi løser utfordringene for disse, og jeg beklager at statsråden denne uka sendte brev til Østfold Møbelsnekkerskole med avslag på søknaden om å få starte Jeg synes det er veldig uheldig, og mener det ikke er i tråd med føringer Stortinget har lagt for små og verneverdige fag. verneverdige fag. I denne debatten synes jeg det er verdt å minne om at vi i Norge har en høy yrkesdeltagelse, og det er høy kompetanse i befolkningen. Vi vet at det er sammenheng mellom ferdigheter og deltagelse i arbeidslivet. Derfor er det godt at vi har en høyt utdannet befolkning, og ikke minst er det bra fordi det yrkeslivet vi har, og det vi skal se framover, krever høy kompetanse, det krever evne til å omstille seg og til å lære nye ting gjennom hele yrkeslivet. Derfor synes jeg, i likhet med flere andre, at det var litt synd at denne meldingen hadde et såpass snevert utgangspunkt at den ikke tok for seg voksnes læring i et større perspektiv. Ikke minst kan vi se det nå, i den situasjonen vi står overfor, med økende arbeidsledighet flere steder i landet, der folk med høy kompetanse og for så vidt lang utdannelse er nødt til å omskolere seg, lære nye ting, se på nye muligheter i yrkeslivet. Så læring handler ikke bare om de som har lav formell utdannelse; det handler om læring for hele den voksne befolkningen gjennom hele livet.

og i arbeidet med sosialisering og kompetanseheving blant voksne. Det som skjer av opplæring i regi av frivilligheten, og det som skjer av formell utdanning, kan ikke stå i motsetning til hverandre, for det ene har betydning for det andre. I behandlingen av statsbudsjettet for 2016 ble regjeringen pålagt med tanke på å jobbe sammen med dem for å se hvordan studieforbundene kan nå nye grupper, og hvordan de kan øke aktiviteten blant innvandrere for å fremme integrering. Jeg håper vi får høre mer om det framover. Vi ser veldig fram til det arbeidet som skal gjøres der, for vi har tro på at frivillig sektor og studieforbundene kan bidra her. Så synes jeg også det er viktig at vi ser på kompetanse som noe mer enn bare studiepoeng – og den formelle kompetansen. Det å kunne noe er verdt noe i seg selv, enten det er brodering, eller det er den mer formelle kompetansen som en får på universiteter og høyskoler. Det samme gjelder folkehøyskolene, som ikke omtales i det hele tatt i meldingen. Jeg har ennå til gode å møte noen som har gått på folkehøyskole, som sier at det var et fullstendig bortkastet år – de aller fleste sitter igjen, etter et år på folkehøyskole, med mye verdifullt. Én ting er modningsprosessen, det at man trenger et år for å finne ut hvem man er, og hva man vil gjøre, men det at vi har et helt spekter av folkehøyskoler – noen fokuserer på at de skal motivere til videre utdanning, noen fokuserer på kompetanse på ett spesielt område, enten det måtte være kreativitet eller hva det måtte være – gjør at det er store muligheter til å utnytte den den delen av utdanningssektoren som folkehøyskolene utgjør, ikke minst med tanke på integrering. De sto kanskje først i køen da Norge opplevde en kraftig økning i antallet flyktninger som kom, og sa: Vi er her, vi kan bidra, bruk oss! Vi kan ikke la være å bruke det gode tilbudet som ligger der. I likhet med mange andre er vi veldig glad for at ungdomsretten skal gå viktig bidrag til å få en litt mer smidig overgang og ikke stoppe opp utdanningen til folk når de er motivert for det. Litt om dem som kommer fra utlandet og har tatt en utdannelse der: Vi kan heller ikke gå glipp av verdifull kompetanse fordi vi ikke klarer å godkjenne den utdannelsen; vi er nødt til å ta inn over oss at også andre land kan utdanne godt, og at disse skal kunne fortsette på den utdannelsen i Norge. Helt til slutt vil jeg, i likhet med Anne Tingelstad Wøien, ta opp dette med de små og verneverdige fagene. Vi har en utfordring der. Vi ser at flere av dem som tilbyr de fagene, føler at de ikke har nok elevgrunnlag, og at de er nødt til å legge ned. Ett viktig bidrag kan være å gjøre det som komiteen enstemmig foreslår: å likestille voksne søkere og søkere med ungdomsrett.

ungdomsrett. Det er viktig og bra at det kommer en melding om voksnes læring. Det vil jeg gi statsråden honnør for. Det er et stort behov for at dette temaet blir satt på Stortingets dagsorden. Det er et godt initiativ. Samtidig tror jeg det er klokt av regjeringen å ta med seg de tydelige merknadene som kommer fra et flertall i komiteen, på tre punkter. Det ene er at vi er misfornøyd med at perspektivet i meldingen blir for smalt. Skal vi snakke om voksnes læring, kan vi ikke kun være opptatt av læring for de voksne som befinner seg i en marginalisert posisjon – de som står i fare for å

mulighet til å lære noe nytt og til å kvalifisere seg til et arbeidsliv som vil være i stadig raskere endring. På det området er meldingen for smal, og den er også for lite konkret. Det er selvfølgelig en vanlig kritikk mot stortingsmeldinger. Men likevel er det riktig å påpeke det, mener jeg, for skal vi komme noen vei, må vi inn i de konkrete forslagene. Flertallet i komiteen har påpekt to ting til. Det ene er det som handler om frivillige organisasjoners og studieforbunds rolle og vårt behov for å understreke det i større grad enn det som går fram av meldingen. Jeg vil også understreke det, i likhet med representanten Nybø. Så har jeg lyst til å bruke litt tid på Det er bemerkelsesverdig at en melding som dette ikke omtaler folkehøyskolenes plass og rolle i utdanningssystemet. Jeg mener det ville vært åpenbart naturlig når vi diskuterer voksnes læring og innsatsen for at så mange som mulig skal klare å fullføre nyttige utdanningsløp. Vi vet at folkehøyskoler kan spille en avgjørende rolle i mange unge menneskers liv. De gir kunnskap, kompetanse og livserfaring, som er verdifullt i seg selv, men som også setter flere i stand til å fullføre øvrig utdanning. Som vi har påpekt i innstillingen, går dette også fram av forskning. Det gir et stort utbytte for elevene å delta på Det gir et stort utbytte for elevene å delta på folkehøyskoler. Derfor bør det også være en del av vår strategi for å fremme læring for voksne. Den manglende plassen folkehøyskolene har fått i denne meldingen, kan også ses i sammenheng med det som går fram av revidert nasjonalbudsjett, der regjeringen nå har varslet at den vil komme med en utvidelse av studiestøtten. Det er veldig bra, men vi er bekymret for folkehøyskolestudentenes kår når regjeringen legger opp til å forskjellsbehandle dem og deres tilgang til studiestøtte. Det er vanskelig å forstå at de som går på folkehøyskole, ikke skal få være med på denne økningen. Regjeringens begrunnelse er at det er en eksamensfri utdanning, men skoleåret er like langt. Folkehøyskolene har i dag 198 skoledager, sånn som andre utdanningsløp i Norge. Jeg synes vi i denne perioden har sett en regjering som ikke er spesielt opptatt av folkehøyskolene. Vi hadde et folkehøyskoleopprør her utenfor huset for et par år Vi har den manglende oppmerksomheten om feltet i denne meldingen, og vi har en omlegging av studiestøtten som rammer disse studentene veldig direkte. Min oppfordring til statsråden er at han tar med seg de merknadene som kommer fra et flertall når det gjelder folkehøyskolene, når det gjelder studieforbundene, og når det gjelder behovet for et bredere perspektiv enn det som er lagt fram i meldingen. Jeg er enig i at vi må gjøre mer enn dette. Jeg mener at det selvfølgelig er, som representanten Lysbakken understreket, helt avgjørende med kompetanse for dem som er utenfor arbeidslivet, i utenforskap. Men jeg er enig i diagnosen at vi også kommer til å ha behov for et helt annet kompetansepolitisk regime og for oppmerksomhet i ikke bare årene som kommer, men i tiårene som kommer. Det er derfor vi jobber med en kompetansepolitisk strategi, som bl.a. saksordføreren nevnte, som blir viktig, hvor partene i arbeidslivet involveres veldig tett, og det er derfor vi også i disse dager sender på høring arbeidet fra Karriereveiledningsutvalget som er satt ned, som ser på både karriereveiledning og rådgivning, for det er ting vi også må følge opp. Men det denne meldingen allikevel gjør, er for det første å gå rett til kjernen av en viktig problemstilling, nemlig ikke bare hva slags system man skal ha for å sikre livsopphold for dem som er utenfor, men hvordan vi kan lage et utdanningssystem, et kunnskapssystem og et velferdssystem som gjør det lettere for folk å komme tilbake i arbeidslivet. Så griper den også direkte fatt i en problemstilling som jeg tror at i hvert fall de som har vært statsråder, kjenner til, nemlig at vår velferdsstat er stor, og det er ikke alltid staten er like god til å koordinere seg selv. Det er lett å tenke at staten er en enhetlig monolittisk størrelse, det er den altså ikke. Det er forskjellige systemer, forskjellige ordninger, som ikke ikke alltid henger like godt sammen. Det denne meldingen gjør, er å lage en helhetlig strategi, og det er viktig. Det har vært et stort og krevende arbeid på tvers av flere sektorer. Det er Kunnskapsdepartementet som har koordinert arbeidet, men løsningene her knytter seg i aller høyeste grad også til viktige områder som integrering og arbeid, med de tilhørende departementene. Målet er at vi skal få flere til å lykkes i arbeidslivet, åpne flere dører og ha mer smidige overganger mellom forskjellige deler av velferdssystemet vårt. Det er nødvendig bl.a. fordi andelen eldre øker, fordi vi vet at vi har mange mennesker utenfor arbeidslivet, og fordi mange av dem som står utenfor arbeidslivet, og mange av dem som kanskje også mister jobben, sliter med grunnleggende ferdigheter. Det er tre hovedting vi gjør i denne meldingen, som vi har oppmerksomhet rundt: Det første er bedre opplæring for voksne med svake grunnleggende ferdigheter, opplæring som er bedre tilpasset den enkelte, at vi setter i gang utviklingen av et kartleggingsverktøy for grunnleggende ferdigheter som kan benyttes på tvers av sektorene – det gjør at f.eks. en person som kommer til Nav, også vil ha tilgang til et verktøy som gjør at Nav kan finne et bedre tilbud enn de kanskje klarer i dag forsøk med forberedende voksenopplæring, dvs. modulstrukturert opplæring på grunnskolenivå, som skal være bedre tilpasset voksne og voksne med et annet morsmål enn norsk, og også muligheten til å få kurs i grunnleggende ferdigheter i regi av Nav, altså kompetanseheving som også gjør at man får brukt det formelle utdanningssystemet. Det andre er bedre muligheter til videregående opplæring. Vi foreslår, som det har vært nevnt, at ungdomsretten går direkte over i voksenretten. Det er et hull som det var på tide å tette. Vi foreslår å etablere en ny vei til fag- og svennebrev for voksne som gir mulighet til å kombinere opplæring med arbeid og inntekt – det er viktig. Det er nok ikke noe som involverer titusenvis av mennesker, men det har vært vellykkede forsøk på det, så dette må vi gjøre. Modulstrukturert opplæring for voksne er også viktig. Det betyr f.eks. at man kan ta en bit av opplæringen i et yrkesfaglig utdanningsprogram og få dokumentert den. Sluttkompetansen, altså fagbrevet – det er viktig å understreke, og det ser jeg at også flertallet og komiteen egentlig er opptatt av – vil, og må, fortsatt være gullstandarden i norsk arbeidsliv, det skal vi ikke rokke ved, men veien dit blir mer fleksibel. Så vil vi prioritere yrkesrettet opplæring innenfor Navs

For å oppsummere: Det er slik at målgruppen for meldingen utgjør en stor gruppe mennesker som representerer en kilde av arbeidskraft og skaperkraft som vi må klare å få mer ut av. Så må regjeringen og departementene konkretisere forslagene videre, også i nært samarbeid med arbeidslivet. Jeg vil bare nevne igjen at vi er ikke med dette ferdige med et kompetansepolitisk løft. Vi arbeider også med en kompetansepolitisk strategi som delvis følger opp noen av tiltakene i meldingen, men som også favner bredere, og det gjør vi i tett samarbeid med partene i arbeidslivet. Det blir replikkordskifte. I stortingsmeldinga legger statsråden opp til såkalt modulisering av grunnopplæring og videregående opplæring. Han kalte fra talerstolen nå fagbrevet for gullstandarden, og at det skulle det fortsatt være. Modulisering kan være bra, fordi voksnes behov for tilpasset opplæring er annerledes enn ungdoms. Samtidig Samtidig finnes det en frykt for at modulisering kan utvikle nye A- og B-utdanninger gjennom at f.eks. arbeidsgiver gir støtte til bare deler av en opplæring – de delene som passer arbeidsgiveren best. Det er altså fare for at folk får en slags delkompetanse, en spesialisert kompetanse, som ikke gir en skikkelig sluttkompetanse. Jeg lurer på hva statsråden vil gjøre for å sikre at ikke gir en skikkelig sluttkompetanse. Jeg lurer på hva statsråden vil gjøre for å sikre at ikke flere vil ta bare deler av en utdanning, men at flest mulig skal fullføre, med en ordentlig sluttkompetanse som fagbrev, svennebrev eller studiekompetanse. Det er et høyst relevant spørsmål som representanten tar opp. Jeg vil allikevel si at jeg er egentlig ikke bekymret, for det er ikke noen klare tegn på at det kommer til å slå til. Grunnen er først og fremst at i de fleste deler av arbeidslivet står fagbrevet veldig sterkt. Vi har en sterk fagbrevtradisjon, godt forankret i norsk arbeidsliv, godt forankret politisk og godt forankret hos partene. Det er også et ønske i arbeidslivet om å utvikle sine ansatte. Svaret mitt vil være at vi allikevel må følge med på om det representanten problematiserer, ser ut til å skje. Men min og regjeringens vurdering har vært at med den situasjonen vi har nå, er det viktigere å få til en litt mer smidig vei til fagbrevet. Det har vært riktig prioritering nå, og så må man vurdere å justere det hvis det f.eks. ender med at mange tar moduler, men ikke tar fullt fagbrev. Men jeg er ikke i utgangspunktet veldig bekymret for det. Statsrådens intensjon med modulisering er

kommunene og andre aktører. Det kan i verste fall føre til at elevene får et dårligere tilbud, men det hindrer også fylkeskommunene i å koordinere samarbeidet om elever med kommunen når det gjelder f.eks. språkopplæring. Spørsmålet er om statsråden har sett denne problemstillingen og vil ta initiativ til å gjøre ansvarsforholdene klarere mellom bl.a. fylkeskommune, kommuner og andre aktører. For det første har vi i denne meldingen også sagt noe om kompetansekartlegging av dem som kommer til Norge. Jeg mener om hva de som kommer til Norge, kan – det gjelder både formell og uformell kompetanse – jo lettere vil det være å la den informasjonen følge vedkommende gjennom utdanningsløp og gjennom bosetting, f.eks. Det andre er at det er en problemstilling som også berører integreringsarbeidet. Jeg er helt enig med representanten i at vi burde forsøke så godt vi kan å ha både god fylkeskommunene og med nasjonale myndigheter med ansvar for bosetting, slik at det er mulig å forberede seg på hvem som blir bosatt. Det er noe som Kunnskapsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet har løpende kontakt om. om. Som jeg var innom i mitt innlegg, savner jeg litt oppmerksomhet på frivillig sektor og studieforbundene. Det er også flere andre representanter som har vært innom det. Jeg er opptatt av at frivilligheten ikke skal styres, at den ikke skal detaljstyres eller brukes som et politisk verktøy, men at vi må legge forholdene til rette for at de frivillige organisasjonene som ønsker å bidra, skal få mulighet til det. I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2016 ba et stortingsflertall regjeringen om å «gå i dialog med studieforbundene og komme tilbake til Stortinget med en modell for hvordan tilskuddene til studieforbund kan utformes, slik at de når nye grupper og ivaretar målene om flere tilbud rettet mot inkludering og integrering». Er det en oppgave statsråden er i gang med? Er dialogen innledet, og når kan vi forvente å få en sak tilbake til Stortinget? Jeg merket meg i høyeste grad det flertallet sa i forbindelse med budsjettbehandlingen. Vi hadde jo også noen forslag til hvordan det kunne gjøres, som flertallet ikke var helt fornøyd med. Jeg er helt enig i at f.eks. studieforbundene og frivilligheten kan trekkes inn enda mer og rette sin virksomhet inn mot å bidra til f.eks. integrering. Den dialogen er delvis startet opp, og vi vil komme tilbake til Stortinget med det på egnet måte. Det blir selvfølgelig ikke en egen sak om dette, det vil være et av dokumentene som vi sender over. Så vil jeg nevne at vi i denne perioden har i denne perioden har gitt et veldig viktig bidrag til å dra frivilligheten med, nemlig ved å lage en ny ordning innenfor det som før het Basiskompetanse i arbeidslivet, vi lanserte BKF, Basiskompetanse i frivilligheten. Nå heter det Kompetanset. Det er rett og slett å dra frivillige organisasjoner med i det viktige arbeidet for å ruste opp ferdigheter og kompetanse.

er også kompetanse på videregående skoles nivå. Det er derfor debatten blir litt rotete. Vi har fått noen bekymringsmeldinger fra nettopp Studieforbundet, som de siste var inne på nå i stad, når det gjelder dette at det i studietilsynsforskriften kreves at 50 pst. av undervisningen må skje med institusjonens ansatte med høyere. Mitt spørsmål er da: Vil statsråden være så snill å se på dette så raskt som mulig, sånn at vi fortsatt kan beholde studieforbundene som tilbydere og som en del av dette med voksenopplæringen? Jeg må innrømme at den problemstillingen klarer jeg ikke på stående fot å svare på, rett og slett. Jeg må be representanten komme tilbake, enten i en spørretime eller gjennom et skriftlig spørsmål, så skal jeg gi et godt svar på det.

det. Det er betryggende å høre at statsråden vil se på det, for det er en aktuell og viktig problemstilling. En annen ting som jeg håper statsråden vil se på, er det som flere har nevnt, som går på de små og verneverdige fagene. Det som er litt spesielt med de fagene, er at de rekrutterer ikke bare ungdommer; de rekrutterer også voksne. De rekrutterer voksne som gjerne har en utdannelse, men som senere ønsker å bli møbelsnekker. En av de sakene som vi får mange henvendelser om nå, er Østfold som opplever at det hele veien er utfordringer for dem med tanke på formalia, som gjør at de liksom ikke klarer å holde det gående. Mange opplever at det er veldig synd hvis de må legge ned, fordi de gir et verdifullt bidrag. Det handler også om voksne folk som ønsker å ta den utdanningen. Min utfordring til statsråden er: Hva kan vi gjøre, hva kan han gjøre for at vi får opprettholdt disse små, verneverdige

også finnes i andre deler av det vanlige skolesystemet, ikke friskolesystemet. Det vi allikevel har sagt i vår behandling, er at skolen kanskje kan passe til å bli det flertallspartiene åpnet for, nemlig en yrkesfaglig friskole. De har søkt om godkjenning som profilskole, men de vil få muligheten til å endre søkegrunnlaget sitt uten å måtte søke på Når det dreier seg om problemstillingen ungdom og voksne, vil det innebære en lovendring hvis man skal gjøre noe med det. Jeg vil gjerne spørre statsråden hvordan den manglende oppmerksomheten rundt folkehøyskolene skal forstås, fordi flertallet i komiteen har uttrykt bekymring for at folkehøyskolene ikke er tema. Det har vært folkehøyskoleopprør tidligere i denne perioden, og nå ser vi også at i det nye forslaget til ny studiestøtteordning legger regjeringen opp til å holde 7 500 folkehøyskoleelever utenfor opptrappingen av studiestøtten. Jeg synes det er vanskelig å se logikken i det. Det får vi anledning til å diskutere når vi skal diskutere budsjettet, men det er bekymring i Folkehøyskole-Norge for at denne regjeringen ikke ser verdien av folkehøyskolene og utdanningssystemet. Derfor vil jeg egentlig gjerne utfordre statsråden på det nå. Bekymrer det statsråden at han har skapt en tvil i sektoren om hvorvidt regjeringen verdsetter folkehøyskolene? Regjeringen verdsetter folkehøyskolene. Selv om vi foreslo en liten budsjettreduksjon knyttet til kortkurs for noen år siden, innebar det allikevel en finansiering på 700 mill. kr eller 800 mill. kr – eller noe sånt, nå husker jeg ikke – av folkehøyskolene. Vi bruker mye penger på dette, og det kommer vil til å fortsette å gjøre. Det er også helt riktig at folkehøyskolene var i fremste rekke da vi inviterte til dugnad for å bosette asylsøkere og flyktninger, og de fortjener all mulig honnør for det. Nettopp fordi folkehøyskolene kan spille en viktig rolle, er vi nå i dialog med Folkehøgskolerådet om rett og slett å sette i gang et forskningsprosjekt hvor vi ser på om folkehøyskoler kan bidra til gjennomføring, mindre frafall, på videregående skole. Det mener jeg er veldig spennende – ikke bare å si at det tror vi, men også å sette i gang et konkret forsøk på det. Når det gjelder elleve måneders studiestøtte, er begrunnelsen for det at det har veldig eksplisitt vært knyttet til eksamenstidspunkt, og at mange har eksamen i en periode etter at studieutbetalingen er forbi. Selv om folkehøyskolene har samme antall dager i studietid, har de allikevel et skoleår som slutter veldig mye før. I praksis bruker de ni måneder i dag, hvis jeg ikke husker feil. Dermed er replikkordskiftet omme. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter.

minutter. I mai 1968 vandret det en ung irakisk geolog gatelangs i Oslo uten noe spesielt å gjøre. Han ventet på bussen og slo i hjel tida med å oppsøke et departement for å spørre om det var noen oljeselskaper som var på vei inn i Norge. Samme kveld ble han ansatt som han er blitt kalt for Norges mest lønnsomme innvandrer, for han gjorde geniale grep knyttet til norsk oljeutvinning. Han kan kanskje også karakteriseres som en av Norges mest lønnsomme innbyggere, og ikke bare innvandrere. Innvandrere blir nevnt som en del av dette såkalte utenforskapet. Det kan være at det er en god del av dagens innvandrere i Norge som har en kompetanse som overses. Jeg bruker det som inngang til saken, fordi jeg mener at tittelen – som flere har vært inne på – «Fra utenforskap til ny sjanse» gir assosiasjoner til dem og oss: Det er noen der ute som vi skal hjelpe med å komme inn i varmen, nærmest, og det er de som ikke har formalkompetanse, og som ikke har fulgt den vanlige løypa. Men det er faktisk sånn at selv de med lang utdanning – det kan sågar være folk som har jobbet som forskere – havner i dette utenforskapet. Det kan være – og har vært – folk som sitter i denne salen, som kan bli en del av dette utenforskapet. Det finnes mange gode eksempler på folk som har valgt en litt annen vei inn i voksenlivet enn å fullføre videregående opplæring og gå på universitetet eller ta videre opplæring, som har en svært suksessrik historie både i norsk offentlighet og i sitt eget yrkesliv. Det som bekymrer meg litt, er nemlig det perspektivet som flere har tatt opp, at rundt dette med voksnes læring er det såkalt marginaliserte grupper det skal handle om. Samtidig snakker statsministeren og regjeringen veldig mye om omstilling. Det det betyr, er selvfølgelig at organisasjoner skal omstille seg – det hører man med en gang. Men det er masse mennesker som skal omstille seg. Det er masse mennesker som skal jobbe på en helt annen måte enn man har gjort før, fordi vi er inne i en digital revolusjon, vi er inne i store samfunnsendringer, veldig mange må jobbe på andre måter. Da handler det om at nesten alle er nødt til å ha påfyll av kompetanse, og det nevnes knapt i denne meldingen. Da mener jeg at det å bruke begrepet «voksnes læring» knyttet opp mot denne såkalte meldingen legger opp til en fallhøyde i forhold til de svarene som kommer. Jeg synes ikke den svarer på utfordringene knyttet til voksnes læring. Jeg vet at statsråden har sagt at han kommer tilbake med dette temaet på et senere tidspunkt. Det haster, det er viktig, for det gjelder faktisk alle innbyggere i Norge, som i framtida må jobbe på en annen måte, med påfyll og kompetanse, nesten uansett type bakgrunn. Intensjonen med meldingen er god, men den er

snever. Det er flere representanter som har vist til de tre hovedsatsingsområdene i den meldingen vi debatterer: bedre opplæring for voksne med svake grunnleggende ferdigheter, bedre muligheter til videregående opplæring og bedre kvalitet i de særskilte tilbudene til innvandrere. Alle tre er viktige temaer, som fortjener vår fulle oppmerksomhet. Men det er likevel ett område som 13. februar 2015 sto det en artikkel i landsdelsavisen vår, Fædrelandsvennen. Artikkelen hadde tittelen: «Endelig motivert – bakerst i køen». I artikkelen sto lederen av Nav i Vennesla kommune fram og fortalte at i Vennesla var 20,6 pst. av bygdas 21-åringer, 17,4 pst. av 19-åringene og 16 pst. av 22-åringene under Et eget prosjekt skulle få 18–25-åringene opp om morgenen og til å møte i et jobbprogram. Hensikten med prosjektet var å unngå passivitet, og mange prosjektdeltakere lyktes med å forandre livet sitt. Men den erfaringen som ble gjort i prosjektet, var tydelig på at reglene rundt utdanning var et hovedproblem for dem som var uten fullført utdanning og var i aldersgruppa 21–25 år – de som ikke kom inn under verken ungdomsretten eller voksenretten til utdanning. til utdanning. Jeg er veldig glad for at regjeringa nå foreslår at ungdomsretten til videregående opplæring skal gå direkte over i voksenretten. For det handler om å gi mennesker en mulighet til å tette kunnskapshull og til å fullføre den videregående opplæringen. Det er nøkkelen inn i arbeidslivet. Likedan er det kjærkomment at regjeringa nå vil vurdere å utvide retten til videregående opplæring for søkere som har videregående opplæring i utlandet, men ikke får den anerkjent i Norge. Det er ingen tvil om at tilgangen til arbeidslivet er nøkkelen til god integrering i Norge. Det er selvfølgelig viktig for den enkelte og den enkeltes mulighet til deltakelse i arbeidslivet, men det er også viktig for fellesskapet. Det er mange enkeltting som kunne vært påpekt i denne stortingsmeldingen. For meg har det vært et viktig signal at regjeringa her ser på tvers av sektorene og utvikler en samordnet og helhetlig kompetansepolitikk for voksne med lite utdanning, med svake grunnleggende ferdigheter eller ikke godkjent kompetanse. For det å bli møtt med muligheter og ikke stengsler når behovet og motivasjonen er til stede, er alfa og omega for at flere skal lykkes i utdanning og

arbeidsliv. Dette er en viktig og stor sak på flere måter, og det er bra at det tas opp av regjeringen, og det er bra at det er et stort engasjement i komiteen. Men det er egentlig to debatter på samme tid, for tradisjonelt har denne debatten handlet om folk som har falt utenfor både skole og arbeidsliv, kanskje fått en grunnskoleutdanning som er ganske mangelfull, og ikke fått noen mulighet til å ta videre utdanning, og er de som er mest utsatt på arbeidsmarkedet. Og den handler om dette såkalte utenforskapet – hvordan bringer vi voksne med dårlig erfaring fra skole og med negativ erfaring fra opplæring inn igjen i arbeidslivet. Det er et stort og omfattende problem i seg selv. Men det denne debatten egentlig vil dreie seg om i framtiden, er at masse folk kommer til å gå ut av skolen med ganske gode kunnskaper, men kanskje ikke med den fagkompetansen eller den videre opplæringen som gjør at man er kvalifisert for et arbeidsliv. For de ufaglærte jobbene forsvinner i et enormt tempo, og ikke bare det, men de kvalifikasjonene man trenger for å få de jobbene som fins, endrer seg veldig mye fortere enn før. Det er ikke mer enn et par generasjoner siden at ungdom kunne se på foreldrenes yrker og tenke Nå møter ungdommer egentlig et helt blankt ark når spørsmålet om hva de skal bli når de blir store, hvilke kvalifikasjoner de trenger, og hvilke jobber de skal ta, blir stilt. Det å klare å få denne livslange læringen til å fungere – ikke bare for dem som har slitt i skolen og kanskje kommet ut med dårlige kunnskaper og dårlige resultater eller av andre grunner blir utstøtt av arbeidsmarkedet, men – er det store spørsmålet vi egentlig burde hatt en bred debatt om. For det stiller enorme krav til arbeidslivet, det stiller enorme krav til utdanningsinstitusjonene, og det stiller enorme krav til oss for å lage systemer som er fleksible nok og gode nok til at alle får delta i dette. Når 15 000 ungdommer i hvert kull går ut av videregående skole uten å ha fullført og bestått, risikerer vi i løpet av ti år å få 150 000 mennesker som er nødt til å skaffe seg den kompetansen i ettertid. Når vi ser at det er flere hundre søkere på jobber i kassen i en dagligvareforretning, er det fordi disse jobbene, som man ikke trenger spesiell formalkompetanse til, blir færre og færre. Vi risikerer rett og slett å få enormt mange mennesker som er helt friske, og som egentlig har helt ok kunnskap og kompetanse, men som likevel ikke får jobb. jobb. Det er denne sosiale, tikkende bomben som vi er nødt til å lage et system for å møte – sørge for at folk blir kvalifisert gjennom hele livet, sørge for at folk får etter- og videreutdanning – både for å løse utenforskapet for dem som tradisjonelt har vært de mest marginaliserte, og for å sørge for at alle får delta aktivt i arbeidsmarkedet og bidra til verdiskaping og til et likeverdig Norge. Jeg vil si takk for en god debatt. Jeg er Norge. Jeg vil si takk for en god debatt. Jeg er enig med representanten Giske i at det også er en stor utfordring. Hvis man ikke har en kompetansepolitikk – en livslang-læring-politikk – vil man heller ikke klare å hindre at man faller utenfor hvis man f.eks. må bytte jobb og trenger nye kunnskaper og ferdigheter, men det ikke er et system på plass for å få det. Det er også en ekstra dimensjon her. Det er at vi skal løse den utfordringen innenfor rammene av norsk arbeidsliv, slik det fungerer i dag. Vi skal ikke gjøre som f.eks. i USA, hvor man kanskje har større evne til å ta opp ufaglært, ikke gjøre som f.eks. i USA, hvor man kanskje har større evne til å ta opp ufaglært, ikke-kvalifisert arbeidskraft, men gjør det gjennom å ha veldig lave lønnsnivåer. Med et høyt lønnsnivå trenger man kompetanse, og man trenger produktive arbeidstakere. Jeg mener vi i dag har noen virkemidler som viser vei også i denne diskusjonen. Basiskompetanse i arbeidslivet og Basiskompetanse i frivilligheten, som nå omdøpes til Kompetanse+, er blant de mest tabloide virkemidlene vi har. Det er ikke det media skriver mest om, men det er et veldig godt eksempel på en ubyråkratisk ordning som også bygger på det norske trepartssamarbeidet. Man får rett og slett støtte for nettopp den typen kompetanseutvikling. Meldingen åpner også for forslag som vil kunne gjøre det lettere – f.eks. ved en sånn type modulisering som gjør at man ikke bare tar et kurs, men at man kan ta et kurs som gir en muligheten til å bygge opp f.eks. et fagbrev, hvis man ikke har hatt mulighet til å gjøre det. Hvis det fungerer godt, vil det kunne være en mulighet som flere bruker i fremtiden. Men det aller viktigste arbeidet for den store diskusjonen er arbeidet med en kompetansepolitisk strategi. strategi. Det er ikke til å legge skjul på at det også der er forskjellige betoninger og meninger blant partene i arbeidslivet. Det er hele tiden en utfordrende balansegang mellom formell og ikke-formell kompetanse og hvordan den skal anerkjennes i utdanningssystemet. Men det er et arbeid vi er veldig godt i gang med, som vi har fått gode tilbakemeldinger fra partene på, og som også Stortinget her sier at er et viktig og godt arbeid. Det er bra.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

vedtatt. Jeg vil aller først få takke komiteen for et godt samarbeid i behandlingen av denne saken, som omhandler en rekke ulike endringer i opplæringsloven. Proposisjonen inneholder forslag om å innføre friere skolevalg på tvers av fylkesgrensene, å innføre en ordning for praksisbrev i alle fylker og lovendringsforslag for å legge til rette for å kunne tilby mer grunnskoleopplæring til ungdom som har rett til videregående opplæring. Videre foreslår regjeringen å etablere en ordning for godkjenning av utenlandsk fagopplæring på videregående nivå, en klargjøring i loven av når opplæringsplikten bortfaller ved utenlandsopphold, og å fjerne lovens anbefaling om maksimal skolestørrelse. Om noen av endringsforslagene står komiteen samlet, i andre spørsmål er komiteen delt, så jeg legger til grunn at de ulike partienes standpunkt vil bli tydeliggjort i løpet av debatten. Jeg vil nå gjøre rede for Kristelig Folkepartis posisjon i denne saken. Når det gjelder spørsmålet om friere skolevalg, så jeg legger til grunn at de ulike partienes standpunkt vil bli tydeliggjort i løpet av debatten. Jeg vil nå gjøre rede for Kristelig Folkepartis posisjon i denne saken. Når det gjelder spørsmålet om friere skolevalg, er det liten tvil om at enkelte elever kan ha behov for å gå på en skole i et annet fylke enn hjemfylket sitt. Derfor er friere skolevalg i utgangspunktet en god tanke. Men hvis vi innfører fritt skolevalg som en generell rettighet, er jeg redd for at vi kan miste muligheten til å tilby opplæring i et og ikke en vurdering av den enkelte elevens behov. Derfor mener jeg det er en mye bedre idé å gi en rett til friere skolevalg, som vil gjelde i færre og klart definerte tilfeller, som f.eks. dersom eleven bor nærmere skolen i nabofylket sitt enn skolen i sitt eget fylke, dersom det foreligger spesielle sosiale eller pedagogiske grunner til det, eller dersom en elev ønsker en opplæring som ikke tilbys i eget fylke. En målrettet rettighet til dem som har behov for det, er en bedre idé enn en generell rett til alle. Når det gjelder praksisbrev, mener jeg at dette er et viktig alternativ å tilby til de elevene som mangler forutsetninger for eller motivasjon til å gå inn i et ordinært yrkesfaglig opplæringsløp, og jeg støtter regjeringens forslag om å gi alle fylker en plikt til å Samtidig må det være et mål at flest mulig fullfører ordinær opplæring, og at flest mulig elever kommer over i ordinære lærlingordninger etter to år. Når det gjelder forslaget om å gi muligheten til å tilby mer grunnskoleopplæring til ungdom med rett til videregående opplæring, vil jeg bare si at det er et forslag jeg applauderer. Elever med kort botid i Norge og kort tid i grunnskolen vil ha svært dårlige forutsetninger for å lykkes på videregående, og for at de skal få en fair sjanse til å lykkes, må vi gi dem en mulighet til å forbedre vitnemålet sitt fra grunnskolen. Ved Thor Heyerdahl videregående skole i mitt eget fylke, Vestfold, har man gjennomført et prøveprosjekt der man har prøvd ut dette gjennom en ordning som man kaller Kombinasjonsklassen. Resultatene har vært gode, ikke minst i form av lavere frafall. Jeg håper at flere kommuner og fylkeskommuner vil benytte seg av den muligheten de nå får, og at mange vil la seg inspirere av det som har blitt gjort i et samarbeid mellom Thor Heyerdahl videregående skole, Larvik kommune og Vestfold fylkeskommune. Også når det gjelder forslaget om å opprette en godkjenningsordning for utenlandsk fagutdanning, må jeg si at det er et forslag jeg synes er godt. Kristelig Folkeparti støtter også forslaget om å klargjøre reglene for når skoleplikten opphører ved utenlandsopphold. Dette er en grense det er prinsipielt viktig å avklare. Men når det gjelder forslaget om å fjerne den anbefalte maksgrensen for skolestørrelse, er jeg nok ikke like entusiastisk. Jeg mener, i likhet med Utdanningsforbundet, at regjeringen undervurderer betydningen av at denne anbefalingen står i loven. Det kan nok være god økonomi i det å opprette større og færre skoler, men det bør jo være pedagogiske og ikke kun økonomiske vurderinger som legges til grunn for skolestrukturen. Utdanningsforbundet peker på at det er grenser for hvor stor en skole kan være og samtidig drives pedagogisk forsvarlig. Hvis skolen blir for stor,

lovendringen. Vårt mål er at alle elever skal lykkes og at opplæringstilbudet i alle fylker er best mulig. Regjeringa vil nå innføre en plikt for fylkeskommunene til å finansiere skoleplasser for egne elever i andre fylker og til å ta imot gjesteelever fra andre fylker ved ledig kapasitet. Arbeiderpartiet og resten av flertallet i komiteen, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og SV, ønsker en annen løsning enn regjeringa. For det første fordi regjeringas forslag til fritt skolevalg kan favorisere elever med gode karakterer, ikke dem som har mest behov for å kunne velge friere. For det andre fordi det er åpenbart at fritt skolevalg over fylkesgrensene vil gjøre jobben til fylkeskommunene som skoleeiere vanskeligere. Det er derfor de fleste fylkeskommunene har uttalt seg negativt til dette forslaget. Å dimensjonere skoletilbudet og sørge for en optimal skolestruktur er ikke en enkel oppgave i utgangspunktet. Dette forslaget gir fylkene større utfordringer med å planlegge et riktig antall elevplasser, særlig distriktsfylkene, og det kan stimulere til at fylker øker egne tilbud i direkte konkurranse med andre fylker.

En rett for noen elever fører da til at det går ut over flere elever. At regjeringa, Høyre og Fremskrittspartiet, ikke ser noen problemer med dette, er oppsiktsvekkende og står ikke til troende. Denne saken reiser også spørsmålet om regjeringa mener at vi skal ha en politisk folkevalgt styrt skolestruktur i Norge. en privatskolelov der det åpnes for flere private skoleplasser og det innføres et langt friere skolevalg. Da er det vanskeligere å beholde en folkevalgt styring av skoletilbudet. Fylkespolitikernes helhetsansvar reduseres. Arbeiderpartiet er positiv til å gi elever en noe sterkere rett til skoleplass i andre fylker. Regjeringas forslag har imidlertid så uoversiktlige og store konsekvenser for fylkeskommunene at Arbeiderpartiet ikke kan støtte regjeringas linje. En mer fornuftig løsning med at de elevene som har et reelt behov for det, får mulighet til å gå på skole utenfor hjemfylket, er det forslaget flertallet i komiteen har samlet seg om. Elevene gis sterkere rett til å velge, men i færre – og klart definerte – tilfeller enn det regjeringa legger opp til, slik som i tilfeller der hjemfylket ikke tilbyr den opplæringen eleven ønsker, der elever i grenseområder får urimelig lang reisevei internt i fylket, som vi har sett eksempler på, der et annet fylke har skoleplasser nærmere elevens hjemplass, der det foreligger særlige sosiale eller pedagogiske grunner, eller for å sikre at samiske elever eller elever med kvensk og finsk som morsmål får et godt tilbud. Dersom man hadde åpnet opp for frie skolevalg i disse tilfellene, ville man unngått de problematiske tilfellene vi har sett i media, men uten å vanskeliggjøre rollen fylkeskommunene har som skoleeier. Til slutt: I en annen sak som kirke-, utdannings- og forskningskomiteen har behandlet denne uka – fraværsgrensen – har vi hørt representanter fra Høyre argumentere sterkt for at vi alle burde lytte til det lærerne og Utdanningsforbundet sier og kommer fram til. dersom Høyre og Fremskrittspartiet hadde gjort det konsekvent, hadde vi nok hatt en ganske annen skolepolitikk, bl.a. når det gjelder synet på flere lærere eller kompetansekrav. I denne saken har Utdanningsforbundet sagt et tydelig nei til å oppheve opplæringslovens anbefalte maksimalstørrelse for grunnskoler. Utdanningsforbundet mener det er grenser for hvor stor en skole kan være og samtidig drives pedagogisk forsvarlig, og de peker på at rektorer ved skoler som blir for store, kan miste sitt rom til å utøve pedagogisk ledelses- og utviklingsarbeid. At lærerne er imot dette forslaget, ser ikke ut til å ha beveget regjeringspartiene i nevneverdig grad. Deres ønske om å lytte til lærerne var sterkt tidligere i uka, nå ser det ut til at Høyre og Fremskrittspartiet er tilbake på sitt vanlige spor. spor. Jeg vil også benytte anledningen til å takke saksordføreren og komiteen for et godt samarbeid i denne saken. Det er en stor sak, med mange små og store endringer som alle, vil jeg si, gjør norsk skole litt bedre, særlig for de elevene som trenger litt ekstra. Jeg vil gjerne begynne med nettopp det som handler om praksisbrev, som er en ordning som har fungert godt for noen av de elevene som sliter med å gjennomføre yrkesfaglig utdanning på den ordinære måten. Det å få fag- eller svennebrevet kan være en tøff kneik å komme over for enkelte elever. Det å da ha en lavere terskel, å ha et litt annet løp, som noen fylker har tilbudt, har vært viktig. Med statsrådens forslag til endringer, som i dag får bred tilslutning, vil det bli et nasjonalt tilbud. tilslutning, vil det bli et nasjonalt tilbud. Det vil være noe alle fylker skal tilby. Det vil gjøre hverdagen litt lettere for noen av de elevene som kanskje sliter mest med å motivere seg til å komme gjennom skoleløpet. Nå får de muligheten til å gjøre dette. Når det gjelder denne praksisbrevordningen, har vi, ikke minst etter innspill fra partene i arbeidslivet, gjort det veldig klart at dette ikke skal likestilles med annen yrkesfaglig utdanning. Dette skal være et tilbud som skal gjelde for dem som trenger ekstra oppfølging, men det skal ikke være en søkbar linje på lik linje med andre yrkesfaglige retninger. I dette ligger det også, som vi sier tydelig fra om i komiteen, at rådgivningstjenesten i videregående skole og i ungdomsskolen må være klar over dette tilbudet, og at Den andre saken som har skapt noe debatt i komiteen, som vel de to foregående innleggene har vist, er diskusjonen om friere skolevalg på tvers av fylkesgrensene. Forslaget innebærer at dersom en elev ønsker å søke på en plass i et annet fylke og det fylket eleven søker plass i, har plass til eleven, skal eleven ha rett til å gå på den skolen. skolen. Det er hjemfylket som skal betale og vertsfylket som har plikt til å tilby plassen. Det innebærer rett og slett at elevene i norsk skole med dette vedtaket vil få større valgfrihet enn de hadde før vi gjorde vedtaket. Kunstige fylkesgrenser og administrasjon skal ikke stå i veien for at elever kan velge de linjene de ønsker, og at elevene i større grad skal få lov til å ta den utdanningen som passer dem best. Jeg må si at selv om det er en nyanse i motstanden fra partiene som i dag går imot forslaget, har det ikke vært mangel på politisk kreativitet i forbindelse med å finne ut hvor mange problemer man kan oppdage med at elevene får litt større valgfrihet. Det har vært en voldsom bekymring, en voldsom omsorg for fylkeskommunene, for hvordan man skal dimensjonere og for hvordan man skal gjøre dette, når det i realiteten handler om noen elever som ønsker å velge noe annet. Én ting er å si at man er for valgfrihet, men hvis man hele tiden er ute etter å finne ut hva som er problemet med valgfriheten, står ikke retorikken til troende. Jeg skal være helt ærlig på at hvis en elev eller en bruker av en annen velferdsordning i Norge får litt større mulighet til å velge det han eller hun ønsker, gjør det det litt vanskeligere for dem som skal tilby den tjenesten, fordi de i større grad må tilpasse seg ønskene til borgerne. Det er jo kjernen i dette. Jeg er fullt villig til å si at da må fylkeskommunene strekke seg lenger for å tilby den utdanningen som elevene Det er altså slik at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre i dag støtter denne endringen fullt ut. De andre partiene, med unntak av Senterpartiet, sier klart fra at de erkjenner at dette gir økt valgfrihet til elevene, men kommer etterpå med alle kriteriene for hvorfor det er så fryktelig vanskelig. Dette gir også muligheten for å opprettholde smalere linjer fordi elever som bor i andre fylker, kan søke seg til disse linjene. linjene. Dermed kan de få et større elevgrunnlag. Representanten Martin Henriksen påpekte at dette ville gjøre jobben vanskeligere for fylkeskommunen. Jeg mener at når det kommer til stykket i denne salen og vi skal diskutere skolepolitikk, må omsorgen for elevene gå foran omsorgen for fylkeskommunen. Det betyr igjen at av og til må vi lage noen regler som sikrer elevenes rettigheter på disse områdene. Helt til slutt kan jeg ikke dy meg ettersom representanten Henriksen mente at vi nå ikke lenger hører på lærerne: Det gjør vi i en rekke saker, men i denne saken kunne kanskje Arbeiderpartiet lytte til elevene – som jeg har hørt arbeiderpartipolitikere be oss om å gjøre i forbindelse med fraværsgrensen – og støtte en større valgfrihet i den videregående skolen.

Fritt skolevalg innebærer at det innføres en plikt for fylkeskommunene til å finansiere skoletilbud i andre fylker og en plikt til å ta imot gjesteelever ved ledig kapasitet. Videre foreslås det å gi fylkeskommunene en plikt til å tilby praksisbrevordning som et supplement til Proposisjonen inneholder også lovendringsforslag for å legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner kan tilby mer grunnskoleopplæring til ungdommer som har rett til videregående opplæring. Erfaring fra en skole i Larvik viser at dette kan føre til både økt kvalitet og mindre frafall i videregående skole. Det foreslås også å etablere en ordning for godkjenning av utenlandsk fagopplæring på videregående opplæringsnivå, med NOKUT som operativt ansvarlig. For oss i Fremskrittspartiet er det viktig at elever som av ulike grunner ønsker opptak til videregående skoler i andre fylker enn hjemfylket, skal få mulighet til det. Den foreslåtte lovendringen vil gi mange elever større valgfrihet, og konkurransen om plassene er basert på karakterer, et objektivt og godt opptakskriterium. Fremskrittspartiet vil påpeke at dette kun gjelder dersom vertsfylket har ledig kapasitet. Vi vil også understreke at enkeltelever med særlige pedagogiske og/eller sosiale behov skal prioriteres, og viser til departementets begrunnelse i proposisjonsteksten:

som bør gå framfor prinsippet om valfridom for alle og karakterbasert inntak.» Dette viser at elever som har spesielle behov, er godt ivaretatt i saken,

fylke. Forslaget innebærer altså både økt frihet og mangfold – det er god Fremskrittsparti-politikk. Fremskrittspartiet vil minne om at den varslede regionreformen i enda større grad vil ivareta behovet for større inntaksområder, men understreker at den reformprosessen er i en svært tidlig fase. Det er derfor behov for lovendringer som omhandler dagens fylkesinndeling. fylkesinndeling. Fremskrittspartiet mener at praksisbrev er et veldig godt alternativ til det ordinære yrkesfaglige opplæringsløpet for enkelte elever, og viser til at NIFUs evaluering av ordningen konkluderer med at den har bidratt til økt gjennomføring og lavere frafall enn man ellers kunne forvente blant deltakerne i programmet. Blant annet har praksisbrevordningen veldig gode resultater i Rogaland. Rogaland. Også Fremskrittspartiet mener man bør ha som mål at flest mulig elever gjennomfører et ordinært yrkesfaglig opplæringsløp, men at det samtidig er viktig å ha alternativer. Fremskrittspartiet vil advare mot den nedvurderingen av praksisbrevordningen som SV og andre presenterer. Det er et stort mangfold blant elevene, og alle passer ikke til standardløpet. Da er det viktig at skolen tilbyr et mangfold av ordninger som gir gode jobbmuligheter etterpå. etterpå. Til slutt vil jeg påpeke at man gjennom flere ulike skolereformer har ført stadig mer av ansvaret for skolen over til kommunene. I et langstrakt land som Norge er det betydelige lokale og regionale forskjeller. Da er det naturlig at lokalsamfunnene selv får utforme sine skoleløsninger. For å finne fram til gode skoleløsninger lokalt vil skolestørrelsen bare være en av mange faktorer. Elevgrunnlag, næringsstruktur, areal, infrastruktur og kompetansetilgang er andre faktorer som spiller inn. Dette er felt som lokalpolitikerne har best oversikt over. Fremskrittspartiet har tillit til at lokalpolitikerne finner de beste løsningene, og mener derfor at det ikke er behov for noen sentralt pålagt norm om

men vi vet at dette i første omgang vil være en fordel for de elevene som har gode karakterer. I dag gis det en gjesteelevsgaranti til elever som bor nærmere skolen i nabofylket, enn det som er definert som elevens nærskole. Når dette forslaget i dag blir vedtatt, må disse elevene konkurrere på karakterer med elever fra andre steder i fylket og andre fylker. Dermed mister fylkeskommunene muligheten til å tilby spesielt inntak for elever i altså de som kan ha størst behov for å kunne gå på skole i nærmiljøet, og elever som bor nær en skole, men i et annet fylke, får ikke gjestetilbud. Når vi skal lytte til elevene, som det blir sagt, må vi også lytte til dem som ikke prater høyest. Hvor en bor, vil nå ikke ha betydning. Det vil i verste fall si at en elev som bor på Jevnaker i Oppland fylke og har søkt på linje på Hønefoss videregående i Buskerud, vil risikere at det er søkere fra Hamar, Gjøvik, Oslo eller Bodø, for den saks skyld, som får plassen hvis de har bedre karakterer. Det betyr at de som ikke har så gode karakterer fra ungdomsskolen, kanskje må flytte og bo på hybel langt unna hjemstedet, med de utfordringer det medfører for en 16-åring. Derfor har Senterpartiet vært opptatt av at det ville vært bedre å forbedre den gjesteelevordningen vi har i dag. Jeg synes det er paradoksalt at regjeringa og Venstre i dag sikrer flertall for en slik endring, når vi samtidig vet – jeg vet i hvert fall – at erfaringer fra Oppland nå gjør at fylkeskommunen strammer inn på fritt skolevalg nettopp for å sikre et best mulig tilbud for alle elevene i hele fylket, slik at færrest mulig behøver å bo på hybel. Så er vi glad for at regjeringa endelig kommer med et forslag om praksisbrev, og at dette skal tilbys av alle fylkeskommuner. Dette har Senterpartiet vært opptatt av lenge. Vi er enig i at det ikke skal være et søkbart tilbud, men være et supplement til ordinært yrkesfaglig opplæringsløp for elever som vil ha vansker med å følge et vanlig løp. Ordningen har vist seg å fungere godt i de fylkene som har dette tilbudet. Men vi er uenig med regjeringa i at fylkeskommunene skal kunne oppfylle loven ved at man slipper unna med å tilby praksisbrev ved en skole. La meg understreke at det er viktig at et slikt tilbud ikke sentraliseres til enkeltskoler. Dette tilbudet må være der elevene med slike behov er. Norge er mer enn en storby. Det kan være grisgrendt og langt å reise. Når det gjelder mulighet for utvidelse av grunnskoleopplæringen, et såkalt 11. skoleår, har vi i Senterpartiet vært skeptiske til det.

Men for at tilbudet ikke skal bli en hvilepute for skoleeiere som ikke følger opp sine elever godt nok de ti første skoleåra, mener vi det er veldig viktig at det er grunnskoleeier, altså kommunene, som skal ha det overordnede ansvaret, også økonomisk, for et slikt tilbud. Vi kan ikke tillate at grunnskolen skyver ansvaret over i videregående. De må ta ansvar for mens elevene går i skolen. Vi er derfor glad for at en så å si enstemmig komité er enig med oss i dette. Vi mener også at når det gjelder opplæringsplikten, burde denne gjelde så lenge barnet har bosted i Norge. Uansett mener vi at det er usikkert om det er forvaltningen eller barnet denne lovendringen ivaretar best, og derfor har vi bedt om en utredning i eget forslag. Til slutt: så lenge barnet har bosted i Norge. Uansett mener vi at det er usikkert om det er forvaltningen eller barnet denne lovendringen ivaretar best, og derfor har vi bedt om en utredning i eget forslag. Til slutt: Vi går imot å fjerne lovens tilråding om maksimal skolestørrelse. Vi mener at det hadde vært klokt å beholde denne maksgrensa, slik at ikke pedagogiske vurderinger kan havne i skyggen av økonomiske hensyn i kommuner med stram økonomi. Da

Det er tidlig ennå, men det er flere partier som ser for seg at vi skal få større regioner, og dermed også større inntaksområder enn det vi snakker om her. De aller fleste elever i dag går jo på videregående skole i sitt Det er det som vil være normen for de aller fleste, og hvis vi lykkes med regionreformen og får større regioner, vil det fortsatt være regelen. Men det er noen som ønsker noe annet. Det er noen som ønsker å gå på en skole som de ikke sogner til gjennom fylkesgrensen, og da er vårt utgangspunkt at en administrativ inndeling ikke bør være en begrensning av hva elevene ønsker å få oppfylt av skoleønskene sine. Så vårt utgangspunkt er at elevene må selv få lov til å velge hvilken skole de ønsker å gå på, og så må vi som politikere legge til rette for det. Fylkeskommunen må håndtere at folk tar valg som er utenfor deres inntaksområde, og det tror jeg er helt overkommelig. Det er overkommelig for fylkeskommunene eller de nye regionene at noen elever ønsker å gå på skole i en annen region, og det er overkommelig at det er noen elever fra andre fylker eller regioner som ønsker å komme til Dette tror jeg vi skal klare helt fint. Jeg vil også understreke at flertallet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, peker på at når det er enkeltelever med særlige pedagogiske og/eller sosiale behov, skal de prioriteres, og de skal ikke konkurrere på basis av karakterer, for det kan tenkes at det er noen enkelttilfeller der ute som har noen spesielle behov, og det må vi selvfølgelig ta høyde for. Vi kan ikke lage en politikk som ikke skal kunne for alle, men allikevel kan ta vare på de enkeltindividene som er der. Det klarer vi helt fint. Noen kommentarer til det med skolestørrelse: Jeg har vært lokalpolitiker i to kommuner: én kommune med 10 000 innbyggere og én kommune med 120 000 innbyggere. Jeg har vært med på å opprette skoler, og jeg har vært med på å legge ned skoler. Min opplevelse er at debatten er den samme, og den handler om mange forskjellige ting.

alvor. Man er veldig opptatt av å høre på dem som det angår: foreldrene, elevene, lærerne og befolkningen som sådan. Jeg tror at dette er en beslutning som lokalpolitikere også i framtiden vil ta på det største alvor. Skolestørrelse er i dag, og kommer fortsatt til å være, et av de viktige momentene når man diskuterer hva slags skoler vi skal ha, hvor

skolehverdagen handler medvirkning ofte om elev–lærer-samarbeid, valg av arbeidsform, aktiviteter i undervisningen, vurderingsformer elevene mener gir økt læring og motivasjon, og om hvordan skolen kan legge til rette for trivsel og trygghet for alle. Målet er jo at alle elever skal få realisert sitt livsprosjekt, intet mindre. Jeg synes perspektivet til regjeringen når det gjelder hva som er valgfrihet, er fryktelig smalt. Vi burde ha det store bildet: Hvordan får enhver mest mulig frihet til å utnytte sitt potensial, til å utvikle seg selv, til å få en skolehverdag på elevens egne premisser. Regjeringen er opptatt av at elever i videregående skole skal få større frihet til å kunne velge en skole som ligger i et annet fylke enn det som de bor i. Ja, det er SV også opptatt av. SV er opptatt av at elevene skal ha så stor valgfrihet som mulig. Men spørsmålet som alltid utelates når høyresiden kommer med sine såkalte frie skolevalg, er: Hvem sin frihet, og til hvilken pris? Det er flere utfordringer med det lovforslaget regjeringen fremmer knyttet til såkalt fritt skolevalg. La meg nevne to: For det første er det noen ganger sånn at ønsket om frihet for noen få kan gå på bekostning av fellesskapets interesser og dermed ramme mange andre. Jeg vet at det er populært i Høyre-kretser å raljere med fylkeskommunen. Det er liksom litt morsomt i seg selv å si «fylkeskommune», men hvis jeg var regjeringspartiene, ville jeg tatt de innspillene som har kommet – ikke bare fra fylkeskommunene, men også fra Utdanningsforbundet og flere andre – litt mer på alvor, for de handler om hvordan vi skal unngå en sentralisering av skoletilbudet, som vil ramme mange elevers frihet. Muligheten til å kunne gå på en skole i sitt nærområde er jo også en viktig frihet for mange. Vi får et smalere tilbud hvis skoler og utdanningsprogram over tid legges ned på grunn av den politikken høyresiden fører, både lokalt og nasjonalt, og som gjennom mange ulike grep trekker i den retningen: mer karakterbaserte opptak, flere privatskoler

frihet. Det vi frykter, er at hvis det blir vanskelig å opprettholde et nærskoleprinsipp og et geografisk styrt skolevalg internt i fylkene, vil det legge press på flere fylker som i dag har en sånn modell, til å gå bort fra den. I SV er vi tilhengere av et nærskoleprinsipp også når det gjelder opptak til videregående utdanning. Erfaringene med det fra flere fylker er gode og viser at en sånn modell kan gjøre at flere elever får gå på den skolen de vil, enn et rent karakterbasert opptak vil gjøre. «Fritt skolevalg» er egentlig et misvisende begrep. Vi burde slutte å bruke det. Det er karakterbasert opptak som høyresiden er for, og det innebærer selvfølgelig bare valgfrihet for noen elever, nemlig de som har de beste karakterene. Derfor er SV en del av det flertallet i komiteen som ønsker å sikre elevene en sterkere rett til å krysse fylkesgrensene og få skoleplass i de tilfellene der det er nødvendig, f.eks. når en elev ikke kan få det opplæringstilbudet hun ønsker seg, i sitt fylke, eller når reiseveien blir ekstra lang fordi en skole i et annet fylke er geografisk sett nærmere, eller når det finnes sosiale eller pedagogiske grunner som tilsier at det er lurt å krysse fylkesgrensen, eller for elever som har samisk, kvensk eller finsk som Så det finnes muligheter for å sikre den typen valgfrihet, uten å gå så langt, og med de negative konsekvensene, som høyresiden legger opp til. så langt, og med de negative konsekvensene, som høyresiden legger opp til. Min tid renner ut, men la meg understreke at vi i SV er fornøyde med det som nå kommer når det gjelder praksisbrev. Vi har noen advarsler knyttet til gjennomføringen av det, som vi håper statsråden vil lytte til, ikke minst rådet om en evaluering etter tre–fem år. Men det er et riktig steg å ta, og der støtter vi

enkelte. Det andre er at flere av forslagene også kan gjøre det lettere å få flere til å gjennomføre videregående skole. Når det gjelder mulighet for mer grunnskoleopplæring, lovliggjøring av det en del har kalt Larvik-modellen, er jeg veldig glad for at det får stor støtte. Thor Heyerdahl videregående skole, som representanten Tyvand også nevnte, har gjort dette. I realiteten, selv om det kan høres besnærende ut – som representanten fra Senterpartiet sa, at etter så mange år med skolegang burde man ha klart gjøre dette på en ordentlig måte – vil dette likevel, som representanten også understreket, i praksis først og fremst gjelde for dem som har kommet til Norge – ikke før skolestart, men underveis i skolegangen. Jeg mener dette er riktig å gjøre rett og slett fordi det med dagens system er veldig mange elever, eller i hvert fall en del elever, som starter på videregående skole uten at de i realiteten har fått med seg først. Da er det et viktigere hensyn enn bekymringen for at dette skal bli et nytt system for alle. Når det gjelder friere skolevalg over fylkesgrensene, er det en viktig sak prinsipielt nettopp fordi flertallspartiene er opptatt av at elevene skal få velge. Valgfrihet er en verdi i seg selv. Samtidig er forslaget også rammet inn, og det er, må jeg si, et svært moderat forslag. Etter dagens regelverk har ungdommer som hovedregel ikke rett til inntak i videregående skoler i andre fylker enn hjemfylket. For å kunne tas inn til videregående opplæring ved skoler i andre fylker, er den enkelte søker helt avhengig av at hjemfylket deres er villig til å finansiere skoleplassen. Det er der vi går inn og Vi mener at alle elever skal ha mulighet til å søke seg til andre fylker, og at det bør være en sterkere rettighetsfesting enn i dag. Vi foreslår derfor en plikt for fylkeskommunen til å ta imot gjesteelever dersom de har ledig kapasitet, og en plikt for hjemfylket til å betale for en skoleplass i et annet fylke. Det er grunn til å tro at dette vil gjøre det lettere for en del mindre skoler, nettopp fordi de vil kunne tiltrekke seg elever også fra andre fylker og på den måten få en sjanse til å overleve – altså et godt bidrag til en desentralisert skolestruktur. Praksisbrevordningen: Forsøkene startet opp i 2007. Evalueringen av forsøkene konkluderte med at praksisbrevordningen har bidratt til et langt lavere frafall og til en bedre gjennomføring av yrkesutdanning for dem som til bl.a. innspillene fra LO, som har vært opptatt av at praksisbrevordningen ikke må bli en måte igjen å svekke fagbrevene på, at det derfor ikke burde være en generell åpen løsning som alle kan søke til, men et tilpasset tilbud for dem som trenger det.

vil kunne bidra til bedre utnyttelse av den samlede kompetansen i arbeidsstyrken. Klargjøring av når opplæringsplikten opphører ved utenlandsopphold, er det bred støtte for. Og så er det diskusjon om minimal skolestørrelse. Jeg mener at det viktigste argumentet for det ikke egentlig handler om skolestørrelse, men det handler om hva loven skal være og ikke være. Jeg mener at lovregulering skal vi benytte til å fastsette rettigheter og plikter, og at anmodninger og anbefalinger som ikke er rettslig forpliktende, kan bidra til å underminere regelverket. Det er derfor vi har foreslått dette. Det vil i tillegg bety at lokalpolitikerne, som i dag, vil fortsette å vurdere dette. Det er en diskusjon som jeg altså mener hører hjemme lokalt i den enkelte kommune.
Det blir replikkordskifte. Høyres representanter trekker fram argumentet om valgfrihet i denne saken, men man bør merke seg at denne saken handler om et knapphetsgode som det er konkurranse om. Derfor er det vanskelig å argumentere med at dette gir en reell valgfrihet til landets elever. Det blir ikke en valgfrihet for alle landets elever når man baserer inntak på dem som har best karaktergrunnlag. Høyre og Fremskrittspartiet trekker fram ett unntak, nemlig sosiale og pedagogiske behov. Men generelt kan man si at dette blir valgfrihet for de få, ikke for alle. Det er verdt å merke seg at både representanten Asheim og statsråden egentlig utelukker muligheten for å kunne ta hensyn til både større valgfrihet for elevene og behovet for å sikre helhetlig styring av skoletilbudet – folkevalgt styring. Jeg har lyst til å spørre statsråden, når han og andre representanter fra Høyre og Fremskrittspartiet argumenterer med elevenes behov: Hvilke behov der elevene bør få velge utenfor sitt eget fylke er det flertallets forslag

Det resonnementet jeg ikke kan forstå, er at det er mer valgfrihet ved at man ber den enkelte elev søke fylkeskommunen om aller nådigst å få lov til å gå på en annen skole. Det beste bidraget til valgfrihet for alle elever ville være at alle fylker i Norge innførte fritt skolevalg. Det kan man gjøre, men der er det en uenighet. Der de rød-grønne får makten, begrenser man elevenes valgfrihet. Der Høyre og Fremskrittspartiet har hatt makten, øker man elevenes valgfrihet. Så er det selvfølgelig et åpenbart poeng at valgfrihet ikke betyr at alle elever i et fylke, hvis alle søker seg til én skole, vil komme inn der. Det betyr det selvfølgelig ikke, men det er allikevel mer rettferdig, mener jeg, at man baserer skoleinntak på karakterer, enn at man baserer det på hvor foreldrene dine har råd til å kjøpe hus eller tilfeldigvis er bosatt. Først vil jeg gjerne beklage at jeg forlenget dagens møte med mellom 5 og 10 sekunder – det skal ikke gjenta seg. Så vil jeg si til statsråden at her har ikke flertallet eller de rød-grønne partiene satt fylkeskommunenes ønsker foran elevene. I denne saken vil flertallet i denne salen, inkludert Arbeiderpartiet, øke elevenes muligheter. Men det som er interessant, er å se hva som er helt fraværende i Høyre og Fremskrittspartiets argumentasjon, nemlig forståelsen av hvordan Norge er skrudd sammen, og behovet for et godt skoletilbud over hele landet. Når det blir færre elever i en region eller et distrikt, fører det til et smalere og dårligere tilbud. Det blir ikke bedre valgfrihet for flertallet av elevene når en linje eller skole må legges ned fordi elevene har søkt seg andre steder. Det går altså ut over flertallet av elevene. I går debatterte Stortinget regionreform. Det vil gi større inntaksområder og bedre utdanningsmuligheter. Hvorfor ville ikke statsråden engang vente på den behandlingen, når vi nå får større regioner og færre fylker?

nå. Så er det en stor diskusjon om fritt skolevalg generelt. Det er ikke noen hemmelighet at Høyre og Fremskrittspartiet ønsker fritt skolevalg også innad i fylkene. Men dette er et mye mer moderat forslag enn det. Her sier man ikke at alle elever skal konkurrere på alle skoler i hele Norge basert på karakterer, man sier at der det er overskuddsplasser, så sier man aller viktigst at fylket har en plikt til å betale. Jeg synes, for å være helt ærlig, at det er ganske rimelig, for en elev som ikke går i fylke A, men velger å gå i fylke B, blir tross alt ikke en utgiftspost i det første fylket. Det er rimelig og fornuftig, og det vil bøte på et helt konkret problem som altfor mange elever opplever. opplever. For det første mener jeg at statsråden her helt overser faren ved det jeg nesten vil kalle skolespekulasjon, at enkelte fylker øker sitt tilbud – ønsker seg større skoler og større linjer og større fagmiljø – for å tiltrekke seg elever fra andre fylker, i konkurranse med nabofylket. For det andre svarte ikke statsråden på mitt første spørsmål. Når Høyre og Fremskrittspartiet – og statsråden her – argumenterer med elevenes behov for å velge over fylkesgrensene, har altså flertallet her lagt fram et forslag, listet opp tilfeller der man mener at elevene skal ha sterkere rett til å velge, og få, skoleplass i andre fylker. Hvilke behov mener statsråden elever har, som ikke er dekket av det forslaget? Det er behovet for å gå på en annen skole. For å ta ett enkelt eksempel: Det kan jo hende at en elev f.eks. har sett på matematikktilbudet ved forskjellige videregående skoler, og sett at: Vet du hva, jeg mener at i Hedmark fylke har den videregående skolen et bedre matematikktilbud enn her i Oppland fylke. Det er ikke et behov som fanges opp av forslaget til flertallet i komiteen, for der må det være helsegrunner eller velferdsgrunner, og så må en ha et søknadssystem. Men hvis det rett og slett er slik at venninnen min bor der borte, jeg har mange gode venner der, jeg har lyst til å gå på den skolen, skolen, fanges det heller ikke opp. Eller skal man ha et søknadssystem hvor man må begrunne for fylkeskommunen at man har flere venner på den andre siden av fylkesgrensen, og derfor skal få rett til å utløse denne garantien som Arbeiderpartiet og SV med flere vil innføre? Jeg mener at det er et dårlig system. Jeg ønsker fritt skolevalg i alle fylker i Norge. Dette er en veldig moderat endring, som gjør at de elevene som ønsker seg over fylkesgrensene, i hvert fall vet at de pengene som fylkeskommunen sparer, må de sende med dem på den andre siden.

frykter. Når vi er kritiske til regjeringens forslag, handler ikke det om en så voldsom omsorg for fylkeskommunen, men for elevene som bor i fylkene. For er det ikke slik at friere elevflyt vil kunne påvirke dimensjoneringen av opplæringstilbudet i de enkelte fylkene? Og hvis det er slik, er det ikke da samtidig en risiko for at noen elever som ønsker å gå på skole i sitt eget fylke, vil kunne få et dårligere tilbud enn det de har i dag? Med dette forslaget er ikke det en problemstilling, rett og slett fordi dette er en gjesteelevgaranti dersom skolene har ledig kapasitet. Med andre ord får man ikke en automatisk rett til å gå på en skole, men det man får, er en rett til å få med seg pengene til. Det er jo egentlig det som er det nye i denne saken, at man sier til fylkeskommunen at de har en plikt til å betale. I dag er det veldig vilkårlig – noen fylker gjør det, noen fylker gjør det ikke. De får en plikt til å betale hvis en elev har valgt seg over til en skole i et annet fylke. Statsråden sa at han var lei av å lese oppslag om at elever som bor i nærheten av én skole, må reise fem, ti, femten mil for å gå på en annen

enkelte skoler ønsker å bygge opp sin kapasitet, nettopp for å trekke til seg elever fra andre fylker. Når vi snakker om «elevenes valgfrihet» – hvilke elever er det som har valgfriheten? Det er jo ikke de som da blir igjen, som ikke har gode nok karakterer til å kunne søke seg til den nærmeste skolen. Det fører til at vi kan bygge ned kapasiteten på enkelte distriktsskoler, som gjør at studietilbud blir nedlagt, og at de som ikke har så gode karakterer, faktisk må gå der. Da lurer jeg på: Hvorfor kan vi ikke bare stramme opp den gjesteelevordningen som vi har i dag? Dette er jo en kraftig oppstramming av gjesteelevgarantien, som en del fylker praktiserer

jo også er at det er en god del elever som ikke får velge. Vi befinner oss nå i en by med et stort segregeringsproblem i skolen, og vi vet fra utdanningsforskningen at det ofte er en fordel at elever med litt ulik bakgrunn får lov til å lære sammen. Det såkalte frie skolevalget er jo ikke et fritt skolevalg, det er et karakterbasert opptak, som på sitt verste segregerer og skaper egne skoler for dem som ligger og egne skoler for dem som ligger dårligere an. Kan ikke statsråden i det minste erkjenne at dette handler om karakterbasert opptak – og ikke fritt valg for alle? ikke fritt valg for alle? Fritt skolevalg innebærer også å ha en måte å finne ut hva man gjør hvis man har oversøking, og det er karakterer, og jeg mener at karakterer er mer rettferdig enn at det er basert på hvor man bor. Jeg synes Oslo er et veldig godt eksempel. I Oslo ville det i realiteten ha innebåret – hvis man hadde kuttet alt som heter fritt skolevalg – at f.eks. skoler som Oslo katedralskole, eller sentrumsskoler som Elvebakken, kun er tilgjengelig for dem som har råd til å kjøpe seg en bolig i sentrum, eller i nærheten, i den skolekretsen. Jeg var på Oslo katedralskole for en stund siden, og da fikk jeg høre historien om hvordan det var i Oslo før man hadde fritt skolevalg. Da var det veldig, veldig mange som søkte seg inn på latinlinjen, hvis jeg ikke husker feil, for på latinlinjen var det nemlig fritt skolevalg fra hele byen, for det var det ingen andre skoler som tilbød. Jeg er veldig glad for at vi opprettholder en tradisjon med latin, men jeg synes ikke man skal måtte søke seg til på en skole bare fordi den ikke ligger i din skolekrets. Nettopp i en segregert by, som Oslo av og til kan virke som, er det desto viktigere med fritt skolevalg. Da er replikkordskiftet omme. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Etter 22 år med Reform 94 og etter at alle regjeringer og storting siden den tid har snakket om at det avgjørende er

Jeg tok opp i en interpellasjon til statsråden i november i fjor at vi også må utvikle bedre tiltak for dem som faktisk står i fare for å falle ut, eller er falt ut. Jeg er veldig glad for at statsråden og komiteen kommer tilbake nå med flere konkrete tiltak for dem også, og at vi kan snakke om dette og ikke bare det som også er veldig viktig: tidlig innsats. Det trengs også bedre medisin på dette området. En av tingene vi snakket om, var praksisbrev. Jeg fikk Stortingets utredningsseksjon til å undersøke hvordan det ligger an med ordningen med praksisbrev rundt i landet. Da de gikk gjennom alle fylkene, fikk de til svar at det var seks fylker som hadde gjennomført forsøk med dette siden ordningen ble innført i 2008. De oppga at det kun var 61 fullførte praksisbrev i perioden, og 34 hadde gått videre for å fullføre lærlingutdanningen, ta fagbrev – altså totalt 95, slik det ble oppgitt av fylkene. I dag har Oslo seks plasser på en bestemt linje, kokkelinjen på Etterstad. Møre og Romsdal har 18 plasser, Rogaland har ni plasser. Det var disse tre fylkene som oppga at de har plasser i dag.

Jeg er også veldig glad for at man kommer tilbake med utvidet grunnskoleopplæring. Det har vært etterlyst. Jeg husker jeg var hos rektor på Stovner skole, som sa at vi har mange hengende rundt skolegården som egentlig har gjort det siden de gikk ut uten karakterer fra grunnskolen og uten grunnleggende kunnskaper. Jeg takker for at man kommer tilbake i dag med to viktige tiltak når det gjelder grunnskole og praksisbrev, og håper at man vil gå videre særlig punkt, at det skal varsles fra dag én når man er i ferd med å falle ut, og at man ikke venter på to eller tre oppsamlingsdatoer i året, noe som gjør at mange går lenge i et tomrom. Vår jobb er å sikre at flest mulig har gode livet. God utdanning til flest mulig er en viktig del av det – til Sander som bor i Vest-Telemark, til Oda i Porsgrunn og til Noora og William i Oslo. Da jeg var fylkesvaraordfører i Telemark, hadde vi ett viktig skolepolitisk mantra, og det var god utdanning i nærheten et mantra vi hadde, ikke for fylkeskommunenes skyld, ikke for fylkespolitikernes skyld, men for elevenes skyld. Det høres ut som en selvfølge, men det var krevende å få til i et fylke, som i de aller fleste andre fylkene i Norge, med store avstander, spredt bosetting, konsentrerte byområder og store distriktsområder. Dette var utgangspunktet. utgangspunktet. I tillegg måtte vi ta høyde for synkende elevtall, manko på læreplasser og ikke minst – og selvfølgelig – ungdommens utdanningsvalg innenfor hele 13 utdanningsprogrammer. Det er et finmasket system. Det krever planlegging, og man er avhengig av den forutsigbarheten man kan få for å gi flest mulig et godt tilbud. Jeg er derfor enig med flertallet av fylkeskommunene, som er skeptisk til å legge til rette for fritt skolevalg på tvers av fylkesgrensene. Jeg er redd for at det vil kunne føre til større utfordringer med dimensjonering av skoletilbudet enn det vi har allerede i dag noe som vi vet kommer til å gå ut over elevene og kanskje dem som bor i de aller mest sårbare inntaksområdene i et fylke, og kanskje spesielt innenfor de yrkesfaglige studieprogrammene. Det er også sånn at et sånt system kommer til å gå ut over de elevene som har dårligst utgangspunkt til å konkurrere på karakterer. Og spørsmålet blir da: fritt skolevalg for hvem? Dette betyr ikke at Arbeiderpartiet ikke mener det er behov for en opprydding i praksis og regelverk for hvordan man skal håndtere gjesteelever. Det er en kjensgjerning at det rundt om i landet praktiseres ulikt, og det er heller ikke riktig. Derfor sier Arbeiderpartiet ja til å sikre elever en sterkere rett til å søke skoleplass over fylkesgrensene, men at det skal gjelde færre og klart definerte til. Det er på den måten vi sikrer skoletilbudet for flest mulig. Det er på den måten vi sikrer frihet, ikke bare for noen, men for flest mulig. Jeg har vært lærer i videregående, og jeg vet litt om hva som er

på den skolen som vennene går på – og som de har gått sammen med på skolen før. Jeg var sjøl med i min egen kampanje da jeg begynte på videregående, for å havne i klasse med mine venninner – for å kunne ha den samme gjengen å være med. Det er det vanlige. Man søker på den nærmeste skolen. Av og til trenger ungdommer litt motivasjon for faktisk å velge noe annet, fordi det er noe annet som utfordrer potensialet i dem. Så har jeg vært fylkespolitiker. Jeg har sittet med søknadsbunken for dem som ønsker å velge noe annet, de som faktisk ønsker å gå på en skole som ligger et stykke unna. Det er noe av det mest hjerteskjærende jeg har holdt på med, spesielt som fylkespolitiker i Nord-Trøndelag, hvor jeg var den eneste som faktisk mente at de skulle få lov til å velge noe annet. Høyre stemte meg ned med brask og bram, for vi skulle holde oss til Nord-Trøndelag. Da satt jeg med søknader fra ungdommer som hadde opplevd mobbing gjennom hele ungdomsskoletida. De syntes det var helt forferdelig at de skulle gå sammen med den samme gjengen på videregående, man ønsket å bo hos bestemor bare for å begynne på noe nytt – ungdommer som hadde lyst til å skifte miljø fordi de og foreldrene egentlig var enige om at det nå kanskje var på tide å skifte miljø for ikke å havne utpå, ta feil retning. Alle søknadene som lå foran oss i den søknadsbunken, søknadene om å få bryte med det firkantede geografiske systemet, var historier om enkeltskjebner som valgte noe annet fordi det var viktig i livet deres. Det var like hjerteskjærende hver gang man svarte nei og de fikk beskjed om at de måtte gå på den samme skolen som de hadde gått, med den samme gjengen som de hadde gått sammen med på ungdomsskolen, sjøl om de ikke trivdes med det. Hvis noen av en eller annen grunn har lyst til å flytte langt eller annen grunn har lyst til å flytte langt eller lyst til å velge en annen skole, har de vanligvis en begrunnelse som vi burde ha respekt for, for de fleste ungdommer vil velge den nærmeste. De fleste ungdommer vil velge å gå i klasse med sine venner. De fleste ungdommer burde egentlig dyttes til å tørre å velge noe nytt, ikke bare velge den samme gjengen. ser vi gang på gang at når noen faktisk tar det skrittet og beveger seg litt lenger geografisk for å kunne få en ny sjanse, er det reglementene, fylkeskommunenes egenart og alle de strenge formene vi skal putte dem inn i. Jeg mener at vi skal ha respekt for dem som ønsker å ta det valget uansett hvilken begrunnelse de egentlig

å ha et fleksibelt opptakssystem uten en rent karakterbasert ordning, som i praksis er den sterkestes rett, og som – hvis den slår ut på sitt mest uheldige – bidrar til en segregering i skolen som vi ikke trenger, fordi det er bra å ha en skole der elever med ulik bakgrunn går sammen. Da er det selvfølgelig ikke sånn at noen vil ha et system der alle som bor rundt Katedralskolen i Bergen eller «Katta» i Oslo, er de eneste som skal få lov til å komme inn der. Jeg gikk på en av sentrumsskolene i Bergen da jeg gikk på videregående skole. Der var vi elever fra hele byen, til og med fra hele fylket – elever med ulik bakgrunn, med ulike karakterer, men det var grunnleggende sunt. Høyres system skaper eliteskoler. Det som ligger under dette forslaget, er et mål om å dytte den modellen på flere fylker.

av et fylke, opp mot den valgfriheten vi mener at elevene bør ha. La meg først si at jeg synes det er bra at det ryddes opp i en del ting. Et av eksemplene på en elev som ikke fikk velge på grunn av et rigid system som egentlig ga helt urimelige konsekvenser, var den eleven som ble skrevet om i VG, fra Lødingen nord i Nordland, som måtte dra helt sør i Nordland, Norges lengste

andre tilfeller. Men jeg må si: I replikkvekslingen med statsråden mener jeg at det han først omtalte som et moderat forslag, i svarene hans gikk fra å være moderat til å være mye mindre moderat. Det er helt åpenbart at det først og fremst dreier seg om et karakterbasert inntak uten fylkesgrense, med noen beskrankninger, f.eks. ledig kapasitet i det fylket som skal ta imot. Men der er det som sagt fare for en ren konkurranse. Hvis man har sett søknadsmønsteret i fylkene, særlig fylkene som har både distrikt og byer, vet man at for mange fylkespolitikere er det en kamp for å sørge for å sikre et skoletilbud i hele fylket – nettopp for å sikre at elever skal slippe å reise langt eller flytte og bo på hybel for å kunne ta imot et videregående skoletilbud. Og når man gir plikt til å betale, gjør man det vanskeligere å finansiere

tilfeldighetene har slått ut fordi det er ulike politiske flertall i ulike fylker, som praktiserer gjesteelevsgarantier, dimensjonering og fritt skolevalg på svært ulik måte, og derfor gjør det veldig tilfeldig. Hvis vi skal stå på Stortingets talerstol og liste opp hva vi mener er gode grunner for at man skal kunne få mulighet til å velge litt friere enn man kan i dag ja, så greier man selvfølgelig aldri å inkludere alle de hensynene og alle de vurderingene som de ulike elevene representerer. Det som jeg synes er en veldig sterk logisk brist, er den retorikken som utøves fra talerstolen om at man har såkalt karakterbasert opptak ved denne ordningen. Vel, det er nå engang sånn at man har karakterbasert opptak i alle fylker til videregående skoler. Det er ingen som søker til en videregående skole uten at karaktergrunnlaget er med på å avgjøre om man kommer inn på den linja man søker på eller ikke. Det er mange linjer som har oversøkning, og der man faktisk ikke får lov til å gå på nettopp den linja fordi man ikke har gode nok karakterer, og det er også derfor vi har ni ulike valgmuligheter fordelt på tre ulike programfag når man søker seg inn til videregående opplæring. Så det er allerede konkurranse i dag på karakterer, og jeg greier ikke å se at det forslaget som vi nå har til behandling her, er med på å rokke ved det. Jeg synes det er et godt prinsipp. Det bør være muligheter for hver enkelt elev til å kunne strekke seg hvis man ønsker å gjøre et annerledes valg. Da kan man ha mulighet for å stå på på skolen, skaffe seg de karakterene som er nødvendig for å kunne komme inn på den linja, og så slipper vi å stå her og drive å liste opp hva som er gode og dårlige grunner. Det bør det ikke være politikere som skal gjøre. Vi må respektere alle unges ønsker og deres vilje til å være litt annerledes og gjøre noen valg. Derfor håper jeg selvfølgelig at vi ikke bare får gjennom denne ordningen, men at vi i framtiden skal få enda friere skolevalg. Det fortjener norsk ungdom.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

Regjeringen foreslår endringer som bl.a. dreier seg om kvalitetsutvikling ved institusjonene, og hvordan tilsyn skal organiseres dreier seg om hjemmel til å lette stipendiaters arbeidsmuligheter etter endt doktorgrad dreier seg om opprettelse av en digital vitnemålsportal, samt flere andre ulike bestemmelser i loven Jeg vil takke komiteen for godt og konstruktivt samarbeid og peke på at det er stor grad av enighet og tilslutning til endringsforslagene fra regjeringen. regjeringen. Flere av lovendringsforslagene regjeringen fremmer i proposisjonen, følger av strukturmeldingen, som vi behandlet i Stortinget i fjor, der regjeringen varslet en gjennomgang av regelverket for å sikre at institusjonene i tilstrekkelig grad gjennomfører det kvalitetsarbeidet som følger av de faglige fullmaktene. En av de endringene som gjøres, er å utvide styret i NOKUT, som er det nasjonale organet for kvalitet i utdanningen, med ett medlem, for å sikre representasjon også fra fagskolestudentene. fagskolestudentene. Fra nå av vil altså studenter fra både universiteter, høyskoler og fagskoler være representert i NOKUTs styre, og det er både rett og rimelig. Et annet grep som gjøres, er å endre modellen for NOKUTs tilsyns- og akkrediteringsarbeid for å presisere at NOKUT skal føre tilsyn med institusjonenes samlede kvalitetsarbeid. En samlet komité stiller seg positiv til økt vektlegging av kvalitet, men vi merker oss de innspillene som har kommet som problematiserer at kvalitetsbegrepet ikke er tydelig definert i loven. Derfor presiserer komiteen at det er behov for god involvering av universitetene og høyskolene i NOKUTs operasjonalisering av begrepet kvalitetsarbeid før det gjennomføres tilsyn etter den nye modellen. modellen. Når det gjelder endringer i beregning av tjenestetid for stipendiater, dreier det seg om å rette på det jeg mener er en skjevhet i dagens system. Etter dagens lovverk regnes doktorgradsutdanning ved universiteter og høyskoler som tjenestetid etter tjenestemannsloven. Det har den uheldige konsekvens at stipendiater ofte ikke får kortvarige engasjementer rett etter endt utdanning, og at institusjonene må skyve lovende kandidater fra seg, med mindre de har en fast stilling å tilby. For regjeringen har det også vært et viktig poeng å legge til rette for åpen konkurranse om vitenskapelige stillinger i sektoren. Det å styrke kvaliteten i høyere utdanning er en hovedprioritering for regjeringen, og denne lovproposisjonen er en liten brikke i det store arbeidet som for tiden gjøres i sektoren. Regjeringen har lagt frem en langtidsplan for høyere utdanning og forskning, med djerve mål og kvalitet som stikkord. Også strukturendringene i universitets- og høyskolesektoren dreier seg om å få flere gode fagmiljøer og sikre bedre kvalitet i våre høyere utdanningsinstitusjoner. I regjeringens arbeid med ny lærerutdanning var et av grepene at man skulle gjennomføre nasjonale deleksamener i enkelte fag eller emner. Målet er å kunne sammenligne studier institusjoner imellom, slik at man kan bruke hverandres erfaringer til å videreutvikle studietilbudet. studietilbudet. Det vil kunne gi verdifulle bidrag i arbeidet med å heve kvaliteten i universitets- og høyskolesektoren. Derfor foreslår regjeringen å innføre en generell hjemmel til å kunne pålegge institusjonene nasjonale deleksamener i enkelte emner. Det er verdt å peke på de gode erfaringene NOKUT har fra nasjonale deleksamener i bachelor i revisjon og regnskap og bachelor i sykepleie, men det er ikke et mål å innføre nasjonale deleksamener i enhver sammenheng. sammenheng. Det har vært delte meninger om bruken av nasjonale deleksamener, og det er viktig å understreke at dette verktøyet må brukes klokt og i tett samarbeid med fagmiljøene. Til slutt vil jeg nevne at det skal opprettes en nasjonal vitnemåls- og karakterportal, som skal bidra til en tryggere og enklere måte for kandidatene å synliggjøre sine resultater på for potensielle Alt i alt er dette lovendringer som i sum bidrar til å styrke kvaliteten i høyere utdanning. Det aller beste vi kan gjøre for å sikre verdiskaping og velferd i fremtiden, er å satse på utdanning og forskning, der god kvalitet må ligge til grunn. Det gjør regjeringen i bred forstand. Regjeringen styrker skolen og lærerne, og vi styrker både investeringene og kvaliteten i høyere utdanning og forskning. og forskning. Denne lovendringen er som sagt en liten brikke i et av hovedprosjektene til regjeringen, som dreier om å legge grunnlaget for hva vi skal leve av i fremtiden. Og det er
har gitt oss en god oversikt over hva denne lovendringen handler om, så det vil jeg ikke bruke tid på. Derimot vil jeg takke saksordføreren for et godt samarbeid i komiteen der det har vært behov for presiseringer fra komiteens side. De fleste av lovendringene regjeringen har lagt fram, er av uproblematisk karakter, slik Arbeiderpartiet ser det, med ett unntak. Endringene knyttet til nasjonale deleksamener er det punktet hvor det har vært mest engasjement i forkant. Bakteppet for dette er at for noen få fag og studier i Norge forventes det at utdanningen i sin helhet er mer eller mindre lik, eller i utvalgte emner er tilnærmet lik. Noen fag styres av detaljerte rammeplaner, og noen profesjonsfag er det knyttet autorisasjon til. Det foreligger med andre ord en forventning til en spesifikk kompetanse og et kunnskapsnivå for den som har gjennomført og bestått eksamen. Samtidig er dette fag som, i likhet med alle andre fag, skal ha akademisk frihet. Dette kan oppleves å være i strid med hverandre. Det er særlig på lærerutdanningene debatten har gått. Det vil nå bli innført nye rammeplaner for grunnskolelærerutdanningene, og i den forbindelse ønsker regjeringen større bruk av nasjonal Arbeiderpartiet ser fordeler med å innføre en slik eksamen i nøye utvalgte emner. Det kan være med på å sikre økt kvalitet, og det vil være mulig å sammenligne i større grad samme studie på ulike institusjoner. Men i høringssvarene var det til dels sterk motstand mot å innføre slike nasjonale deleksamener. Dette begrunner flere instanser med at den akademiske friheten trues av en slik standardisert eksamen som skal være lik uansett lærested og institusjon. Dessuten advarer pedagogiske fagmiljøer mot at det er en fare for at undervisningen tilpasses eksamensformen, og at eksamensformen vektlegges mer enn den faglige vurderingen av læringsutbyttet. Det er en innvending jeg mener er høyst relevant. Derfor må nasjonale deleksamener brukes med omhu og kun der det gagner formålet. Arbeiderpartiet er fornøyd med at Stortinget understreker at nasjonale deleksamener bare bør brukes i et begrenset omfang og først og fremst i fag som styres av rammeplaner Det er allerede satt i gang pilotprosjekter, og erfaringene fra pilotprosjektene må vektlegges ved eventuell videreføring av disse og innføring av deleksamen i nye utdanninger. For å lykkes med å gjøre endringer med stor motstand er det avgjørende å samarbeide tett med dem endringene skal gjelde for. Skal nasjonale deleksamener lykkes etter hensikten, er det viktig at fagmiljøene har innflytelse på utviklingen og gjennomføringen av dette. God forankring i fagmiljøene vil hindre at innføring av nasjonal deleksamen griper inn i institusjonenes studietilbud på en utidig måte eller fører til en ensretting av utdanningene. Så håper jeg at vi vil få nasjonale deleksamener i fag hvor det egner seg, og at man avstår fra dette i fag det er dårlig begrunnet. Nettopp derfor er det viktig at pilotprosjektene blir gjennomgått og evaluert på en god måte, og at Jeg er glad for at det ikke er støtte til regjeringens opprinnelige forslag om nærmest en blankofullmakt til å pålegge slike nasjonale deleksamener i alle fag. Slike nasjonale deleksamener kan fungere på spesifikke fagområder, på noen utdanninger, men å åpne opp for dette i alle fag framstår for meg som unødvendig, og det virker fort provoserende på en sektor som opplever at akademisk frihet presses fra ulike hold. Jeg er derfor glad for at man i innstillingen tydelig begrenser muligheten til å innføre nasjonale deleksamener generelt. generelt. Til sist noen få ord om midlertidighet og endringer som gjøres i beregning av tjenestetid for stipendiater. Andelen midlertidighet er altfor høy i UH-sektoren. Den er bekymringsfull, og det gir enda mer grunn til uro at andelen har blitt høyere de to siste årene. På den måten framstår ikke sektoren som attraktiv for nyutdannede, og det er svært uheldig siden vi trenger de dyktigste akademikerne inn i forskningsmiljøene. Jeg vil påpeke at det er uenighet mellom departementet og partene i arbeidslivet om hvordan denne endringen i beregningen av tjenestetid vil slå ut. Forskerforbundet frykter det kan føre til økt bruk av midlertidighet. Departementet er av en annen oppfatning. Jeg vil anmode statsråden om å ta denne problemstillingen på dypeste alvor, samt følge med på utviklingen. Hvis det viser seg at Forskerforbundet og NTL får rett i sin bekymring, bør statsråden vurdere mottiltak raskt, eventuelt være villig til å reversere nyordningen av beregningen av tjenestetiden for stipendiater.

Fremskrittspartiet er glad for at en samlet komité deler synet på at det er viktig å sikre fagskolestudentene representasjon i NOKUTs styre. Fremskrittspartiet er opptatt av å få flere til å velge fagskoleutdanninger. Å sikre fagskolestudentene de samme rettigheter og representasjon i viktige organer som studenter på høyskoler og universiteter, er et viktig virkemiddel i denne sammenhengen. Fremskrittspartiet er også fornøyd med den Fremskrittspartiet er også fornøyd med den store vekten som nå legges på kvalitetsarbeid. Vi må huske på at norsk nærings- og arbeidsliv i høy grad er kompetansedrevet. Det krever at vi har utdanningsinstitusjoner av høy kvalitet. Norge må derfor ha som ambisjon å ha skoler og universiteter i verdenstoppen. Bedre studiekvalitet er en vesentlig faktor for å sikre arbeidslivet tilgang på kompetansearbeidskraft, som er nødvendig for framtidig verdiskaping. I dette arbeidet er regjeringens forslag om å endre NOKUTs tilsynsansvar overfor institusjonene fra kvalitetssikringssystem til kvalitetsarbeid et godt initiativ. Fremskrittspartiet støtter komiteens understreking av behovet for god involvering av universitetene og høyskolene i NOKUTs operasjonalisering av Fremskrittspartiet mener det er viktig at slikt tilsyn skjer etter forutsigbare kriterier og med respekt for institusjonenes selvstendighet. Vi merker oss også at Universitetet i Oslo peker på at lovendringen kan lede til «en form for standardisering, der kvalitetsbegrepet – av hensyn til muligheten for å gjennomføre et tilsyn – ikke knyttes til programmenes faglige profil, forskningsorientering og kontekstuelle forhold.» er forståelige og viktige innvendinger, som det er viktig å hensynta. Fremskrittspartiet vil samtidig påpeke at det er nødvendig med nye initiativer i kvalitetsarbeidet. Rapporten «Oppfatninger om kvalitet i høyere utdanning» – NOKUT, 2013 – viser dessverre at kvaliteten i høyere utdanning ikke har utviklet seg i tråd med intensjonene i Kvalitetsreformen. Dette gir grunn til bekymring, og viser at utdanningsinstitusjonene ikke har omsatt mulighetene Kvalitetsreformen ga dem til å styrke kvaliteten i tilbudet til studentene. Fremskrittspartiet vil også vise til at et bredt flertall av høringsinstansene støtter regjeringens forslag. Vi vil samtidig understreke at dette bare er et av mange ledd i arbeidet for å styrke kvaliteten i høyere utdanning. Fremskrittspartiet deler departementets vurdering om at det er viktig å legge til rette for åpen konkurranse om vitenskapelige stillinger i sektoren. Vi mener regjeringens forslag vil bidra til nettopp det, noe som vil styrke kvaliteten i sektoren. Fremskrittspartiet vil påpeke at departementet vurderer det slik at forslaget ikke vil påvirke det totale nivået på midlertidighet i sektoren i negativ retning. I den sammenheng vil Fremskrittspartiet også vise til at regjeringen har sendt på høring endringer i tjenestemannsloven som legger til rette for mindre midlertidighet i universiteter og høyskoler. Fremskrittspartiet er glad for at flertallet i komiteen ser at nasjonale deleksamener i enkelte utdanninger kan være et verdifullt bidrag i kvalitetsarbeidet. Informasjon fra nasjonale deleksamener gir fagmiljøene mulighet til erfaringsdeling og videreutvikling av Et annet poeng med dette, som vi i Fremskrittspartiet vil understreke, er at nasjonale deleksamener vil bidra til større fleksibilitet og sømløse overganger mellom flere utdanningsinstitusjoner. Dette mener vi bidrar til økt kvalitet og til større forutsigbarhet og valgfrihet for både studenter og ansatte. Fremskrittspartiet merker seg også at flere instanser begrunner sin motstand mot nasjonale deleksamener med at den akademiske friheten trues når det innføres standardmodeller. Fremskrittspartiet er enig i at dette kan være et faremoment, men vil understreke at nasjonale deleksamener kun skal innføres der det er naturlig, og at arbeidet med dette må gjøres i tett samarbeid med de enkelte institusjonene. God forankring i fagmiljøene vil hindre at innføring av nasjonal deleksamen griper inn i institusjonenes studietilbud på en uheldig måte eller fører til en ensretting av utdanningene. Takk til saksordføreren for en godt utført jobb. Dette er

er fullt så gode. Kristelig Folkeparti støtter forslaget om å utvide NOKUTs styre, slik at også fagskolestudentene blir representert. Det er et godt forslag. Vi støtter forslaget om å endre NOKUTs modell for tilsyn og kvalitetsarbeid, men vi merker oss at flere høringsinstanser bemerker at kvalitetsbegrepet ikke er tydelig definert i loven, og at rammene for NOKUTs tilsyn dermed kan framstå som noe uklare. Universitetet i Oslo frykter at lovendringene kan bidra til en form for standardisering. Menighetsfakultetet er inne på noe av det samme når de er opptatt av at god kvalitet ikke nødvendigvis må innebære identisk kvalitet. Derfor mener jeg det er behov for å understreke både det at NOKUTs krav må framstå som forutsigbare for sektoren, og at tilsynsmandatet ikke må utformes på en måte som truer institusjonenes egenart og autonomi. Kristelig Folkeparti støtter også forslaget om at bachelorgrad skal være minste enhet for akkreditering av nye utdanningstilbydere. Vi støtter også endringen som innebærer at den tiden stipendiater benytter til egen doktorgradsutdanning, ikke regnes med i beregningen av tjenestetid. Det er flere grunner til at vi mener det er en riktig endring. Men det viktigste er at det er en høyst reell problemstilling at unge, lovende forskere ikke får jobb fordi institusjonene de har vært stipendiat ved, ikke våger å tilby dem et engasjement etter endt stipendiatperiode, med mindre de har en fast stilling å tilby. Det er nettopp fordi det sterke oppsigelsesvernet inntrer umiddelbart. Jeg har respekt for dem som frykter at dette vil føre til økt midlertidighet i sektoren, men jeg mener det er andre virkemidler som må til for å adressere den utfordringen. utfordringen. Når representanten Marianne Aasen peker på at det er et problem at sektoren framstår som lite attraktiv for nyutdannede på grunn av utstrakt bruk av midlertidighet, er jeg helt enig i det. Men det gjør det jo ikke noe bedre at institusjonene også vegrer seg for å ansette nyutdannede forskere fordi oppsigelsesvernet er så sterkt Så merker jeg meg – og er veldig fornøyd med – at regjeringen har sendt på høring forslag til endringer i tjenestemannsloven som har som mål å legge til rette for mindre midlertidighet ved universiteter og høyskoler. Kristelig Folkeparti støtter ikke forslaget om å gi departementet en generell hjemmel til å innføre nasjonale deleksamener. Dette er et forslag som møter massiv motstand fra høringsinstansene. høringsinstansene. Jeg frykter at den foreslåtte lovendringen vil føre til mer standardisering og svekket autonomi. Jeg er også redd for at den kompetansen som kartlegges i de nasjonale eksamenene, vil bli tillagt større vekt i undervisningen, og at det vil gå på bekostning av den kompetansen som ikke nødvendigvis kan testes og måles på standardisert vis. Departementet synes det er topp at den foreslåtte lovendringen kan gi grunnlag for mer utstrakt sammenligning av ulike utdanningsinstitusjoner, men jeg er nok mer enig med Forskerforbundet og deler bekymringen for at økt grad av rangering tvert imot kan være negativt og bidra til uheldige endringer i undervisningen. Til slutt vil jeg si noen få ord om forslaget om å opprette en nasjonal vitnemåls- og karakterportal. Jeg mener det er et godt forslag. forslag. Jeg tror det kan være et viktig bidrag i arbeidet med å hindre forfalskning av vitnemål- og karakterutskrifter. Men som en enstemmig komité også understreker, er det svært viktig at personvernet til eierne av vitnemålene er tilstrekkelig ivaretatt. Som det har vært sagt flere ganger, er

Komiteen har sagt i innstillinga at vi ønsker at universitet og høgskoler skal involveres på en god måte når det gjelder innhold og beskrivelsen av begrepet «kvalitetsarbeid». Det er viktig at tilsynet skjer etter forutsigbare kriterier med respekt for institusjonens sjølstendighet og ansvar. Politisk har ikke komiteen sagt noe om hva vi mener med kvalitet i høgere utdanning. Derfor blir det – i alle fall det for meg – litt uklart hva disse forutsigbare kriteriene skal være. Det samme gjelder akkreditering. Her skal også NOKUT inn for være. Det samme gjelder akkreditering. Her skal også NOKUT inn for å være en siste skanse som skal kvalitetssikre et studium. Departementet mener i saken at «sammenligning» er en god metode for tilsyn. Å innføre nasjonale deleksamener i enkelte fag eller emner bidrar til å bruke sammenligning som metode. Dette er vi kjent med fra dagens grunnskole, der nasjonale prøver brukes til rangering – i hvert fall i media – sjøl om prøvene ikke er laget for dette formålet. Det er derfor svært viktig at prøvene er begrensede og innrettet på snevre områder. Vi leser at miljøene som har gjennomført nasjonale prøver i regnskap og revisjon og bachelor i sykepleie, er veldig fornøyd og har bedt om deleksamener i disse to studiene i 2016 og 2017. Senterpartiet er positiv til å kunne bruke nasjonale prøver som et tiltak for å heve kvaliteten i universitet- og høgskolesektoren akkurat nå, men vi forbeholder oss retten til å se hvordan dette utvikler seg. Å kunne be om disse nasjonale prøvene sjøl synes som en mye bedre idé enn å bli pålagt dem. Høringssvarene viser også at det er til dels sterk motstand mot å innføre slike nasjonale prøver, og en er redd for at den akademiske friheten skal trues. Det er derfor viktig for komiteen og statsråden å legge seg dette på minne. Det er veldig viktig at den akademiske friheten ikke trues, og at undervisningen blir tilpasset eksamensformen. Derfor er vi også veldig kritisk til at det kan innføres gebyrer dersom ikke slike deleksamener blir innført. Senterpartiet mener også at slike nasjonale prøver kun må brukes i begrenset omfang. Vi mener det vil være bra om prøvene kan rullere mellom fag og emner, og at det kan være et minimum av slike prøver per år. Vi vil også at tidspunktet for disse prøvene varsles ved studiestart, sånn at de kan legges inn i institusjonenes studieplaner – dette fordi vi ikke kan ha det som nå, at studenter er i praksis eller på ekskursjoner når nasjonal prøve i matematikk skal holdes. Jeg har fått tilbakemelding om at så har skjedd. Studentene har i mars fått vite at de skal prøves i brøkregning i mai, midt i lesingen til øvrige eksamener og når deler av studentene er på naturfagekskursjon et annet sted i landet. Så uproft kan vi ikke ha det dersom disse nasjonale prøvene skal være så viktige. Så til akkreditering. Det er viktig at vi minner om universitetenes rett til å akkreditere studier sjøl. Samtidig reiser det spørsmål i og med at det pågår en sammenslåingsreform der Norge i framtida vil ha i underkant av en håndfull offentlige høgskoler igjen, mens resten er universitet. Det er derfor veldig viktig at universitetenes rett til sjølakkreditering ikke fører til strengere krav for gjenstående høgskoler med f.eks. lærerutdanning enn gamle høgskolers krav til lærerutdanning, når disse er sjølakkreditert som en del av et nytt sammenslått universitet. Det må ikke bli sånn at høgskolestudiene må gjennom en godkjenning hos NOKUT, mens det ikke blir stilt samme krav til de sammenslåtte Så er det sikkert flere enn meg som vet at det jobbes på spreng med søknadsskriving for akkreditering av nye lærermastere. Dette gjøres uten at de har verken forskrift eller retningslinjer foran seg. Det tilsier at prosessene går veldig fort i svingene nå. Sånn sett kan det være bra at det er signalisert fra NOKUT at alle lærermastere, også de som institusjonene har opprettet sjøl, vil bli underlagt tilsyn ganske raskt etter at studiene har startet opp. Jeg begynte med å advare mot at vi kan få en for ensrettet universitets- og høgskolesektor, særlig for profesjonsutdanningene. Jeg mener vi skal være bevisste på det. Alle mener kvalitet er viktig, men det er vanskelig for oss å si hva som er riktig og god kvalitet. At institusjoner er ulike, har ulik praksis og ulik tilnærming, gir oss et mangfold som kan drive samfunnet framover og gi oss nye måter å se det på. Det kan ikke være et mål at alle på alle skoler, universiteter og høgskoler skal lære det samme til samme tidspunkt og på samme måte. Mener vi dét er kvalitet, er vi etter Senterpartiets mening på ville veier. Først vil jeg takke saksordføreren for ryddig å ha lost oss igjennom denne saken. saken. Så vil jeg vise til representanten Aasens innlegg, som jeg synes på en veldig god måte redegjorde for dilemmaene rundt deleksamener. Bakgrunnen for at man ønsker deleksamener, er kontroll på å heve kvaliteten på de aktuelle utdanningene. Samtidig skal man ikke undervurdere de motforestillingene som har kommet mot deleksamener, dem skal vi ta på alvor.

gå inn for deleksamener, er et ønske om å få til gode utdanninger og få kvaliteten på utdanningene der vi vil ha dem. Ta lærerutdanningen som et eksempel: Hvis vi kan stole på at de lærerne som er ferdig med utdanningen, har den kompetansen samfunnet trenger, må det i andre enden kunne medføre at vi kan kutte ned på testingen og byråkratiet i skolen.

og ikke minst at pilotprosjektene – som vi så langt har fått gode tilbakemeldinger på – vektlegges. Man må ta inn over seg de erfaringene som er gjort i så måte. Det er viktig å understreke at fagmiljøene selvfølgelig må ha stor påvirkning på hvordan utviklingen og gjennomføringen av disse deleksamenene skal være. Det er tross alt de som kjenner dette best og hvor skoen trykker mest. Vi har bedt regjeringen om å orientere Stortinget om erfaringene etter 2017 når disse pilotprosjektene er avsluttet. Det gir en trygghet om at dette er noe som regjeringen følger med på. bare for å drive med deleksamener, det er noe som må fylles opp hele veien for å sikre at vi oppnår det vi ønsker. Jeg har lyst til å kommentere litt dette med tjenestetid for stipendiater, for det synes jeg også er en vanskelig sak. Regjeringen har foreslått endringer i beregningen av tjenestetiden. Bakgrunnen for det er at stipendiatene skal være mer aktuelle for engasjementer etter avsluttet utdanning. Samtidig mener vi at vi må ta på alvor de bekymringene som har

mener at midlertidigheten vil øke ved en sånn endring og være med på å forsterke det midlertidighetsproblemet som allerede er i denne sektoren. Et flertall er positiv til denne endringen, men jeg vil anmode statsråden om å følge dette veldig nøye. For selv om man i dag har et flertall bak seg i Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, ser vi en felles intensjon i hele Stortinget når det gjelder ønsket om å få ned midlertidigheten. Vi vet at dette er en sektor som over tid har slitt med midlertidigheten og ikke fått bukt med den. Hvis vi skal ha det kunnskapssamfunnet vi snakker om, og klare de omstillingene som samfunnet vårt må igjennom, må vi ha en sterk og god UH-sektor. Vi må tiltrekke oss de beste og mest attraktive forskerne. Da må må tiltrekke oss de beste og mest attraktive forskerne. Da må vi gjøre noe med den utfordringen som midlertidigheten er i dag, og har vært lenge. Det er en formidabel utfordring som statsråden står foran. Jeg er langt ifra sikker på at dette vil bidra positivt i så måte, men jeg ber innstendig om at man følger nøye med, og at man eventuelt er i stand til å reversere hvis man ser at dette går i helt feil retning.

to ting jeg kort vil vie lite grann oppmerksomhet. Det ene er spørsmålet om beregning av tjenestetid for stipendiater. Der viser høringen at påstand står mot påstand knyttet til hvordan dette vil slå ut. Vi har valgt å vise til de bekymringene som har kommet fram, bl.a. fra Forskerforbundet og De sier at de er direkte uenig i vurderingen av hva slags konsekvenser dette vil ha for midlertidighet. Regjeringen sier at dette vil være et positivt grep i arbeidet mot midlertidighet, at det i hvert fall ikke fører til økt midlertidighet, mens Unio på sin side frykter at konsekvensene av regelendringen vil være at det blir en økt adgang til å tilsette forskerrekrutter i ulike midlertidige stillinger. Det er en hovedutfordring for oss å gjøre noe med den utbredte midlertidigheten i UH-sektoren. Statsråden og jeg var på en debatt med en rekke yngre forskere senest i forrige uke, som er sterkt bekymret for dette, og som legger sterk vekt på det ansvaret vi politikere har for å gjøre det mulig å kombinere en forskerkarriere med en viss forutsigbarhet, som mange savner i dag. Vi går rett og slett glipp av mange forskertalenter i Norge i dag fordi midlertidigheten er så høy. Vi risikerer i hvert fall at vi ikke får det beste ut av mange av talentene våre. Jeg vil be statsråden om å følge veldig nøye med på dette og ikke legge prestisje i den løsningen som her er foreslått, hvis det skulle vise seg at den ikke bidrar i den retningen som regjeringen har beskrevet i proposisjonen. Det andre spørsmålet det har vært en viss kontrovers rundt, er dette med nasjonale deleksamener i enkelte fag eller emner. Jeg kan se argumentene for noen sterkere styringsverktøy for nasjonale myndigheter inn mot sektoren, og vi skal følge nøye med på hvordan dette slår ut. Vi ser også at det har vært noen positive erfaringer. Vi er likevel kritiske til en generell hjemmel, og det knytter seg til en rekke av de innvendingene som har kommet opp opp i debatten, særlig frykten for en større grad av standardisering i en sektor der det også finnes veldig mange positive sider ved den friheten institusjonene har til å utvikle sine fag i ulike retninger. Vi er positive til en høy grad av autonomi.

og at de derfor bør rullere mellom ulike fag og emner og ha en klar begrensning i omfang per år. Det vil være av stor betydning at departementet følger nøye med for å unngå at dette fører til en ensretting av utdanningene. Vi synes også det er viktig at tidspunkt for prøvene varsles i god tid, sånn at institusjonene kan innpasse prøvene i sine studieplaner. I Prop. 81 L for 2015–2016 fremmer regjeringen forslag om endringer i universitets- og

Hensikten med lovendringen er ikke å utvide NOKUTs fullmakter eller å innskrenke utdanningsinstitusjonenes akademiske frihet. Det jeg ønsker å presisere i loven, er at NOKUT skal føre tilsyn med at det oppfølgende kvalitetsarbeidet faktisk fører til bedre utdanningskvalitet. Jeg er enig med komiteen i at det er viktig med god involvering av utdanningsinstitusjonene når NOKUT skal operasjonalisere sitt tilsyn med kvalitetsarbeidet, slik at det foreligger en omforent forståelse av kvalitetsarbeidet, og at tilsynet skjer etter forutsigbare kriterier. Regjeringen foreslår at det kan bestemmes i forskrift at doktorgradsutdanning ikke skal regnes som tjenestetid etter tjenestemannsloven. Det vil gjøre det lettere for stipendiater å få jobb ved universiteter og I dag blir tid brukt til egen doktorgradsutdanning regnet som tjenestetid etter tjenestemannsloven. Etter samme lov får midlertidig ansatte med mer enn fire års tjeneste såkalt sterkt oppsigelsesvern. Det gjør i praksis at universitetene og høyskolene må skyve lovende unge kandidater fra seg, med mindre de har fast stilling å tilby. For mange nyutdannede er det attraktivt å få kort engasjement rett etter utdanning hvis alternativet er å ikke få noe. Dagens regler hindrer det. Det er for høy midlertidighet i sektoren, og regjeringen arbeider for å redusere den. Dette forslaget vil imidlertid, etter vår vurdering, verken bidra til økt eller redusert midlertidighet, men tidligere stipendiater vil få mulighet til å konkurrere om kortvarige midlertidige stillinger ved egen institusjon. Det vil gi større forutsigbarhet for alle stipendiater, og de vil kunne regne med at ledige stillinger blir utlyst, slik at Så må det legges til, som flere har påpekt, at hvis det skulle vise seg at vår vurdering er helt feil, at dette fører til det stikk motsatte, må vi selvfølgelig revurdere det, men dette er basert på vår vurdering. Regjeringen foreslår også en hjemmel til å innføre nasjonal deleksamen i enkelte fag og emner. Jeg mener at nasjonale deleksamener vil være et verdifullt bidrag i arbeidet med å heve kvaliteten i universitets- og høyskolesektoren. Informasjon fra nasjonale deleksamener skal gi institusjonene mulighet til å sammenligne studiene sine med tilsvarende studier ved andre institusjoner og vil gi fagmiljøene en mulighet til erfaringsdeling og videreutvikling av utdanningen. Videre vil nasjonale deleksamener kunne bidra til å skape tillit i samfunnet fordi kunnskapen måles på en enhetlig måte ved alle institusjonene. Men for at nasjonale deleksamener skal virke etter hensikten, må de være solid forankret i fagmiljøene. Fagmiljøene må bidra i alle deler av prosessen, fra valg av tema og utforming av oppgave via sensur til oppfølging av resultatene og iverksetting av eventuelle utviklingstiltak. Det nære samarbeidet med fagmiljøene vil sikre at institusjonenes autonomi blir ivaretatt, og at nasjonal deleksamen er relevant og kan benyttes til å videreutvikle kvaliteten i studietilbudene. Høringssvarene viser at det er motstand mot nasjonal deleksamen. Men jeg merker meg spesielt erfaringene fra fagmiljøene i bachelor i regnskap og revisjon og bachelor i sykepleie, som er så positive at fagmiljøene har bedt NOKUT om å bistå dem med gjennomføring av nasjonal deleksamen i de to studiene også i 2016 og 2017. Dette sier meg at nasjonal deleksamen er en ordning det er verdt å bygge videre på for å videreutvikle kvaliteten i høyere utdanning. Innenfor lærerutdanning har mulighetsstudien med deleksamen i matematikk vært gjennomført i to omganger. Høstens deleksamen ga gode resultater og viste i tillegg samsvar mellom nasjonale og lokale eksamensresultater, noe som gir tillit til institusjonene og måten de setter karakterer på. Vi har nettopp fått innblikk i at resultatene fra vårens deleksamen er urovekkende dårlige. Det er for tidlig å si noe om årsakene til dette, og om resultatene samsvarer med resultater fra lokal eksamen. NOKUT skal nå analysere resultatene, noe som vil gi lærerutdanningene hjelp i arbeidet med å utvikle en nasjonal standard for å vurdere studentene. Det er foreløpig et pilotprosjekt og en mulighetsstudie. Jeg har absolutt merket meg komiteens ønske om tilbakeholdenhet i bruk av nasjonal deleksamen i studietilbud som ikke er styrt av rammeplan. Igjen vektlegger jeg gode prosesser og involvering av fagmiljøene Jeg har også merket meg at det er stor støtte til ideen om en vitnemåls- og karakterportal, og at Stortinget understreker behovet for et godt personvern knyttet til det. Det blir replikkordskifte. I løpet av denne debatten er midlertidighet nevnt, naturlig nok, fordi vi vedtar et forslag som trolig, kanskje, vil påvirke det – positivt eller negativt, det får vi se. Mitt spørsmål er som følger: Under statsråd Røe Isaksen har midlertidigheten økt i sektoren. Hva har han tenkt å gjøre med det? statsråd Røe Isaksen har midlertidigheten økt i sektoren. Hva har han tenkt å gjøre med det? Jeg vil for det første gjenta det som det er bred enighet om på Stortinget, nemlig at midlertidigheten er for høy. Nettopp det at midlertidigheten i en periode gikk ned, tyder på at det ikke er en nødvendig midlertidighet, at det er mulig for institusjonene å drive godt arbeid likevel med flere faste ansettelser, færre midlertidige. Så har vi fortsatt det forrige regjering innførte, ved at vi sier i tildelingsbrevene at midlertidigheten skal ned. Vi har også mulighet til å pålegge institusjoner med høy andel midlertidighet, hvor det f.eks. går opp, å få den ned. Min vurdering er at det foreløpig er tilstrekkelige virkemidler. Men så er det, som representanten er innom, og som flere har vært innom, nå en runde på selve lovverket for sektoren, det er ute på høring. Det kan jo komme regelverksendringer som følge av det, som også vil kunne ha konsekvenser for midlertidighet i universitets- og høyskolesektoren, men det er det for tidlig å si noe om. Dermed er replikkordskiftet omme. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 3. Etter ønske fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen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

vedtatt. Først vil jeg takke komiteen for godt samarbeid, og som saksordfører er jeg veldig glad for at det er tverrpolitisk enighet om forslagene i denne lovproposisjonen. Det er gledelig at samtlige partier støtter at fagskolestudentene skal få samme rettigheter som studenter i UH-sektoren. I saken fremmes det et forslag fra Senterpartiet, som de for øvrig står alene om. Forslaget går ut på å be regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag om at Vocational Diploma skal lovbestemmes som gradsbetegnelse for fagskoleutdanning. Samtlige partier viser i fellesmerknad til at de er kjent med at flere av høringsinstansene i saken ønsker å lovfeste bruken av gradsbetegnelsen Vocational Diploma. En samlet komité sier videre at de ser fram til den bebudede stortingsmeldingen om fagskolene, der spørsmål om gradsbetegnelse vil bli vurdert. vurdert. Fagskoleutdanning er den høyeste utdanningen innen yrkesfag, og en samlet komité er positiv til at regjeringen med denne saken tilpasser fagskoleloven ytterligere til universitets- og høyskoleloven og sørger for å gi fagskolestudentene samme rettigheter som studenter ved universiteter og høyskoler. Komiteen støtter de forskjellige lovforslagene, som vil gi forutsigbarhet for fagskolestudentene og fagskoleeiere på den rekke områder. annet får fagskolestudentene lovfestet rett til vitnemål ved fullført fagskoleutdanning. Studenter som ikke har fullført fagskoleutdanning, men som har tatt enkelte emner, kan få karakterutskrift e.l. som dokumentasjon på utdanningen og kan ved senere anledning bygge videre på utdanningen. Fagskoleloven tydeliggjøres for å bli mer lik UH-lovens bestemmelser knyttet til eksamen og sensur for fagskolestudentene. Og det innføres et nasjonalt klageorgan for fagskoleutdanningen – det er også på linje med UH-loven. Utestengning og bortvisning fra fagskolene konkretiseres i bestemmelsene i fagskoleloven. Dette vil gjøre at fagskolestudentene og andre får tydeligere og forutsigbare regler for når en fagskole kan bortvise eller utestenge en student. Komiteen mener det er viktig å sikre rettigheter og sikkerhet for sårbare grupper, og støtter derfor å innføre vurdering av skikkethet for studenter som tar fagskoleutdanning på områder som berører pasienter, barn, elever og andre sårbare grupper. Det innføres krav om politiattest til utdanninger der studentene kan komme i kontakt med mindreårige og andre sårbare grupper. Komiteen understreker at politiattest kun gjelder for utdanninger der slik kontakt foregår som del av klinisk undervisning eller praksisopplæring. Det skal vurderes om fagskolene skal være med i den vitnemåls- og karakterportalen som er foreslått for universiteter og høyskoler, eller om det skal opprettes et tilsvarende system for fagskolene. Komiteen mener dette vil styrke arbeidet med å hindre forfalskning av vitnemål og karakterutskrifter, og komiteen understreker også viktigheten av at personvernet ivaretas. Det skal etableres en godkjenningsordning for utenlandsk fagskoleutdanning. En slik godkjenningsordning vil være et viktig tiltak for et mer effektivt og dynamisk utdannings- og arbeidsmarked. Komiteen understreker viktigheten av tillit og kvalitet når det gjelder utdanning på alle nivåer, og støtter derfor regjeringen i at NOKUT er best egnet til å vurdere utenlandske fagutdanninger. Komiteen er også enig i at alle forslagene vil styrke fagskolestudentene og skoleslaget. Dessverre er det slik at fagskolen er et forholdsvis ukjent utdanningstilbud, og Fremskrittspartiet er glad for at det som følge av fremleggelsen av Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg og i forbindelse med arbeidet med å utarbeide ny politikk for fagskolene har vært reist flere debatter og rettet større oppmerksomhet mot fagskolene, noe som er med på å gjøre skoleslaget mer kjent. Det er behov for et mangfold av kompetanse, og Fremskrittspartiet er svært fornøyd med at regjeringen foreslår disse endringene i lovgivningen på fagskolefeltet, og ser fram til videre arbeid med fagskolemeldingen, der vi både forventer at regjeringen ivaretar fagskolenes egenart, og at det legges til rette for smidige og fleksible overganger mellom fagskoleutdanning og universitets- og høyskoleutdanning. Fagskolene er en uvurderlig viktig del av

høyskoleutdanning. Fagskolene er en uvurderlig viktig del av det norske utdanningssystemet. Det har det vært siden Det Kongelige Norske Bergseminarium ble åpnet i 1757 som en av de første utdanningsinstitusjonene i Norge. Bergseminaret leverte viktig kunnskap til gruvenæringene på Kongsberg og til resten av landet. I dag utdanner fagskoler over hele Norge kandidater som er svært etterspurt i arbeidslivet. arbeidslivet. Det er nettopp denne tette koblingen til arbeidslivet som er fagskolenes aller største styrke – en kvalitet vi må sikre at vi tar vare på når vi som politikere skal styrke fagskolene og legge til rette for at enda flere velger fagskoleutdanning i framtida. Etter at Grund-utvalget la fram sin svært solide NOU, Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg, i 2014 var kunnskapsministeren raskt på banen. Han ville ikke kommentere noen av forslagene, men konstaterte at 2015 skulle bli fagskolenes år. Siden det har vi hørt lite. Etter hvert ble det 2016 som skulle være det store året for fagskolene. Nå har vi omsider fått en sak til behandling her i Stortinget, og det er bra. Vi støtter alle forslagene som i dag legges fram. Men Prop. 95 L tar ikke opp i seg noen av de store, viktige og mer omdiskuterte spørsmålene vi står overfor i framtida. Så vi venter fremdeles i spenning på den store saken om fagskolene våre. Det er varslet en melding til høsten, og den ser vi virkelig fram til. Til tross for at statsråden har valgt å la de vanskelige spørsmålene ligge, er noen av dem omtalt av komiteen i innstillinga. Da viser jeg spesielt til spørsmålet spørsmålet om fagskoleutdanningen skal gi uttelling i form av studiepoeng eller fagskolepoeng, altså hvordan fagskoleutdanningen skal måles. Her er det mange som mener mye, og i Arbeiderpartiet er vi opptatt av at saken får en god og bred behandling. Vi støtter derfor innspillet om at denne diskusjonen og bruken av betegnelsen Vocational Diploma bør utredes grundig i den

studiepoeng. Debatten om studiepoeng eller fagskolepoeng har etter Grund-utvalgets rapport vokst til å bli en av de store sakene om fagskoler. Det er for så vidt greit, men like viktig som hva poengene skal kalles, er målet til Arbeiderpartiet at det må bli mye lettere å veksle mellom utdanningene. Det må finnes bedre muligheter for overgang mellom fagskoleutdanning at fagskolekandidater får sine søknader vurdert og innpasset til annen relevant utdanning, og like selvsagt at man får brukt tidligere, relevant fagskoleutdanning i universitets- eller høyskolegrad. Vi vet at arbeidslivet har et stort behov for fagskolekandidater med de praktiske og mer arbeidslivsnære perspektivene de har med seg fra sin skolegang. Dette er kunnskap og erfaring som også vil kunne være en berikelse om fagskolekandidater velger å ta en mer akademisk rettet utdanning etterpå.

å behandle søknadene om å innpasse fagskoleutdanninger, men de kan også la det være. På dette punktet trengs det ikke en egen melding for at statsråden kan handle. Her vil et godt første skritt være at kunnskapsministeren gir et tydelig signal til UH-sektoren om at søknader med fagskoleutdanninger skal vurderes i de aktuelle utdanningene. Fagskolefeltet er utdanningene. Fagskolefeltet er et viktig og prioritert felt for denne regjeringa. I kjølvannet av Grund-utvalgets utredning, NOU 2014: 14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg, har det vært holdt en rekke debattmøter, og mange har levert innspill også til den proposisjonen vi nå behandler. Det er som arbeids- og sosialministeren vår, Anniken Hauglie, sa i et møte nylig: Fagskolen er en uslepen diamant i skolesystemet vårt. Det er jeg enig i. Derfor er jeg også glad for den brede og involverende prosessen kunnskapsministeren og departementet gjennomfører for å utvikle dette skoleslaget. Over 40 pst. av studentene våre ved universiteter og høyskoler sliter med gjennomføring av studiene sine. Både studenter og arbeidslivet stiller med ujevne mellomrom spørsmål om relevans og dimensjonering for mange av studieløpene våre. Samtidig har vi en situasjon der næringslivet etterspør fagarbeidere med god kompetanse. Det hevdes at landet vårt vil mangle mellom 120 000 og 130 000 fagarbeidere når vi nærmer oss 2030. De siste 20–30 årene har økningen av studenter i UH-sektoren vært høy. Spørsmålet nå er om ikke tida er overmoden for å tenke nytt og satse betydelig sterkere på å utvikle den høyere utdanningsveien som et tydelig og faglig sterkt alternativ. Det betyr i så fall etter mitt skjønn at fagskolesektoren må få en skarpere og tydeligere profil som yrkesutdanning på høyere nivå, og ikke som en videreføring av videregående skole, slik mange ser ut til å tro i dag. Det betyr også at fokus i kvaliteten på disse utdanningsløpene må sikres. Det betyr at fagskolestudentene må få samme For unge mennesker som skal skaffe seg en utdanning å leve av og trives med, betyr det mye å bli likebehandlet med andre unge mennesker under utdanning. Derfor er jeg glad for at vi gjennom de lovendringene som skal vedtas i dag, styrker fagskolestudentenes rettigheter på flere punkter. Det vil skape bedre forutsigbarhet både for fagskolestudentene, fagskolene og fagskoleeierne. Rettigheter knyttet til gjennomføring av eksamen, vitnemåls- eller karakterportaler, klagerett og etablering av et nasjonalt klageorgan er viktig. Det samme er ordningen som er foreslått om å gi NOKUT anledning til å godkjenne utenlandsk fagskoleutdanning. Ikke minst er det viktig at vedtakene som i dag blir gjort, vil gi lovhjemmel for å regulere adgangen til å markedsføre seg som fagskole. Bare fagskoler med NOKUT-godkjenning skal kunne markedsføre seg som fagskoler. Det er viktig for å sikre kvaliteten i utdanningstilbudene. Det blir likevel først når vi får fagskolemeldinga til høsten, at fagskolene virkelig kommer i søkelyset og vi får mulighet til å utforme en enda sterkere yrkesutdanning på høyere nivå. Denne regjeringa har satset sterkt på yrkesløft i videregående skole med bl.a. rekordstore økninger av lærlingtilskuddene og med bedre muligheter for kompetanseheving for yrkesfaglærere. Begge deler har vært sterkt etterspurt. Fra dag én har regjeringa prioritert yrkesfagene og satt dem på agendaen. Derfor ser jeg med stor forventning fram til fortsettelsen, der framtida for yrkesfagene på nivåene over videregående skole skal Det er et stort mulighetsrom for denne sektoren, og det krever vilje og kloke beslutninger for å utnytte det. Jeg har stor tillit til at vår kunnskapsminister ser at dersom unge mennesker med ambisjoner skal velge yrkesfag i framtida, må fagskolesektoren både styrkes og videreutvikles. Studentenes arbeidsinnsats og kompetanse må anerkjennes og verdsettes på en måte som er med på både å bygge yrkesstolthet og gi muligheter for videre karriereutvikling på en forutsigbar og god måte. Gradsbetegnelse og spørsmål om studiepoeng kontra fagskolepoeng blir viktige elementer når den kommende stortingsmeldinga skal behandles. Det er vi mange som ser fram til. De vedtakene vi gjør i dag, fører fagskolesektoren et godt skritt videre og vil være til stor nytte og glede for fagskolestudentene og deres studentrettigheter.

studentrettigheter. Fagskolen er, slik jeg ser det, et undervurdert og underkommunisert skoleslag. Fagskolene er enormt viktige, og de bidrar med verdifull kompetanse som arbeidslivet både etterspør og er helt avhengig av. NOU-en som Grund-utvalget la fram om fagskolesektoren i desember 2014, stiller en ganske interessant diagnose på denne sektoren, nemlig at pasienten er oppegående, men likevel ikke helt frisk. Jeg velger å være optimist på pasientens vegne, og det tror jeg det er god grunn til. Jeg mener at fagskolesektoren representerer et uforløst potensial, men jeg opplever at bevisstheten rundt denne sektoren har blitt større de siste årene. Jeg tror det er behov for å ta noen grep, og jeg ser med forventning fram til den varslede stortingsmeldingen om fagskolene, som skal legges fram i høst. Da får Stortinget en god anledning til å gjøre et grundig arbeid med denne sektoren, og det er et arbeid som jeg tror det er mange av oss som ser fram til. Allerede nå har regjeringen lagt fram en proposisjon med foreslåtte endringer i fagskoleloven, og her er det mye bra. Det er flott at både regjeringen og en samlet utdanningskomité på Stortinget ønsker å tilpasse fagskoleloven ytterligere til universitets- og høyskoleloven og gi fagskolestudentene like rettigheter som studentene ved universiteter og høyskoler. Jeg tror at nettopp studentrettigheter er en av flere ting som må til for å løfte fagskolens omdømme og attraktivitet. Det er ingen grunn til at studenter som velger en fagskoleutdanning, skal ha svakere rettigheter enn studenter som velger å studere ved en høyskole eller ved et universitet. Så betyr ikke denne tilpasningen av fagskoleloven til universitets- og høyskoleloven at fagskolene skal bli likere universitetene og høyskolene, for det er nettopp ulikheten som gjør dem verdifulle. Men selv om de ikke skal være like,

Det er en enstemmig komité som synes det er positivt at regjeringen vil vurdere å innlemme fagskolene i den vitnemåls- og karakterportalen som har blitt foreslått for universiteter og høyskoler, og som vi har snakket om tidligere i dag i debatten. Det er også en enstemmig komité som støtter at studenter ved fagskoler skal ha tilsvarende rettigheter som studenter har etter universitets- og høyskoleloven, og at fagskolestudentene nå får en lovfestet rett å klage på formelle feil ved eksamen. Og for å gjøre en lang historie kort på en fin sommerdag er det i det store og hele bred enighet i komiteen og bred tilslutning til de forslagene regjeringen legger fram i proposisjonen. Kristelig Folkeparti kommer ikke til å støtte forslaget fra Senterpartiet om at Vocational Diploma skal lovbestemmes som gradsbestemmelse. Det mener vi, som sagt, at vi får komme tilbake til når stortingsmeldingen legges fram i høst. høst. Det er et arbeid jeg ser fram til å ta fatt på. Det er bra at regjeringa endelig legger fram noe som gjelder fagskolene. Vi støtter de endringene som er foreslått til fordel for fagskolelevene i proposisjonen. Regjeringa forsøker å få omverdenen til å tro at de satser på fagskolene ved å skrive merknader om at de satser på fagskolene. Det er litt vanskelig å få øye på denne satsingen, all den tid det nå er over to år siden NOU-en, Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg, ble lagt fram. Som representanten Sønsterud også sa, skulle det først være 2015 som var fagskolenes år, ifølge regjeringa, men det var stille om fagskolene hele det året. Så var det 2016 som skulle være fagskolenes år. Det ser ut til at det blir ganske stille i år også, men det er flott at disse lovendringene som styrker fagskoleelevenes stilling, kom nå i vår. Så har vi hørt at den varslede stortingsmeldinga om fagskolene blir lagt fram til høsten, i oktober, antageligvis. Behandlingen av den meldinga blir da neppe ferdig før på nyåret, altså i 2017. Det kaller jeg ikke en satsing. Når en ser på alt det andre regjeringa har ønsket å gjøre innenfor høyere utdanning, er det veldig tydelig at det ikke er fagskolene som har vært regjeringas sterkeste satsingsområde. Men vi er glade for at lovendringen kommer.

Senterpartiet har likevel valgt å fremme forslag om at vi ønsker at Vocational Diploma skal lovbestemmes som gradsbetegnelse for høyere yrkesfaglig utdanning nå når vi faktisk endrer fagskoleloven, slik at vi ikke venter enda ett år med dette og lar enda et kull med fagskolestudenter gå ut med

refererte til. Jeg har stor forståelse for at Høyre ønsker å ta æren for mye av det gode som har skjedd med yrkesfagene, og det er klart at når partiet har statsråden, skal de selvfølgelig ha mye av æren også, men jeg vil komme med en liten korrigering, for det ble nemlig snakk om lærlingtilskudd her, som hadde en historisk økning. Det er for så vidt rett, men det er ikke Høyre og store deler – om ikke mesteparten – av den økningen av lærlingtilskudd som har skjedd, er en følge av de budsjettforlikene som er inngått med Venstre og Kristelig Folkeparti. Jeg hadde bare litt behov for å presisere at det er flere som har stått sammen om det løftet som har vært innen yrkesfagene. yrkesfagene. Så til fagskolene, som jeg synes mange har sagt gode ord om. Jeg tror – som sikkert mange andre også har vært inne på – at en av utfordringene for fagskolene er at de ikke er kjente nok. Det er ikke nok folk som vet om det gode tilbudet og den gode utdannelsen som det går an å få gjennom fagskolene. Det som gjør dette annerledes enn akademiske utdanninger, er nettopp den yrkesrettingen, og det er jo yrkesrettingen, og det er jo akkurat det som blir etterspurt i arbeidslivet. Det er det elevene som går der, ønsker, og det er derfor de velger den utdanningen. Det er det vi er nødt til å fokusere på framover også, for det å gå på fagskole skal være noe annet enn å gå på et universitet. Det betyr ikke at vi ikke skal ha en god diskusjon og debatt om hvordan vi kan få de tingene til å henge bedre sammen, men det men det er nettopp den egenarten som er så bra med fagskolene, og vi må passe på at vi ikke tar vekk det beste ved det gode tilbudet som fagskolene er. I likhet med samtlige andre partier ser også vi i Venstre fram til å få denne stortingsmeldingen til høsten. Når vi får en sak om fagskolene nå, er det klart at det er fristende å gå inn på de sakene som vi skal diskutere hos oss som har en mening om fagskolene. Det er mange hos oss som har lyst å bidra i det arbeidet med hvordan vi kan utvikle fagskolene enda mer, og hvordan vi kan gjøre dem til et enda mer attraktivt tilbud. Så om ikke statsråden har følt presset før, Så om ikke statsråden har følt presset før, må han i alle fall gjøre det etter denne debatten, for vi har veldig store forventninger til den stortingsmeldingen som kommer til høsten. Det gjelder partiene, men ikke minst også komiteen, som ser fram til å jobbe med den saken. Jeg har et par korte kommentarer til innholdet i denne proposisjonen, som vi er har et par korte kommentarer til innholdet i denne proposisjonen, som vi er enig i og kommer til å støtte. Jeg vil slutte meg til dem som sier at det var bra at denne proposisjonen kom, men det er også veldig bra at det skal komme en ny sak om fagskolene senere, for vi trenger en mye bredere gjennomgang enn det vi har fått i denne proposisjonen, og vi har også ventet lenge på en nødvendig debatt om fagskolens plass i det norske utdanningssystemet. Det er også en sterk vilje i komiteen og i Stortinget til en sterkere satsing på Likevel er det i denne proposisjonen en del positive tiltak som vi støtter helhjertet: det som handler om å gi fagskolestudenter de samme rettighetene som studenter ved universiteter og høgskoler, lovhjemmelen til å etablere nasjonal klagenemnd og det å etablere en midlertidig ordning for godkjenning av utenlandske fagutdanninger. Alt det er positivt, og med det får vi ryddet opp i noen av de problemene som Grund-utvalget påpekte. Når det gjelder dette med lovfestet rett til vitnemål og dokumentasjon på utdanning, er SV veldig opptatt av at vi skal få til det. Når vi ikke stemmer for Senterpartiets forslag, er det fordi vi merker oss at det er mange viktige høringsinstanser og aktører i sektoren som mener at Vocational Diploma skal være gradsbetegnelsen her, men siden regjeringen har varslet en melding om kort tid og skal være gradsbetegnelsen her, men siden regjeringen har varslet en melding om kort tid og det er behov for å gå gjennom hvordan vi også kan få en gradsbetegnelse som vi er sikker på vil være fungerende for framtiden, så nøyer vi oss med å gå inn i de merknadene som understreker at statsråden må se på dette og komme tilbake til det i meldingen. Derfor stemmer vi mot Senterpartiets forslag i dag, men det er ikke fordi vi i utgangspunktet ikke er positive til Vocational

gradsbetegnelse. Dette er andre gang jeg går på talerstolen i dag like etter representanten Lysbakken og han har sagt positive ting om det regjeringen har lagt frem. Jeg må innrømme at det setter meg litt ut, men det betyr vel bare at sakene er godt forankret. Vi fremmer her viktige forslag som det er stor enighet om, og det er veldig bra. Det handler om å bygge stein på stein for å heve kvaliteten på fagskolene, men også om å få fagskolenes plass i utdanningssystemet mye bedre frem enn i dag. Fagskolene har over lengre tid fått en litt stemoderlig behandling. Det har vært lite oppmerksomhet rundt dem, det har vært lite politisk oppmerksomhet rundt dem, og det er vi nå i ferd med å endre. Det er viktig, og det er bra. Forslagene følger bl.a. opp anbefalingene i NOU-en fra Fagskoleutvalget. Vi foreslår mer detaljerte lovbestemmelser rundt eksamen, sensurering, fusk, utestenging og bortvisning av studenter. Det er regelverksendringer som vil styrke fagskolestudentenes rettigheter og bidra til å skape en mer ensartet praksis ved fagskolene. Regjeringen ser også at det er behov for å etablere et nasjonalt klageorgan for fagskoleutdanning, som kan behandle klager fra studentene på vedtak fattet av fagskolenes styre eller lokal klagenemnd. En særskilt behandling i et nasjonalt klageorgan vil sikre nasjonal likebehandling og ivareta rettssikkerheten til fagskolestudentene. Forslaget som gir styrket adgang til å ilegge sanksjoner i form av å kunne annullere studentenes resultater ved uredelig opptreden som f.eks. fusk, skal bidra til å forebygge at studenter tar sjansen på å jukse. Adgangen til å bortvise eller utestenge studenten i de mer alvorlige tilfellene mener vi er nødvendig for å sikre et godt læringsmiljø. Det er videre viktig å forhindre at det uteksamineres studenter som er uskikket for yrket, til tross for at de oppfyller de faglige kravene i utdanningen. Derfor foreslår vi at det innføres krav om vurdering av skikkethet av studentene. Det betyr at man stiller de samme krav til vandel for studenter i fagskoleutdanning som til studenter ellers. Kravet om politiattest i utdanninger er også i tråd med vanlig praksis på andre studier.

blir styrket, og at studentene blir likebehandlet uavhengig av hva slags institusjon de velger å gå på. Så merker jeg meg utålmodigheten etter en fagskolemelding, og jeg ser også frem til å legge frem den i løpet av høsten. Det blir replikkordskifte. replikkordskifte. I februar hadde Høyre-representanten Kent Gudmundsen et utspill om at han ville ha studiepoeng på fagskolene. Han gikk høyt på banen og mente sågar at alt annet ville være «akademisk snobberi». På fagskoleseminaret i kunnskapsministerens eget departement sa statssekretær Haugstad at studiepoeng bare ville skape forvirring. Så mitt spørsmål er ganske enkelt: Hva mener statsråden om

Jeg må innrømme at jeg forstår hvorfor diskusjonen om fagskolepoeng/studiepoeng er blitt en spissing av debatten om fagskolene kontra høyskoler/universiteter. Men det mest avgjørende er jo ikke den semantiske betegnelsen, men at vi får til bedre overganger. Jeg er helt klar og tydelig på at dagens system og dagens praksis også for overgangen mellom fagskole og høyere utdanning er for dårlig. for dårlig. Det mener jeg uavhengig av hva regjeringen velger, og uavhengig av hva stortingsflertallet måtte velge når det gjelder betegnelsen. Så må overgangsmulighetene bli flere og bedre enn i dag. Vi har vært inne på at det er bra at studentrettighetene i dag styrkes, men det er også et annet spørsmål i den offentlige debatten akkurat nå, som organisering. Grund-utvalget la fram en klar anbefaling om statlig eierskap av offentlige fagskoler. På det nevnte fagskoleseminaret i Kunnskapsdepartementets regi signaliserte igjen Haugstad at regjeringa ønsker et regionalt eierskap av fagskolene. Kan statsråden begrunne hvorfor han mener det er til det beste for fagskolene med et regionalt eierskap og ikke et nasjonalt? Jeg stiller spørsmålet nå, for det er en høyaktuell sak på dagordenen for tiden. Igjen har vi ikke konkludert. Dette er saker som vi vil komme tilbake til i fagskolemeldingen. Noen av disse problemstillingene vil også kunne berøres før. Det som står i regjeringserklæringen, er at vi ønsker å flytte finansieringen over til staten. Det er ikke dermed sagt at man også må flytte eierskapet over til staten. Det er gode argumenter for at fagskolene, nettopp en arbeidslivsnær, desentralisert utdanning, hvor mange voksne folk går, og som skal være tett på arbeidslivet, kanskje burde ha lokalt eierskap. Samtidig er det nå flertall på Stortinget for at man skal gå fra fylkeskommuner til regioner. Det som er helt sikkert, er at det ikke vil være aktuelt å dytte fagskolene ned til kommunene. Dersom det ikke skulle bli en statlig overtakelse, er det de nye regionene som er de mest

minutter. Først vil jeg takke for en god debatt om fagskolene og om bedre rettigheter for fagskolestudentene og skoleslaget. Jeg vet det er en lang dags ferd mot natt – det er et langt møte og mange saker. Det som fikk meg til å ta ordet, var representanten Tingelstad Wøien, som poengterte at Bente Thorsen hadde vært veldig tydelig på at det skulle hete

vedtatt. Først vil jeg takke for godt samarbeid i komiteen under arbeidet. I denne saken foreslås det noen endringer av lovteknisk art. Disse endringene må gjøres for å følge opp komiteens merknader i en annen innstilling, nemlig Innst. 285 L for 2014–2015. Alle partiene i komiteen har stilt seg bak disse endringene. Når det gjelder endringene i barneloven, er det ikke en enstemmig innstilling fra komiteen, og i fra komiteen, og i det videre vil jeg redegjøre for flertallets syn i disse spørsmålene. Familiene er blitt mer mangfoldige. Vi har mammaer, pappaer, medmødre og medfedre, steforeldre, fosterforeldre og adoptivforeldre, for å nevne noe. Barn lever godt med dette mangfoldet så lenge det er kjærlighet og trygghet rundt dem. Barn kommer med en fantastisk evne til å få mennesker rundt seg til å elske dem, og vi voksne, de fleste av oss i hvert fall, er opptatt av å ta vare på barn rundt oss uavhengig av biologi. Familiene er mer mangfoldige, men allikevel er det noe som ligger fast, og det er vårt ønske om å få vite hvem som er vår biologiske mor og far. Vi har i dag ingen tidsfrister for å reise sak hvis man er feilaktig dømt som far. Heller ikke barn er bundet av tidsfrister i disse sakene. Det samme er ikke tilfellet for en mann som er juridisk far, og som kan legge frem opplysninger som tyder på at en annen mann kan være biologisk far til barnet, eller en tredjemann som mener at han er far til et barn som allerede har en juridisk far. I begge tilfellene må sakene reises innen ett år etter at de ble kjent med opplysningene om at det juridiske farskapet kunne være feil. Tredjemann må i tillegg reise sak innen barnet har fylt tre år. Innføringen av disse fristene ble gjort med den begrunnelse at stabilitet i barns liv var viktigere enn å få vite sannheten om det biologiske opphav. Dette er ikke enkle avgjørelser, og det å sikre stabilitet og trygghet i et barns liv er viktig. Allikevel vil flertallet i dag stemme for å fjerne disse tidsbegrensningene, fordi sannheten er viktigere. Det vil naturligvis være stabilt å tro hele livet at noen er pappaen din, som ikke er det, men lovens intensjon bør ikke være å bygge opp under denne formen for stabilitet, en stabilitet som kanskje nærmest er bygget på en løgn. Det er lett å finne eksempler på fedre som plutselig får beskjed om at de ikke er far, om mammaer som bærer på tøffe hemmeligheter, eller barn som aner at noe skurrer, men som ikke helt klarer å forstå hva det er, før de selv blir voksne. Leser du historier i dameblader av typen «dette hendte meg», eller for den saks skyld setter på ABBA-filmen «Mamma Mia!», ser du at virkelighetens historier speiles også i kulturen. I virkeligheten som i fiksjonen er dette vanskelige saker. Det kan være mange grunner til at løgnen er blitt fortalt eller historier ikke blir korrigert – alt fra utroskap til overgrep, fra hevn til et ønske om å gi barnet den beste pappaen. Dette gjør disse sakene utrolig vanskelig på det menneskelige plan, men juridisk mener allikevel flertallet at vi ikke kan tillate oss å lage regelverk som kan hindre at sannheten kommer for en dag.

dag. Først vil jeg takke saksordføreren for jobben hun har gjort. Denne lovendringen om tidsfrister i farskapssaker kommer veldig raskt tilbake til Stortinget, etter at den ble vedtatt i 2013. Jeg undrer nok på om ikke det er basert på den politiske uenigheten fra behandlingen den gang og det vi kan lese ut fra behandlingen i komiteen, der posisjonen i dag, som den gang var imot en tidsbegrensning, tar en omkamp. Vi ønsker ikke det fra Arbeiderpartiets side. Vi mener at vedtaket fra 2013 bør stå. Det å ha tidsfrister for å reise endringssak om farskap som er etablert ved pater est-regelen eller erkjennelse, mener Arbeiderpartiet ivaretar hensynet til barnet og gir stabilitet. Det må være det viktigste. Det dreier seg hovedsakelig om tilfeller der en mann som etter pater est-regelen er far, har levd sammen med barnet i mange år, deretter etter samlivsbrudd skal kunne reise sak om endring av farskap fordi han mistenker at han ikke er biologisk far. Vi mener at det å ha tidsfrister er det beste i slike tilfeller. Det er viktig å understreke at det ikke er barnets rettigheter som her berøres, det foreldrenes – fars – tidsfrister. Barnet kan alltid reise sak om endring av farskap. Ja, barn bør få kjenne sitt biologiske opphav, men her har også foreldre et selvstendig ansvar for å bidra til at denne kunnskapen formidles. Alt kan ikke reguleres i lov. Flere høringsinstanser støtter at det ikke gjøres endringer, og vi har valgt også å lytte til Barneombudet, som mener at dagens regler er gode nok til å ivareta de interessene som er best for barnet. Det må være hovedlinja. Vi mener altså at en endring av barneloven § 6 ikke vil tjene barnet, og ønsker å stemme imot den. Utover det følger vi innstillinga. Dette handlar ikkje om ein omkamp; dette handlar om å lytta til innbyggjarane i dette landet. Det er Dette handlar ikkje om ein omkamp; dette handlar om å lytta til innbyggjarane i dette landet. Det er gledeleg frå Framstegspartiets ståstad at ein igjen opphevar tidsfristar for farskap. Biologisk tilknyting er viktig for det enkelte mennesket, og vi som myndigheit bør ikkje vera med og overstyra det på nokon som helst måte. Barnets beste skal vera styrande. Det å ha ein usikkerheitstanke om sitt opphav, kan vera psykisk utfordrande for barnet. Ikkje berre for barna, men også for fedrane, som dette forslaget handlar om, kan det vera tøft å leva med ei usikkerheit over tid. Ja, det er trygt for mange å vita med sikkerheit, om dei veit, heilt sikkert, men det er jammen tøft og utrygt å leva med usikkerheita. Dagens reglar er der for stabilitet og ro for barna, blir det sagt, men her er ein inne på å meina noko som på ein måte skal vera legitimt for alle. Slik er det berre ikkje. Enkeltindivid, både barn og foreldre, er forskjellige. Livssituasjonar endrar seg, og informasjon og spørsmål om opphav kan koma på ulike tidspunkt i livet, både frå foreldre til barn og frå barn til foreldre – og frå andre. Det å leva med ei usikkerheit er langt ifrå til beste for verken barnet, fedrane eller familien. Difor er Framstegspartiet glad for at ein igjen ser og at vi gjer det vi gjorde også under behandlinga av Prop. 105 L for 2012–2013, der vi saman med Kristeleg Folkeparti og med to røyster frå Høgre gjekk mot ei gjeninnføring av tidsfristar. Vi tar det biologiske opphavet til enkeltmenneske på alvor og vil ikkje at tidsfristar skal stå i vegen for å kjenna sanninga. Tvilen kan splitta og skapa usikkerheit i familien. Difor må vi gjera det vi kan for å dette. Når Stortinget i dag behandler forslag om å oppheve tidsfrister for å reise sak om endring av farskap, er det ut fra en erkjennelse av at kunnskap om biologisk tilknytning er en av grunnpilarene i livet. I dag har vi tekniske muligheter til å fastslå slektskap med nær sagt 100 pst. sikkerhet. sikkerhet. Hvis det skulle oppstå tvil om en far virkelig er den biologiske faren, eller om et barn kanskje har en annen far, vil usikkerheten gnage på det etablerte forholdet mellom dem som tviler. I dag kan en mann som er juridisk far, reise sak om farskap dersom han kan legge fram opplysninger som tyder på at en annen mann kan være biologisk far til barnet. En mann som mener at han er biologisk far til et barn som allerede har en juridisk far, kan reise sak dersom han kan legge fram opplysninger som tyder på at han kan være far til barnet. I begge tilfellene må sak reises innen ett år etter at de ble kjent med opplysningene om at det juridiske farskapet kan være feil. Den som vil påvise sitt biologiske farskap, må i tillegg reise sak innen barnet har fylt tre år. Det er ingen tidsfrister for barn som ønsker å reise sak om endring av farskap. Det er heller ikke frister for feildømte fedre som ønsker å få saken sin gjenopptatt. Fram til 2003 var det i barneloven tidsfrister for å reise sak om endring av farskap. Regjeringen Bondevik tok initiativ til å oppheve tidsfristene. Begrunnelsen for dagens regler om tidsfrister, som ble innført under Stoltenberg II-regjeringen, var hensynet til stabilitet og ro for barnet, selv om en ikke kjente til et eneste konkret eksempel med fravær av tidsfrister som hadde vært problematiske for barn. Selv om sannheten for svært mange, både voksne og barn, ofte vil være frigjørende og positiv over tid, synes det ikke mulig på generelt grunnlag å si hva som er til barnets beste i det enkelte tilfellet. Det gjelder enten utfallet skulle være en avkreftelse av eller en bekreftelse på et eksisterende juridisk farskap. farskap. Jeg mener at hensynet til biologisk tilknytning må tillegges avgjørende vekt, og at tidsfristene i loven hindrer dette. Tidsfristene hindrer at menn som har blitt fedre som følge av ekteskap eller fordi de har påtatt seg farskap, kan reise sak om endring av farskapet på et senere tidspunkt. Tidsfristene hindrer også at andre menn kan kreve å få vite om de er far til barnet, etter at år. Hvis moren og barnets juridiske far motsetter seg å ta opp saken, vil spørsmålet om hvem som er biologisk far, ikke bli avklart. Hvem som er et barns biologiske foreldre, er helt grunnleggende for menneskers forståelse av seg selv. Jeg mener at dersom det er tvil om hvem som er far til et barn, vil det være til barnets beste å få dette spørsmålet avklart. Hensynet til kunnskap om biologisk opprinnelse er her så tungtveiende at jeg mener det ikke skal være tidsfrister i loven som hindrer at disse sakene kan tas opp og behandles på en forsvarlig måte i rettssystemet. Derfor er jeg glad for at flertallet i komiteen støtter forslaget om å oppheve tidsfristene i farskapssaker. Det blir replikkordskifte. replikkordskifte. Ja, barnet kan alltid sjekke. Ingen omkamp, hører vi her også statsråden prøver å fortelle om. Vi kan lese i saken fra forrige komitéinnstilling hva argumentasjonen var der. Jeg leser de samme argumentene ut fra statsrådens innlegg. Mener statsråden Mener statsråden at forrige regjering bare fant på det, mens statsråden altså er en lytter? Det ble, som representanten Mandt viser til, gjort en endring i 2013 av den forrige regjeringen. regjeringen. Medlemmer fra Kristelig Folkeparti sendte da et brev til statsråden – det var den forrige statsråden – som svarte på et spørsmål om det hadde vært kjennskap til om det var barn i disse tilfellene som hadde blitt skadelidende. Det hadde statsråden ikke kjennskap til. men det har altså vært viktig for oss å få fram det biologiske prinsippet, at alle har rett til å kjenne sitt biologiske opphav, og at dette er viktigere enn å ha en tidsfrist i slike saker. saker. Da undrer jeg på hvordan statsråden vekter forholdet mellom foreldrevern og barnevern i denne saken. Da må jeg bare si at jeg ikke skjønner helt hvordan foreldrevern og barnevern kommer inn i disse sakene, for det er sjelden barnevernet kommer inn i slike saker som dette. Det som har vært hensynet her, er det biologiske prinsippet, at en skal kunne ha kunnskap om sin biologiske opprinnelse, og at det ikke skal være tidsfrister i loven som hindrer at en sak kan tas opp og behandles på en forsvarlig måte i rettssystemet. Det er kanskje litt uklart når jeg sier foreldres vern og barnets vern, det er altså vektingen mellom barnets beste og foreldrenes beste jeg undres på.

støtta Arbeidarpartiet og kjem til å røysta imot denne lovendringa. Vi er på den lina som vi var da vi satt i regjering. I denne saka synest eg at treårsregelen kanskje er meir problematisk enn eittårsregelen, men vi legg vekt på at barneombodet anbefaler dagens ordning, dei meiner den er god for barna. Vi legg vekt på at den endringa som skjedde sist, ikkje var basert på partipolitikk, men på grunnlag av det som Stortinget vart anbefalt i ein NOU. Vi registrerer at regjeringa skriv at både barnekonvensjonen og Den europeiske menneskerettskonvensjonen vert varetatt i både det som er dagens situasjon og lov, og det som vert foreslått av regjeringa. På denne bakgrunnen kjem Senterpartiet til å røysta imot dette forslaget. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 5. Etter ønske fra familie- og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

vedtatt. Først og fremst takk for godt arbeid i komiteen. Det å få barn er ei stor glede, og det å få to eller fleire samtidig må jo vera dobbel eller tredobbel glede, alt etter kor mange som kjem på ein gong. Men nokre opplever det ikkje berre som gledeleg, men til tider også som utfordrande på ulike måtar. At foreldre kan utøva foreldrerolla si på ein god og kjærleg måte, er svært viktig, enten ein får eitt eller fleire barn, samtidig som ein tenkjer på at det for dei som får fleire barn samtidig, er ei ekstra stor påkjenning med fødsel og barseltid. Så er det situasjonar med berre eitt barn som kan vera like utfordrande. Dette kjem an på svangerskap, fødsel og barseltid. Det er like forskjellig enten ein føder eitt barn eller fleire barn samtidig. Sikkerheitsnettet i samfunnet skal fungera også for denne Dei fleste familiar vel å prøva å klara seg sjølve også med ulike utfordringar. Men av og til buttar det imot, og verken foreldre eller annan nær familie klarer å strekkja til for at ein skal ha det best mogleg. Vi har gode ordningar som gjeld alle som føder barn. Helse- og omsorgstenesteloven er styrande for nødvendig helsehjelp. Helse- og omsorgstenesta i kommunen skal samarbeida med familiar som treng det. Eg har sjølv i mitt virke som sjukepleiar bidratt til hjelp til fleirlingforeldre, både på dag og på natt, for å avlasta og hjelpa i ein periode for at foreldre, og då spesielt mor, kan henta seg inn med søvn. Som leiar i heimetenesta blei det ekstra mange som melde seg for meg når det var snakk om å bidra til desse familiane. Mange hadde god kompetanse frå eiga erfaring med spedbarn, og det er tidlegare barnepleiarar som no arbeider i denne tenesta. Utfordringa er at lovverket blir lovverket blir ulikt brukt rundt om i kommunane. Dette må det bli ei endring på. Omsorgspermisjon, foreldrepengeordninga, kontantstøtte og barnetrygd er ordningar som blir utvida ved fleirlingfødslar. Redusert arbeidstid og rett til ammefri er andre gode ein kan nytta seg av når ein går tilbake igjen til arbeidslivet. Foreldrestøttande tiltak som Home-Start er eit anna eksempel på tiltak som også kan hjelpa fleirlingfamiliar til liks med foreldre med eitt barn. I 2015 hadde Home-Start 33 avdelingar i Noreg

Derfor støttar Framstegspartiet forslaget om å «iverksette en levekårskartlegging om flerlingfamilier, enslige med flere barn i småbarnsalder, familier med barn som har alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelser, familier som har alvorlig sykdom hos foreldrene, og andre med spesielle omsorgsbehov.» Dette blir meir rettferdig og vil forhåpentlegvis føra til betring for dei det Så får vi sjå kva denne levekårskartlegginga seier, og eventuelt jobba ut frå det. det. Jeg vil takke saksordføreren for jobben. Det ble en grei behandling i komiteen. Det er et viktig forslag representantene fra SV tar opp, og det berører mange familier, når vi ser at det er om lag 1 000 flerlingfødsler i året. For noen vil ikke dette være de store utfordringene, og hverdagen kan gå greit i hop. For andre vil det være en slitsom tid som nesten ikke er til å klare seg gjennom. De trenger mer hjelp og støtte enn familier med ett nyfødt barn. For å sikre disse familiene stabile rammer og et godt tilbud om hjelp er det viktig å ha tiltak, og Arbeiderpartiet viser til at gode permisjonsordninger, slik at en kan være lenger hjemme, gjerne at begge foreldrene kan være hjemme samtidig, nok barnehageplasser, en tidskontoordning eller bruk av familievikar kan være tiltak som kan bidra til at man klarer hverdagen. En helsesøstertjeneste med kompetanse og kunnskap om hva slags tilbud som gis, og som kan være oppmerksom på problemer og sette inn tiltak tidlig, er også viktig. Noen må ha ansvar for at tilbudene koordineres, slik at en sliten familie ikke trenger å finne fram selv, men får det tilbudet de trenger, når de har behov for det. Lavterskeltilbud for å forebygge er absolutt det beste. Det er mange kommuner, som representanten Reiertsen var inne på, som tilbyr familiene Home-Start eller andre tilsvarende opplegg, og det er bra! Men for mange familier er ikke det tilstrekkelig. De trenger ofte lengre og tettere oppfølging. Noen kommuner har familievikar som trår til, og tilbakemeldinger fra familier som har fått hjelp av en familievikar, er positive. Men for mange familier er ikke det tilstrekkelig. De trenger ofte lengre og tettere oppfølging. Noen kommuner har familievikar som trår til, og tilbakemeldinger fra familier som har fått hjelp av en familievikar, er positive. Det er flere familier enn de som får mer enn ett barn, som sliter for å få hverdagen til å gå i hop. Barn med alvorlig sykdom og stort omsorgsbehov eller barn som trenger ekstra oppfølging av en eller annen grunn, kan også gjøre dagene vanskelige for mange nybakte familier. Det å kombinere arbeid og familie kan være en utfordring også for disse familiene. Å sette grupper opp mot hverandre når de trenger det, og det er derfor vi ønsker å se på flere enn bare flerlingfamilier. Derfor er det bra at en samlet komité fremmer et forslag om en levekårskartlegging av flerlingfamilier, enslige med flere barn i småbarnsalder, familier med alvorlig sykdom hos foreldrene og andre med spesielle omsorgsbehov. Vi vet for lite om hvordan disse har det, og hva som gir mest effekt. SV fremmer, det som Arbeiderpartiet mener er rett, og det som Kristelig Folkeparti har nevnt i sine merknader, som er veien videre. Familiene trenger ulike tilbud og i ulikt tidsperspektiv. Representantforslaget og forslagene som ligger på bordet i dag, inneholder mange elementer som det er vanskelig å se de økonomiske konsekvensene av, men det betyr ikke at forslagene ikke er gode eller verdt å se videre på. Arbeiderpartiet trodde at mye av dette ville komme i vi undrer oss over hvorfor dette ikke er tatt opp der, når det er en familiemelding som burde favne bredt og se på hvordan hverdagen til barnefamilier skulle gå i hop. Men nå får vi avvente hva som skjer med den levekårsundersøkelsen og videre behandling her i
gode forslag. Det er ikke så mange som får flere barn samtidig, men for dem som gjør det, er det avgjørende at de opplever at det offentlige stiller opp og gir den støtten familien, barnet og foreldrene trenger. For vår del tenker vi at det er åpenbart at det å få to eller flere barn på samme tidspunkt utgjør en større utfordring enn det å få ett barn, selv om det selvfølgelig er store variasjoner. I innstillingen peker vi på at forskere fra Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo har påvist at tvillingmødre har 77 pst. større risiko for depresjon fem år etter fødselen enn andre mødre. Forskerne viser til at tvillingmødre ikke i utgangspunktet har dårligere psykisk helse, men at depresjon er en konsekvens av stress, og at det dermed er grunn til å anta at tvillingmødre blir mer slitne enn andre mødre. Tvilling- og flerlingfødsler innebærer i seg selv en belastning – med flere barn på samme tidspunkt, og i tillegg kan tvillinger ha lavere fødselsvekt, være for tidlig født eller ha komplikasjoner som hjerneblødninger og pustevansker. På bakgrunn av funnene konkluderer forskerne med at lengre permisjon for tvillingforeldre kan være et hensiktsmessig tiltak. Kristelig Folkeparti mener forslag om utvidet foreldrepermisjon for tvillingforeldre, slik at begge kan være hjemme med barna den første forslagsstillernes forslag om å utvide foreldrepermisjonsordningen for de svært få familiene som ved flerbarnsfødsler får tre eller flere barn, slik at begge foreldrene får være hjemme samtidig gjennom hele permisjonstiden, forslag om å endre arbeidsmiljølovens bestemmelser om omsorgspermisjon ved fødsel til å gi rett til to uker per fødte barn, samt forslag om lovfestet rett til familievikar for familier med særlige omsorgsutfordringer, f.eks. enslige med tvillinger, trillingfamilier, familier med barn som har alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelser, eller familier hvor det er alvorlig sykdom hos foreldrene, er svært gode og aktuelle forslag som bør vurderes. Kristelig Folkeparti ber i dag om at spesielt SVs forslag nr. 1 og nr. 3 blir grundig vurdert, og fremmer derfor forslag om dette i salen i dag. Når det gjelder forslaget om familievikar, er det noe som jeg opplever som et naturlig innspill som jeg vil ta med meg inn i Kristelig Folkepartis programarbeid. Når det gjelder SVs forslag nr. 2, er det noe Kristelig Folkeparti i dag ikke er beredt til å ta stilling til, men forslaget er definitivt noe vi bør komme tilbake til. Spørsmålet er: Hvem betaler regningen? Det er vel ikke helt utenkelig at dette er noe som det offentlige bør ta ansvar for. Jeg tror ikke den regningen kommer til å bli veldig stor, men dette vil i så fall være noe vi kan komme tilbake til i forbindelse med budsjettet til høsten, eller at man kan se på den ordningen når levekårsundersøkelsen vi ber regjeringen iverksette, gir oss svar på hvilke tiltak som kan forbedres. Senterpartiet har også et forslag i salen i dag, der de ber regjeringen på bakgrunn av levekårsundersøkelsen komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en oversikt over hvilke bistandsordninger flerlingfamilier i dag kan benytte, og en vurdering av ulike tiltak som kan forbedre disse familienes situasjon. Jeg anbefaler Kristelig Folkepartis stortingsgruppe å støtte dette forslaget. Hjelp fra det offentlige i ekstra krevende og sårbare perioder er viktige forebyggende tiltak. Dette handler om å gi foreldrene overskudd til å være gode omsorgspersoner for barna.

forslag om å be regjeringen om å iverksette en levekårskartlegging av flerlingfamilier, enslige med barn i småbarnsalder, familier med barn som har alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelser, familier som har alvorlig sykdom hos foreldrene, og andre med spesielle behov. Vi imøteser regjeringens arbeid med dette og ser fram til at regjeringen på egnet måte kommer tilbake til Stortinget med det de har funnet ut.

I tidligere tider var det den nærmeste familien som stilte opp og bisto i en sånn situasjon. På 1950-tallet og 1960-tallet var det ikke så vanlig at mor var utearbeidende. Husmorrollen innebar mye praktisk arbeid og omsorgsarbeid både for den eldre og den yngre generasjon. I dag er kvinner og menn mye mer likestilt, både mor og far er stort sett yrkesaktive, og det er også bestemødrene. så vanlig at mor var utearbeidende. Husmorrollen innebar mye praktisk arbeid og omsorgsarbeid både for den eldre og den yngre generasjon. I dag er kvinner og menn mye mer likestilt, både mor og far er stort sett yrkesaktive, og det er også bestemødrene. I en ny samfunnsstruktur har vi heldigvis fått på plass gode velferdsordninger med foreldrepermisjoner for både mor og far, og de ordningene vi har i landet vårt, er det veldig mange som misunner oss. Jeg var på et møte i New York i forbindelse med FNs generalforsamling hvor I USA har de nærmest ikke betalt permisjon i det hele tatt, og i mange andre land er det bare snakk om mellom 12 og 16 uker med permisjon. Denne saken har vi fått til orientering og uttalelse i arbeids- og sosialkomiteen. Høyres representanter støtter familie- og kulturkomiteens enstemmige innstilling og også forslaget om en Det belyses i merknadene her at etter en fødsel, særlig etter tvilling- og flerfødsler, er det sånn at tvillingmødre har en større risiko for depresjon – faktisk opptil fem år etter at de fikk barn – som kan ha sammenheng med slitenhet og stress. stress. Noe jeg synes kunne vært vektlagt litt tydeligere i merknadene, er det lovverket og den rettigheten vi faktisk har i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester i Norge som åpner for å innvilge praktisk bistand i hjemmet. Kommunen har plikt til å yte praktisk bistand i hjemmet dersom en person har behov for det sett ut fra den livssituasjonen personen og familien er i. Det dreier seg om helseutfordringer, krisesituasjoner hvor man er handlingslammet, og som et forebyggende tiltak for å unngå krise. krise. Jeg kan vise til Bergen kommune, som har en god ordning beskrevet på nettet. På nettsiden deres står det at de har organisert deler av den praktiske bistanden sin som familievikar. Tjenesten gis til småbarnsforeldre som har særlig behov for bistand ved akutt sykdom eller andre uforutsette Tjenesten ble tidligere kalt husmorvikar, og veldig mange kommuner i landet hadde det. Så gikk den inn i dette med praktisk bistand når det gjelder hjemmehjelp og slike ting. Familievikarene kan ifølge Bergens nettside innvilges i en avgrenset periode ved store omsorgsbehov i forbindelse med flerfødsler, f.eks. for eneforsørgere med tvillinger og ved trillingfødsler når den ene av foreldrene er i arbeid og den andre av foreldrene har omsorgen for barna. Tjenesten gjelder hjelp til stell av barn, matlaging og renhold. Jeg kan også vise til min egen kommune, Asker. Jeg har undersøkt dette, og de har ikke familievikar, men de gir praktisk bistand til barnefamilier ut fra en individuell vurdering. Hvis situasjonen oppleves som uhåndterlig, med et lite nettverk, unge foreldre, for tidlig fødte barn som trenger ekstra mye oppfølging med hensyn til ernæring, går de inn med praktiske så godt kjent, og da har vi et ansvar for å informere om de rettighetene som faktisk finnes. Ingen er like, og det er heller ikke småbarnsfamiliene. Derfor må man gå inn i hvert enkelt tilfelle og se hva det er behov for. Jeg tror på skreddersydde ordninger, de treffer best, og lovverket har vi. Senterpartiet meiner det er eit veldig viktig forslag representantane frå SV har fremja i saka. Vi meiner det
Kirsti Bergstø,

uforståeleg det som fleirtalet skriv i innstillinga, og som vert sagt frå talarstolen her, der ein gjer eit poeng av at vi ikkje må skilja mellom fleirlingfødslar og vanlege fødslar, at ein må vurdera dette konkret i kvar enkelt situasjon, og at det er heilt andre ting enn fleirlingfødslar som avgjer behovet for ekstra hjelp eller spesielle ordningar ved fødsel. Eg synest det er heilt naturleg at det er større utfordringar når ein får to, tre eller fire ungar samtidig, enn når ein får éin. Det betyr ikkje at ein ikkje òg kan ha utfordringar og vanskelege forhold når ein får eitt barn, men dette synest eg er ein litt Senterpartiet har stor sans for alle forslaga frå SV, og eg meiner at dei må vurderast framover. Eg har lese familiemeldinga, og eg merka meg at desse konkrete forslaga ikkje er tatt opp der, og det er beklageleg. Vi kjem ikkje til å stemme for forslaga til SV i dag. Det er fordi dei kan ha nokre budsjettkonsekvensar som ikkje er gjort greie for, så vi er ikkje klare til å ta endeleg stilling til dei no. Men det å utvida permisjonstida, det å få meir fleksible ordningar når foreldra skal tilbake til jobb, det å ha større moglegheit for at begge kan vera heime i heile eller delar av permisjonstida,

Vi synest elles at ein òg kunna ha tatt med dei som har mange små har fremja eitt laust forslag i saka. Poenget vårt med dette forslaget er: Ja, vi får ei levekårsundersøking, men kva så? Vi er opptatt av at den levekårsundersøkinga må føra til at det kjem ei sak til Stortinget der Stortinget får ta stilling til det som kjem fram, og får vurdera ulike tiltak som da synest fornuftige og nødvendige å gjera for desse familiane.

Det har ikkje vorte sagt noko om jordmorteneste og barseltilbod i kommunane her, og det burde det. Det er òg veldig viktig for å gi dei

framtida. Før hadde ein eit heilt anna nettverk rundt seg. No er bestemødrene i jobb, og husmorvikarordninga vert framstilt som gamaldags. Ho er ikkje gamaldags. Ein kan kalla det «familievikar», men det er faktisk framtida slik som familiestrukturen er. Det er feil at ein må gå til Nav eller barnevernet for å få hjelp for heilt vanlege utfordringar i dagleglivet.

Dagens system tar ikke høyde for de behovene flerlingfamiliene har. Når velferdsordningene ikke stemmer med hverdagen til familiene, er det ordningene som må justeres. Ved en vanlig ettbarnsfødsel vil barnet ha en forelder hjemme gjennom hele For flerlinger er situasjonen annerledes. Her må barnet dele permisjonen med ett eller flere søsken som er født samtidig. Selv om det fødes to eller enda flere barn samtidig, utvides ikke retten til permisjon tilsvarende. Etter en ganske kort periode vil flerlingfamilier oppleve at de har færre hender til å håndtere hverdagen enn andre familier har. har. Både barn og foreldre i flerlingfamilier trenger trygghet og avlastning. Det sier seg selv at det er forskjell på å ha tre spedbarn og å ha ett. SV mener at foreldrepermisjonen for flerlingfamilier bør økes. I dag gis det fem uker ekstra, som foreldrene kan ta ut samtidig. Dette er etter vårt syn for lite og gjør at en forelder blir alene i hverdagen med to eller flere små barn altfor tidlig. Om man ikke ser behovet for en utvidet permisjon, bør det likevel være mulig å vurdere noen av de forslagene som vi fremmer i dag, for de forslagene som vi fremmer i dag, gjør ikke enorme omveltninger i samfunnet, men de betyr enormt mye for de familiene det gjelder.

Foreldre som får flerlinger, kan ha det tøft fordi det er vanskelig å håndtere mer enn ett barn, men også fordi følelsen av ikke å strekke til kan være sterk, særlig det første leveåret. Og vi vet at forskning fra Folkehelseinstituttet viser at tvillingmødre har hele 77 pst. større sannsynlighet for depresjon enn andre mødre fem år etter fødselen. Dette er kunnskap som fortjener å bli tatt på alvor. Derfor er det positivt at komiteen i dag ønsker at det gjennomføres en skikkelig kartlegging av levekårene for disse familiene. Men jeg hadde håpet at det var mulig å samles om mer. SV foreslår fire helt konkrete tiltak, som ikke koster mye, men som vil kunne gjøre livet for dem det gjelder, ganske mye enklere. Det ene handler om å gi far og medmor rett til kortere arbeidsdag det første leveåret. I dag har en mor som ammer, rett til fri. Med en tilsvarende rettighet for far eller medmor vil flerlingfamilier kunne få en tryggere og bedre hverdag. Det andre er å styrke rettighetene for far eller medmor ved fødsel. I dag finnes det en lovfestet rett til to uker fri ved fødsel,

Det tredje forslaget innebærer at i de familiene som får trillinger eller enda flere barn på en gang, skal begge foreldrene få full foreldrepermisjon. Dette gjelder veldig få, mellom ti og tjue familier hvert år, men det er stor forskjell fra dagens situasjon, der en skal håndtere tre, som regel for tidlig fødte, barn på en gang etter bare en kort felles permisjon. Dette handler om å sikre nok hender til å kunne ivareta barna helt i starten av deres liv. liv. Det fjerde forslaget fra oss er innføring av en lovpålagt ordning med familievikar. Representanten Bente Stein Mathisen hadde en veldig fin gjennomgang av kommuner som gir god hjelp og støtte til familier som trenger det. Dessverre er eksemplene på familier som ikke får hjelp, altfor mange. mange. Da er det ikke familiesituasjonen i seg selv det er noe i veien med. Da er det lovverket, hvordan det håndteres, og hvordan ordningene er i kommunene, det er noe i veien med. Jeg tar opp SVs forslag. Da har representanten Kirsti Bergstø tatt opp de forslagene hun refererte til. Regjeringen er

til. Regjeringen er opptatt av at familier skal ha trygge og gode rammer som sikrer en god omsorgssituasjon for barna. Det er ingen tvil om at det er utfordrende å få flere barn samtidig. Alle som får barn, går en hektisk periode i møte, og de fleste kjenner nok på følelsen av utilstrekkelighet Jeg forstår godt at utfordringene er mange når man blir flerlingforeldre og skal ta vare på og gi omsorg til flere nyfødte samtidig. Noen vil oppleve at spesielle spedbarnsutfordringer og enkelte sykdommer også kan gi belastning for familien, uavhengig av om det kommer ett eller flere barn. Kort tid mellom fødsler kan også oppleves som svært krevende for en del familier. Det vil dermed for mange familier være helt andre ting enn flerlingfødsler som avgjør behovet for ekstra hjelp eller spesielle ordninger etter fødsel. For meg er det viktig at familier som strever, uansett antall barn i husholdningen, får riktig hjelp til rett tid. Det er ikke slik at flerlingforeldre i dag ikke har noen rettigheter utover de rettighetene alle småbarnsforeldre har. Dagens foreldrepengeordning er raus og fleksibel. Flerlingforeldre har rett til fem eller sju uker ekstra foreldrepermisjon for hvert ekstra barn de får, avhengig av om de velger 100 pst. eller 80 pst. dekningsgrad. Foreldre til trillinger har rett til 10 eller 14 uker ekstra, mens foreldre til firlinger vil ha rett til 15 eller 21 uker ekstra permisjon. Foreldrene kan selv velge om de ønsker å ta ut disse ekstraukene slik at de er hjemme samtidig, eller om de ønsker å forlenge stønadsperioden. Også fedrekvoten på ti uker kan far ta samtidig som mor er hjemme. I arbeidsmiljøloven er retten til omsorgspermisjon og til redusert arbeidstid nedfelt, og bestemmelsene er like for alle. Jeg mener rettighetene, også for flerlingforeldre, er godt ivaretatt i dagens lovverk. lovverk. Å yte nødvendig og forsvarlig helse- og omsorgshjelp til sine innbyggere er et kommunalt ansvar. Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om en familie har krav på hjelp, og hvilket omfang hjelpen skal ha. Vi vet at det er viktig å kunne gi hjelp tidlig til familier, og det at en kan gi flere familienære tjenester i kommunen, er avgjørende for at vi skal kunne hjelpe familiene tidlig. Vi vet også at trygge foreldre gir trygge barn. Derfor er jeg glad for at regjeringen har styrket støtteapparatet rundt foreldrene og familien. I 2014 var tilskuddsordningen til foreldrestøttende tiltak i kommunene på 3,5 mill. kr. Regjeringen har styrket ordningen i budsjettsamarbeidet med Venstre og Kristelig Folkeparti, og i 2016 var den på over 16 mill. kr. Helsestasjonene møter de aller fleste barn i løpet av deres første leveår. Helsestasjonene kan tidlig oppdage familier med behov for særskilt oppfølging.

familievern. De kommunale helse- og omsorgstjenestene skal samhandle med pårørende som har tyngende omsorgsoppgaver. Helse- og omsorgsdepartementet har hatt til høring et lovforslag om styrket pårørendestøtte. Pårørendes situasjon skal styrkes gjennom bedre tilbud om avlastning, veiledning og en gjennomgang av støtteordningene for pårørende. for pårørende. Regjeringen ønsker at kommunene skal ha makt og ansvar, slik at de kan yte gode tjenester til sine innbyggere. Vi ønsker ikke å detaljregulere den kommunale virksomheten. Som følge av dette vil tjenestetilbudet naturlig nok kunne variere fra kommune til kommune. Jeg tror vi er enige om at det er mange utfordringer som kan være knyttet til å ha Likevel er det i dag laget gode ordninger for alle foreldre, og foreldrepengeordningen har utvidede rettigheter for foreldre som får flere barn samtidig. Andre ordninger er universelle for alle foreldre, som rett til omsorgspermisjon og redusert arbeidstid. Jeg har til slutt lyst til bare å kommentere et av forslagene som kom fra Senterpartiet, og minne om at vi har satt ned et utvalg som skal se på de økonomiske ordningene for småbarnsfamilier. Det kan også være en viktig del av dette arbeidet. Det blir replikkordskifte. Statsråden snakket i sitt innlegg om følelsen av utilstrekkelighet i spedbarnsperioden. Likevel ønsker ikke statsråden å ta grep som replikkordskifte. Statsråden snakket i sitt innlegg om følelsen av utilstrekkelighet i spedbarnsperioden. Likevel ønsker ikke statsråden å ta grep som kan avhjelpe utilstrekkeligheten som flerlingforeldre opplever. Det er jo sånn at om man har to hender og tre barn som griner, er man rent faktisk utilstrekkelig. utilstrekkelig. Derfor lurer jeg på hvorfor statsråden ikke ønsker å gi de foreldrene som opplever den utilstrekkeligheten, litt mer hjelp i deres hverdag, og hvorfor statsråden ikke ønsker å gjøre mer for de familiene som vi vet – og det er veldokumentert – har behov for mer hjelp og bistand for å trygge barna det aller første

Så er jeg opptatt av at alle foreldre som har utfordringer, blir sett og får den hjelpen de trenger. Derfor er styrking av helsestasjonene viktig – det er helsestasjonene som møter familier fra første dag og kan se om det er familier som trenger ekstra Det er også kommunenes ansvar å ha både familiesenter, Home-Start og andre foreldrestøttende tiltak som kan verne og hjelpe familier i den krevende situasjonen som de er i – uansett om de har funksjonshemmede barn, om de har to barn, fire barn eller ett barn. Jeg er enig i at foreldrepengeordningen er både raus og fleksibel, at den er god, og at den skal vi verne om. Men likevel er det begrenset tid man har i lag hjemme mens man har flere barn å ivareta på samme tid. Statsråden viser til andre ordninger som flerlingforeldre skal kunne benytte seg av. Da lurer jeg på hva det er som gjør at statsråden ikke ser på familievikarordningen som en hensiktsmessig ordning for nettopp familier som har behov for det. Da snakker vi ikke bare om flerlingfamilier, men også om familier med akutt syke foreldre, barn med spesielle hjelpebehov og andre som en kort periode kan oppleve en krise og ha behov for bistand i sitt hjem. Jeg lurer på om statsråden ser at det kunne hjulpet foreldre i en vanskelig situasjon. Da skal jeg være litt personlig. Jeg vokste opp med fire søstre, og i enkelte perioder måtte min mor ha den gamle husmorvikaren, som kom og hjalp til. Jeg tror vi alle kan kjenne oss igjen i at det var en god ordning, den gangen. Så er jeg veldig glad for at det er mange kommuner som har gode ordninger. Om de kaller det husmorvikar, eller om de har andre ordninger som gjør at noen kan komme hjem og hjelpe familier når de trenger det, synes jeg det er positivt, men jeg mener også at det må være opp til den enkelte kommune å ha ordninger som sikrer de familiene som trenger hjelp i en periode. Jeg har også lyst til å vise til foreldrestøttende program som gir tilbud om avlastning og støtte til småbarnsfamilier som har en vanskelig hverdag. Det er nok flere kommuner som også kunne hatt det tilbudet, men jeg er likevel glad for at det fins – det er noe som vi støtter, og vi ser at det er mange familier som får god hjelp av Home-Start. Med jevne mellomrom ser vi eksempler i media, og vi har kontakt med folk som opplever at rettighetene som man snakker varmt om politiske talerstoler, ikke er en del av deres hverdag. Det kan være en tvillingmor som har blitt enke, som har knekt en fot, og som må slepe rundt på både seg selv og ungene for å ordne med mat og bleier. Sånne ting skjer, livet er en uforutsigbar plass å være. Da opplever mange at de ramler mellom to stoler, at kommunene ikke har noen skreddersydd ordning, at verken hjemmehjelp eller miljøarbeidertjeneste er hjemmehjelp eller miljøarbeidertjeneste er en del av kommunens etablerte hjelpeapparat. Jeg lurer på, i og med at statsråden anerkjenner behovet og selv har erfart at det kan være nyttig, om hun kommer til å ta grep og sørge for at familier med hjelpebehov får et mer likeverdig tilbud

del kommuner som svikter. Derfor er det viktig at kommunene setter tidlig innsats, forebygging og samarbeid på tvers av tjenestene på dagsordenen, for vi vet at kan man klare å komme inn tidlig og hjelpe familiene, klarer man kanskje også å redde en del av de barna som i neste steg får utfordringer. Derfor er dette noe av det som har vært min hovedsatsing – å satse på og tidlig innsats og oppfordre kommunene til å jobbe på den måten. Der er det mange gode eksempler som vi skal være med og løfte fram, men det er også altfor mange kommuner som ikke klarer godt nok å jobbe med forebygging og tidlig innsats overfor familiene. Det er nettopp lavterskelinnsats vi snakker om, det å kunne bistå en familie før krisen blir komplett, før man blir så utslitt at det går ut over omsorgsevnen – det å få dagen til å henge i hop før den rakner. Vi ser så mange eksempler på folk som har behov for hjelp, enten i en akuttsituasjon eller fordi man har fått flere barn på samme tid, eller andre forhold som gjør at man hadde trengt noen ekstra hender i i hjemmet for en kort periode. Så opplever man likevel at kommunene sier at de ikke har ordninger som er rettet inn mot det. De har et byråkratisk system, lang saksbehandlingstid eller rett og slett ikke tilpasset hjelp. Kunne ikke da familievikar vært en hensiktsmessig løsning å fremme som modell for at nettopp de tilfellene der man glir mellom to stoler, også skal fanges opp – at de ungene skal få god omsorg og en trygg hverdag og foreldrene en viktig avlastning? Regjeringen har ikke tatt stilling til eller diskutert familievikarer. Jeg vet at det har vært et forslag som har kommet fra SV flere ganger. Det som er viktig for meg, er at kommunene står fritt til å kunne organisere ordninger som passer den enkelte kommune og den enkelte familie. De kommunene som klarer å fokusere på tidlig innsats og forebygging – satse på helsestasjoner – klarer også å møte familiene på et tidligere tidspunkt og sette inn hjelpetiltak i familier som sliter. Når jeg har reist rundt

om å endre EØS-avtalens vedlegg XVI om offentlige innkjøp. Lovforslaget omhandler de tre såkalte anskaffelsesdirektivene, og de anses som EØS-relevante. Komiteens flertall, alle med unntak av SV, slutter seg til vurderingene som er gjort i proposisjonen, og flertallet tilrår at Stortinget samtykker til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 97/2016 av 29. april Saken er også blitt forelagt utenrikskomiteen, som har sluttet seg til innstillingen. Ellers viser jeg til innstillingen fra næringskomiteen i neste sak om offentlige anskaffelser.

Da hadde det kanskje vore på sin plass å finne ut kva erfaringar offentlege myndigheiter i EU har hatt med direktiva. Påbodet om EØS-anbod med likebehandling av selskap i 30 land er både dyrt og tungvint for mange kommunar og offentlege instansar. Det kostar arbeidstid og andre ressursar å setje seg inn i anbodsprosedyrane, utforme anbodsdokumenta slik at dei kan lysast ut internasjonalt, og gjennomføre vurderingar av dei tilboda som kjem inn, på ein slik måte at ingen klagar. Dette anbodsregimet er like plagsamt i EU som i EØS-landet Noreg. Dette blir bekrefta av ein større studie frå EIPA, European Institute of Public Administration, frå 2009. Studien har tatt for seg fire EU-land pluss Noreg og Island og kritiserer at innkjøpsreglane avgrensar den lokale fridomen til å velje korleis tenestetilbodet skal organiserast. Ifølgje CEMR, Europarådets forum for kommunar og regionar – paraplyorganisasjonen til Noregs KS – er innkjøpsreglane blitt så innfløkte at dei er meir skadelege enn nyttige. I ei høyring i EU-parlamentet fastslo talspersonen for CEMR at anbodsordninga har blitt dyrare, meir komplisert og meir konfliktskapande for alle partar. Regelverket utløyser f.eks. stadig rettssaker reiste av dei som taper anbodskampane. Det fører til at oppdragsgivarane må leggje mykje arbeid i å passe på at dei ikkje blir trekte inn for domstolane. Juridisk tryggleik blir ofte viktigare enn å utforme anbodet slik at oppdraget kan utførast best mogleg. Rettssakene fører til forseinkingar, usikkerheit og auka kostnader både for oppdragsgivar, leverandør og utbyggjar. Anbodskravet skulle gjere det billigare for det offentlege, men har i praksis ofte ført til det motsette. Ei undersøking i England i regi av viste at to tredelar av dei undersøkte kommunane og regionane meinte at kostnadene og dei administrative byrdene hadde auka. CEMR vedtok i 2009 eit charter om lokale og regionale tenester som går inn for ei kraftig avgrensing i kva oppdrag som bør utløyse anbod på EU-nivå. Ifølgje myndigheitene må ein ha grunnleggjande rett til å bestemme når dei skal leggje oppdrag ut til open anbodskonkurranse, og når dei ikkje skal det. Tenester av lokal karakter må ikkje utløyse sånne anbod, ifølgje CEMR. I tillegg må EU avklare skiljet mellom kommersielle og ikkje-kommersielle tenester. Dei siste er prinsipielt ikkje omfatta av anbodskravet, men EU har gjort det ytst uklart kva som er rekna som ikkje-kommersielt. Men det viktigaste kravet til CEMR er altså at det må vere opp til kommunen kva som skal leggjast ut på anbod, og kva kommunen kan utføre med eigne tilsette uansett organisasjonsform. Så det var litt om erfaringane i Europa med desse direktiva vi i dag skal vedta, som i liten grad har blitt diskuterte – kanskje ikkje i det heile – i forbindelse med behandlinga her på Stortinget. Her i Noreg har KS konstatert at med det nye handhevingsdirektivet blir juristar viktigare enn økonomar på arenaen for offentlege innkjøp. Denne paraplyorganisasjonen for norske kommunar og fylkeskommunar er også sterkt bekymra for «overimplementeringa» Noreg har valt når det gjeld anskaffingsdirektiva. Vi går på viktige punkt mykje lenger enn direktiva krev av oss. Med dagens regelverk kan ein offentleg oppdragsgivar skilje mellom ideelle og kommersielle utførarar når helse- og sosialtenester skal kjøpast. Dette blir ein høgst uklar affære innanfor det nye regelverket, som vi skal kome inn på i neste sak, og dermed vil alle som i dag stemmer for innføringa av desse direktiva, setje ideell sektor i ein potensielt vanskeleg situasjon. Det er på denne bakgrunnen, dei erfaringane som er gjorde i Europa, og dei problematiske situasjonane dette set bl.a. ideell sektor i, at SV går inn for å avvise desse anskaffingsdirektiva ved å ta i bruk reservasjonsretten i EØS-avtalen. Jeg vil bare si at neste sak er oppfølging av disse direktivene, og EØS-avtalen. Jeg vil bare si at neste sak er oppfølging av disse direktivene, og det er velkjent at SV er imot EØS og EU og alt sammen. Men hele komiteen har forberedt seg på at vi tar debatten rundt det som er regjeringens oppfølging, og det er i neste sak. Jeg ville bare gjøre oppmerksom på det. Det er derfor ingen andre tar ordet i denne saken.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

Det er vel heller er ikke så underlig når vi tar i betraktning at det offentlige kjøpte varer og tjenester for om lag 460 mrd. kr i 2014. Dette er om lag 14 pst. av BNP. På grunn av det store omfanget av innkjøp til offentlig sektor er dette en viktig kunde for norsk næringsliv. Samfunnet står overfor krevende omstillinger de neste tiårene, og offentlig sektor må bruke sine ressurser på en mer effektiv måte enn i dag og samtidig tilby trygge og gode tjenester. Offentlige innkjøp er en viktig stimulator for markedet, og komiteen er opptatt av at det offentlige utnytter rollen som innkjøper til å fremme positive ringvirkninger. Jeg synes vi på en god måte har klart å med å sikre at viktige samfunnshensyn kan ivaretas. I den åpne høringen til næringskomiteen var det flere som ønsket at flere viktige hensyn skulle inntas i formålsparagrafen. Noen etterlyste hensynet til konkurranse, andre samfunnsmessige forhold. Jeg synes vi har funnet en god løsning når vi nå foreslår at ordet «samfunnstjenlig» inntas i formålsparagrafen, for å understreke

at norske bedrifter ikke må påføres noen konkurranseulempe grunnet særnorske miljøkrav. Dette ser vi dessverre en del eksempler på i dag. Komiteen understreker også at livsløpskostnader skal vektlegges. Kravet til universell utforming blir også tydeligere i loven. Et annet forhold som komiteen vektlegger, er innovasjon. Innovative anskaffelser er viktig både for og for næringslivet, og det kommer tydelig fram i en fersk Menon-rapport. I tillegg kan det bidra til å løse store samfunnsutfordringer, som utfordringer innen eldreomsorgen eller overgangen til lavutslippssamfunnet. Jeg er også tilfreds med at et flertall ber regjeringen utrede hvordan en risikoordning for offentlige Innovative anskaffelser kan jo gi høyere risiko, og det er derfor behov for en viss risikoavlastning fra statens side. Som tidligere ordfører kjenner jeg meg godt igjen i dette. Man tør kanskje ikke ta sjansen på innovative innkjøp hvis risikoen oppleves som stor. Da kan både kommune og næringsliv gå glipp av Den saken som nok har fått aller mest oppmerksomhet i komiteens behandling, er forholdet til ideell sektor. Jeg er glad for at vi gjennom behandlingen har sikret at eldre og omsorgstrengende også i framtiden skal kunne få gode og trygge helsetilbud fra ideelle aktører, og en samlet komité slår fast at det fortsatt skal legges til Det er også viktig at næringskomiteen langt på vei, etter mitt skjønn, har ryddet opp i den usikkerheten som regjeringens lovforslag har skapt om de ideelles rammevilkår. Fra Arbeiderpartiets side vil vi understreke den viktige rollen ideell sektor spiller, og vi er opptatt av at de ikke skal tape kontrakter mot kommersielle aktører innen

men en samlet komité har allikevel gitt viktige føringer gjennom merknader, og innstillingen er svært tydelig: Det slås fast at det vil være samfunnsmessig hensiktsmessig at det åpnes for at en reservasjonsmulighet videreføres, og at dette skal gjennomføres i forskriften innenfor handlingsrommet i EØS. Et flertall i komiteen mener også at ulike samarbeidsmodeller som benyttes i EU, også skal kunne tas i bruk i Norge, f.eks. slik Danmark har gjort knyttet til det som kalles «utvidet egenregi». Dette bes regjeringen om nå å se nærmere på. Det har også vært viktig for komiteen å sikre Nye anskaffelsesprosedyrer som gir anledning til forhandlinger mellom innkjøper og tilbyder, er viktig for å få til et bedre innkjøp. Det er også enighet om at regjeringen skal vurdere heving av de nasjonale terskelverdiene, så færre kontrakter blir underlagt Komiteen mener også at Norge, som EU, må legge til rette for oppsplitting av kontrakter, slik at små og mellomstore bedrifter skal kunne konkurrere også om de store prosjektene. Regjeringen sendte på høring forslag til forskrift som begrenser antall ledd i leverandørkjeden til tre. Komiteen mener det også må være mulig å stille strengere noe som vil være aktuelt i bransjer som blir utsatt for arbeidskriminalitet. Spesielt Kongsberg Gruppen og Fellesforbundet har vært opptatt av at Forsvarets anskaffelser fortsatt skal unntas fra loven, og det er komiteen enig i. Komiteen mener også at det ikke skal innføres mer detaljerte bestemmelser for forsyningssektorene enn det som følger av og at det ikke skal innføres kunngjøringsplikt for anskaffelser under terskelverdien for våre aktører innen vann, transport og energisektoren. Dette er viktig for forenkling og for å ivareta hensynet til like konkurranseforhold som aktører i andre EØS-land. Det er gledelig at en enstemmig komité også er opptatt av å styrke likestillingsarbeidet i næringslivet, og ser at det offentlige gjennom sine innkjøp kan bidra til det. Komiteen har etter min mening også lagt gode føringer for å styrke lærlingklausulen i loven. Flere har gitt innspill om at den forrige stortingsmeldingen om offentlige innkjøp, St.meld. nr. 36 for 2008–2009, Det gode innkjøp, som ble framlagt av Stoltenberg II i 2009, har vært en god handlingsplan for offentlige anskaffelser. Utviklingen går imidlertid svært raskt. Samfunnet endrer seg, og regelverket endrer seg. Derfor er det enighet om at vi trenger en ny, oppdatert melding. Dette betyr selvsagt ikke at implementeringen av det vi vedtar i dag, skal utsettes. utsettes. Avslutningsvis vil jeg si litt om håndhevelse. Det er bred enighet om at KOFAs myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr skal gjeninnføres, noe som vil gi en mer effektiv håndhevelse. Komiteen er imidlertid opptatt av at den som gjør det som er nødvendig for unngå eller avverge tap, ulempe, skade eller feil, ikke automatisk skal ilegges overtredelsesgebyr. Jeg fremmer med det forslag nr. 7 i dag, forslag til ny lovtekst, på vegne av hele komiteen. Til slutt vil jeg ta opp forslag nr. 2, som Arbeiderpartiet er med på. Og helt til slutt ta opp forslag nr. 2, som Arbeiderpartiet er med på. Og helt til slutt vil jeg be om at forslag nr. 3 blir omgjort til et oversendelsesforslag. Da har representanten Odd Omland tatt opp de forslag som han refererte til.

Dette er ei stor og viktig sak, både for det offentlege og for innbyggjarane flest. Det er trass alt innbyggjarane som til sjuande og sist er sluttbrukarane av alle offentlege tenestetilbod. Det er difor denne lova er ei viktig lov som ofte vert brukt til å vareta også andre samfunnsomsyn. Lova vert fort eit politisk verktøy for å nå ulike politiske målsetjingar i samfunnet vårt. Men bakgrunnen for sjølve lova er EØS-retten, men òg ønsket om forenklingar både i EU og ikkje minst her i Noreg, i tillegg til å forbetra sanksjonsreglane ved brot på regelverket. Det har opp gjennom tidene vore mykje kritikk for at regelverket er for komplisert, for detaljert, for formalistisk, så det er svært positivt at regjeringa har teke tak i dette. Men så er det slik at når me politikarar tek borti dette, har me ein tendens til å vera for alt me er for, eller me ønskjer å markera det me er imot. Då vert det ofte slik at lova må vareta mange andre omsyn òg. Mange gode omsyn har vorte foreslått her: barnearbeid, likestilling, miljø, klima, fattigdom, integrering, innovasjon, lærlingar osv. Slike ekstra samfunnsomsyn gjer det svært vanskeleg for oppdragsgjevaren å skaffa seg varer og tenester av riktig kvalitet, yting og pris, sett opp imot behovet ein eigentleg skal når det er svært mange andre samfunnsomsyn lova skal vareta. Det er veldig viktig å vera nøktern, og det har regjeringa lagt godt opp til. Det er trass alt innbyggjarane og samfunnet som må ta kostnaden med eit omfattande og krevjande regelverk. Regjeringa har prioritert klima og miljø, arbeidslivskriminalitet og menneskerettar som viktige utfordringar i samfunnet som lova bør prøva å vareta. Her har regjeringa fått full støtte frå komiteen. Komiteen går litt lenger enn regjeringa, men er vel vitande om at det vert meir krevjande å følgja regelverket med tilsvarande større risiko for å gjera feil i forvaltninga. Innkjøp er inga enkel sak for forvaltninga. Di fleire omsyn lova skal vareta, di meir kompleks vert lova, og faren for feil vert større. Arbeidet med revisjon av innkjøpa til forvaltninga vert større, og byråkratiet vert større. Til sjuande og sist vert samfunnet sine kostnader Riksrevisjonen har allereie peikt på at eksisterande regelverk viser at det er mangel på kompetanse når det gjeld offentlege innkjøp. Det er manglande etterleving av regelverket, og det er mangelfull intern kontroll. I tillegg er innkjøpsarbeidet lite formålstenleg organisert mange plassar. Det er god grunn å forventa at men Høgre meiner òg at det er svært viktig at me har fokus på at forvaltninga også vert betre. Dei største diskusjonane har likevel vore knytte til frivillige lag og organisasjonar, og i kva grad me kan reservera kontraktar for dei aktørane. Dei reservasjonsreglane me har i dag i gjeldande lov, lèt seg ikkje vidareføra i ny lov grunna EØS-retten. Me har i den seinare tida sett fleire saker både i Oslo og Bergen der byrådet prøver å reservera kontraktar for ideelle organisasjonar.

Men det er viktig å hugsa på at også andre tilbydarar står fritt til å tileigna seg slik kompetanse og slike kvalifikasjonar – og tilby det. Ta f.eks. vilkåret «evne til å mobilisera ressursar i samfunnet.» Det er eit flott tildelingskriterium – Kristeleg Folkeparti skal ha mykje ros for at dei klarte å vera så kreative og flinke – det er dei ofte, forresten. Eit eksempel her kan vera Røde Kors si besøkstenest i pleie- og omsorgstenesta. Å knyta til seg ein

Det er ikkje overraskande at Senterpartiet og SV meiner at regjeringa vil utradera heile ideell sektor ved å innlemma EØS-retten på dette området. Det er ikkje tilfellet. Det vert no opp til kommunane og forvaltninga å etterspørja riktig kvalitet og riktig tenest, slik at ein utnyttar dei ideelle organisasjonane sine fortrinn der dei eksisterer. Dette nye regelverket set brukarane sitt behov i fokus, og det er eigentleg meir underordna kven som tilbyr, og kva for organisasjonsform tilbydarane har. SV og Senterpartiet viser eigentleg at dei har svært låg tillit til ideell sektor når dei meiner at EØS-reglane vil utradera dei heilt. Eg trur ideell sektor vil klara seg svært bra. Dei har svært mange fortrinn, og me har fått svært mykje til for dei i denne saka – innanfor

som skal redusera eigen risiko. Ei slik risikoavlastingsordning som det her vert teke til orde for, gjer at me får fleire prosjekt som feilar, me får auka kostnader for samfunnet totalt sett og langt meir byråkrati med å følgja opp slike innkjøp. Det er fleire parti som er opptekne av at norsk industri ikkje skal tapa i konkurransen med andre på grunn av særnorske miljøkrav. Det høyrest tilforlateleg ut. Men det vert nesten umogleg å følgja opp i praksis, og Men det vert nesten umogleg å følgja opp i praksis, og det vil vera svært kostnadskrevjande både for tilbydarar og det offentlege å dokumentera slike krav. Regjeringa arbeider kvar einaste dag for at norsk industri skal få betre og meir like rammevilkår som sine konkurrentar. Men i sak etter sak vert dei stemte ned her i Stortinget av desse partia som vil innføra særnorske lover og særnorske krav til norsk industri.

Eg synest det er svært uheldig at dei i den eine saka kan stemma for at det skal verta konkurransevriding, og dei stemmer òg for særnorsk toll, dei stemmer for særnorske skattar, særnorske avgifter og særnorske velferdsgode og ei rekkje andre ting som gjer at dette vert konkurransevridande for norsk industri. Eg oppfattar det rett og slett slik at dei ønskjer å ha like vilkår, men dei ønskjer ikkje å gje like vilkår.

Anskaffelsesloven setter retningslinjene og rammene for anskaffelse av varer, tjenester, bygg og anlegg eller andre ytelser til stat, fylkeskommuner, kommuner, etater, vesen og direktorat. Det er en jungel av ulike virksomheter som er nødt til å forholde seg til denne loven. Offentlig sektor er en stor innkjøper, og i 2014 utgjorde de samlede innkjøpene av varer og tjenester fra det offentlige ca. 461 mrd. kr, eller 14 pst. av brutto nasjonalproduktet. Offentlig sektor forvalter skattebetalernes penger og en stor andel av samfunnets ressurser. Det er et betydelig, men underkommunisert formål. Saken som vi i dag skal vedta, har i så henseende stor betydning for dette landets næringsliv, verdiskaping og økonomiske utvikling. Noen skal til sjuende og sist levere disse varene og tjenestene. Regjeringsplattformen som ble utformet på Sundvolden i 2013, er tydelig på at denne regjeringen skal jobbe for en «fremtidsrettet næringspolitikk» med «gode generelle rammebetingelser» som legger til rette for verdiskaping og innovasjon. Noen snakker om hva vi skal leve av etter oljen. Jeg gjør ikke det, men vi må leve av noe i tillegg til olje og gass i tiårene framover. Det vi debatterer i dag, er faktisk en del av den ligningen. I den sammenheng er jeg glad for at komiteen er samstemt i at det er viktig å forenkle regelverket med det mål for øye å redusere de administrative belastningene som har preget det offentlige i deres innkjøp. Økt fleksibilitet og et mindre rigid regelverk gjør at anskaffelsene blir bedre for både oppdragsgivere og leverandører. Samtidig skulle jeg og Fremskrittspartiet gjerne sett at loven ble enda mer forenklet, i tråd med regjeringens forslag. Nye og forenklede anskaffelsesprosedyrer bidrar til en bedre dialog mellom oppdragsgiver og tilbydere i anskaffelsesprosessen, som vil gjøre det mer attraktivt for små og mellomstore bedrifter å delta i offentlige konkurranser. Fremskrittspartiet har også i lang tid vært tydelig på at detaljstyring av næringslivet ikke bidrar til effektivitet og modernisering, heller tvert imot. Det er derfor gledelig at komiteen ser verdien av å redusere dette. Det er viktig at offentlig sektor bruker sine Byråkrati og rigide retningslinjer hindrer det potensialet som ligger i de offentlige anskaffelsene. Fremskrittspartiet har i mange år også vært opptatt av at vi skal jobbe for at næringslivet skal være preget av innovasjon og nyskaping. Jeg vil derfor gi honnør til en samlet komité som har fremmet forslag om at oppdragsgiver kan stille egnede kriterier og krav om dette, knyttet til ulike På den måten kan offentlige kontrakter gjennomføres på en måte som fremmer innovasjon. Abelia-direktør Håkon Haugli mener at mer innovasjon i offentlige anskaffelser vil gi bedre tjenester til innbyggerne og et langt mer konkurransedyktig næringsliv – et utsagn jeg stiller meg helhjertet bak. I en tid hvor mange permitteres og mister jobbene sine, er det spesielt viktig at man ser til innovative løsninger som skaper morgendagens arbeidsplasser og bidrar til verdiskaping og nyskaping. Regjeringen har også foreslått å klargjøre formålet med anskaffelsesregelverket. Det er viktig at målet med dette regelverket kommer fram gjennom å klargjøre det egentlige formålet med anskaffelsesloven. Derfor er jeg glad for Derfor er jeg glad for at flertallet i komiteen støtter regjeringen i tanken om å rendyrke fundamentet i reglementet om offentlige anskaffelser, der det kommer tydeligere fram hvilket samfunnsansvar det offentlige egentlig har. Denne regjeringen og stortingsflertallet har på kort tid gjort veldig mye for lærlinger, og det har skjedd et etterlengtet løft. Det er grunn til å tro at det reviderte nasjonalbudsjettet som skal vedtas her i neste uke, vil medføre at lærlingtilskuddet økes ytterligere, med 2 500 kr. Den samlede økningen etter forrige stortingsvalg vil da være på til sammen 17 500 kr. Nå nærmer man seg det nivået tilskuddet var ment å ha, nemlig det samme som en skoleplass koster. Det er også grunn til å minne om at tilskuddet sto i ro fra 2005 til 2013. I tillegg til dette har man lagt bedre til rette for lærlinger med spesielle behov. Nå kommer også kravet om læreplasser i alle offentlige anbud og virksomheter der det foreligger et behov. Det er et særdeles viktig signal til offentlige virksomheter om å støtte og legge til rette for bedrifter som satser på rekruttering og utvikling av fagarbeideren. fagarbeideren. Ideelle organisasjoner er viktige leverandører av helse- og sosialtjenester. Disse har ofte stor tillit i befolkningen, høy kompetanse og har derfor definitivt en verdifull funksjon. Under dagens regelverk har det vært mulig å forbeholde ideelle organisasjoner anskaffelser av sånne tjenester. En videreføring av dette unntaket er imidlertid problematisk og det er derfor bra at en samlet komité ikke utfordrer regelverket. Som det kommer fram i merknadene, gir imidlertid EØS-reglementet et handlingsrom som kan og bør utnyttes. Det er derfor bra for ideell sektor at komiteen viser til regjeringens intensjon og støtter tanken om at det norske regelverket utnytter det handlingsrommet som finnes. Når det kommer til unntak fra regelverket, har debatten rundt forsvarssektoren vært sentral med tanke på anskaffelsesreglementet. Det er en viktig sektor som står overfor særlige utfordringer med hensyn til rammebetingelser. For å styrke norsk forsvarsindustri er jeg glad for at komiteen går inn for at man viderefører unntaket i loven. Det innebærer at den ikke gjelder for anskaffelser som kan unntas etter EØS-avtalen artikkel 123, som på særlige vilkår har tilknytning til sikkerhetsinteresser. Et fortsatt klart og tydelig unntak i lov tror jeg vil være gunstig for sektoren. Oppsummert er det viktig å ha et anskaffelsesregelverk som bidrar til effektiv ressursbruk som stimulerer til mer velferd og økt verdiskaping. Som nevnt innledningsvis er offentlig sektor en stor innkjøper, og da er det viktig at reglementet legger til rette for at varer og tjenester skal innkjøpes til fordel for innovasjon, nyskaping, rekruttering,

Aller først vil jeg takke komiteen for et godt samarbeid om denne saken, og jeg vil spesielt takke saksordfører Odd Omland for en solid jobb som gjør at Stortinget i dag leverer en god og viktig innstilling til regjeringens proposisjon, og som har bidratt til at Stortinget i dag kan fatte svært gode og viktige lovvedtak. Stort sett vil jeg si at regjeringen har levert et godt lovforarbeid som grunnlag for Stortingets lovvedtak. Et av hovedpoengene med denne loven er forenkling. Kristelig Folkeparti er glad for at den nye anskaffelsesloven blir en forenklet utgave. Men komiteen understreker i innstillingen at det er viktig med god balanse mellom behovet for forenkling og reduksjon av administrative byrder på den ene siden og behov for å adressere aktuelle samfunnsutfordringer på den andre siden. siden. For å lykkes med effektiv ressursbruk er det viktig at arbeidet med offentlige anskaffelser først og fremst må underlegges god styring, planlegging og oppfølging, og det må være en hensiktsmessig organisering. Videre er det viktig med tilstrekkelige ressurser og fagkompetanse i det offentlige for å ivareta innkjøp til 461,5 mrd. kr, som vi brukte i 2014. Derfor understreker komiteen at anskaffelser må gjennomføres planmessig og etter fastlagte prosedyrer. Behovsvurdering må finne sted, gjennomføringen må være god, og det må være oppfølging. Dette skal sikre at anskaffelser skjer profesjonelt. Den nye loven skal også gi økt fokus på miljøhensyn og sosiale hensyn og legge til rette for økt bruk av lærlinger, som vil føre til større etterspørsel etter fagarbeidere og fagkompetanse, for å nevne noe. noe. På en del punkter gjør Stortinget viktige og gode forbedringer. For Kristelig Folkeparti er det viktig at samfunnsansvaret formuleres tydeligere fra Stortinget enn slik det er i regjeringens forslag, ved at Stortinget tilføyer i formålet at offentlige anskaffelser skal ikke bare fremme effektivitet, men også være samfunnstjenlige. Det er viktig at likestilling er med som et hensyn når offentlige innkjøp skal fremmes. Det er også viktig at offentlig innkjøpsmakt skal brukes til å sikre etiske leverandørkjeder. Noe annet som Stortinget har tatt tak i, er livsløpskostnader, som igjen kommer inn i lovteksten. Kristelig Folkepartis og jeg vil tro alle andre partiers utgangspunkt er at de lovendringene som Stortinget skal gjøre i dag, skal bidra til at alle er at de lovendringene som Stortinget skal gjøre i dag, skal bidra til at alle anskaffelser sikrer mest mulig verdi ut av skattebetalernes penger. Derfor synes jeg det er nokså overraskende at komiteens flertall, alle unntatt Kristelig Folkeparti, i innstillingen sier at lov om offentlige anskaffelser først skal gjelde fra innkjøp over 100 000 kr. For Kristelig Folkeparti er dette en logisk brist. Vi er opptatt av at konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet skal gjelde fra første krone. Så er det slik at innsatsen skal være proporsjonal med anskaffelsens verdi. Innkjøp av en trehjulssykkel til barnehagen, hvis den forrige gikk i stykker, er det andre dokumentasjonskrav til enn anskaffelse av møbler til dagligstuen på sykehjemmet til en kr. Det tok meg 120 sekunder å sjekke på Google priser på trehjulssykler. Jeg fant priser fra 400 kr til 1 700 kr. Det er ikke sikkert man skal kjøpe den billigste, eller den dyreste trehjulssykkelen, men det er god kost–nytte å bruke 2 minutter av arbeidstiden og kanskje spare kommunen din for 300 offentlige kroner. Det unntaket fra loven som flertallet i Stortinget i dag legger opp til, er jeg redd vil føre til økte kostnader, mindre konkurranse, dårligere omdømme og dårligere kvalitet. Oppsummert: tapt verdiskapning. Så til en forbedring som komiteen har fått til gjennom dagens behandling. I EU-landet Danmark har de en modell som vi kaller «underhåndsbud». Det er kontrakter opp til Etter den danske lovgivningen er oppdragsgiver ikke forpliktet til å kunngjøre slike kontrakter, men kan ta kontakt direkte med potensielle leverandører for å innhente tilbud. I Norge har vi ifølge anskaffelsesforskriften nasjonal kunngjøringsplikt for kontrakter med en verdi fra 500 000 kr. Komiteen mener regjeringen skal utarbeides, bør heve den nasjonale terskelverdien slik at flere kontrakter blir unntatt fra kunngjøringsplikten. Dette er bra for mange, og jeg har lyst til her i denne sal å trekke fram eksempelvis orgelbyggerne i denne sammenheng. Aller sist og aller viktigst for Kristelig Folkeparti: Vi er veldig glad for at en samlet og i dag et samlet storting slår fast at det skal legges til rette for en stor og sterk sivil sektor i framtiden. Dette forutsetter at ideelle aktører som bidrar med velferdstjenester, sikres gode rammevilkår. En samlet komité er tydelig på at handlingsrommet som EØS-direktivet gir, skal utnyttes. En samlet komité ønsker et eget kapittel i anskaffelsesloven og et eget kapittel i forskriften om helse- og sosialtjenester. Dette er viktig, fordi det understreker særtrekkene ved helse- og sosialtjenester, og fordi det her kan legges til rette for ideelle aktører. Dessverre er det bare et mindretall som ønsker at lovteksten også skal si at kontrakter skal kunne reserveres for ideelle aktører. Det er også et annet mindretall som slår fast at det er et mål at ideell sektors andel skal økes på sikt.

kan innkjøperen velge mellom en rekke metoder: enten utlyse en åpen anbudsrunde, og da etterspørre spesielle kriterier og egenskaper, eller utlyse anbud reservert kun for ideelle aktører, eller ta kontakt med en aktør og inngå direkte avtale, eller, dersom innkjøperen og en ideell aktør begge ønsker det, bruke en samarbeidsmodell som praktiseres i EU-landene. Så er det åpenbart ulike juridiske tolkninger av hvilke vilkår de ulike strategiene kan bruke. Det som er viktig i dag, er at vi med dagens vedtak får et nasjonalt lovverk på plass som ikke på noen måte innskrenker handlingsrommet vi har. Næringskomiteens konklusjoner gir et godt grunnlag for vekst for ideell sektor, og det er Kristelig Folkeparti svært glad for. for. Dette handler om hvilken samfunnsutvikling vi ønsker, og hvorvidt vi er villig til å bruke politiske virkemidler for å nå målene våre. I dag gjør Stortinget noen viktige vedtak i så måte. Stortinget gir mange og sterke føringer for forskriftsarbeidet og veien videre. Spesielt vil jeg nevne at forskriften etter komiteens mening bør åpne for at oppdragsgiveren kan inngå langvarige kontrakter dersom det er nødvendig på grunn av brukernes behov, kontraktens formål, investeringskostnader, eller det er andre relevante grunner. Komiteen mener også det er viktig at oppdragsgiveren kan inngå løpende kontrakter med oppsigelsesadgang. Komiteens flertall mener kontrakter kan reserveres for ideelle organisasjoner dersom dette etter en konkret vurdering i det enkelte tilfellet bidrar til å realisere myndighetenes målsettinger innenfor helse- og sosialsektoren,

og jeg vil avslutningsvis understreke komiteens merknad om at en juridisk vurdering med henblikk på den svenske utredningen osv. skal skje parallelt med og i etterkant av forskriftsutformingen og implementeringen av det nye regelverket. Det betyr at vi forventer at Stortingets føringer for forskriftsarbeidet tas inn umiddelbart. Komiteen understreker også behovet for gode og detaljerte veiledere som beskriver handlingsrommet og de ulike mulige innkjøpsstrategiene på en måte som gir trygghet og fjerner dagens tvil om handlingsrom og muligheter. Jeg tar med dette opp forslag som Kristelig Folkeparti er alene om og forslag som Kristelig Folkeparti har sammen med andre partier i innstillingen. Representanten Line Henriette Hjemdal har tatt opp de forslagene hun refererte til. Jeg er glad for at den loven vi skal vedta i dag, har til. Jeg er glad for at den loven vi skal vedta i dag, har blitt en bedre lov enn den regjeringen leverte til Stortinget. For det vil jeg gi ros til saksordføreren, som har gjort en god jobb, og som har bidratt til at vi på mange punkter har en samlet innstilling. Så kunne jeg ikke unngå å høre at representanten Trellevik også sendte noen rosende ord. Jeg er glad for at de blir skrevet ned, og jeg skal ta godt vare på dem. Jeg vil også i all hovedsak slutte meg til innlegget som representanten Hjemdal holdt, som jeg synes gjorde rede for de ulike sakene på en god måte. Det som har vært viktig her, er å finne balansepunktet mellom effektivitet og andre hensyn – som miljø, som lærlinger, som menneskerettigheter og som innovasjon. Jeg mener at det balansepunktet som vi har funnet, er godt, og at det blir fulgt opp i forskrifter og veiledere til

På samme måte mener jeg at regjeringen ikke fullt ut våger å utfordre handlingsrommet. Da er det sånn at når viljen i Stortinget til fullt ut å utnytte handlingsrommet ikke er til stede, kan en ikke isolert sett si at det er direktivet som er hovedproblemet. Da må det være Senterpartiet vil følge opp ideell sektor videre. Vi mener at det burde vært en adgang til å reservere kontrakter for ideell sektor. Vi registrerer at det ikke fikk flertall. Men det ligger et representantforslag i helsekomiteen, Dokument 8:85 S, der en vil gå nærmere inn på de sakene, og det vil bli behandlet i Stortinget senere. Det går et skille i synet på ideell sektor mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre på den ene siden og de andre partiene. Jeg skulle ønske at Venstre hadde falt ned på motsatt side. Et annet forhold som er verdt å ta opp, er at for norsk næringsliv er de offentlige innkjøpene svært viktige. Vi snakker om nærmere 500 og det er viktig at både vi som privatpersoner og det offentlige velger å kjøpe norsk, og i hvert fall har konkurranser og innkjøpsordninger som gjør at norsk og lokalt næringsliv konkurrerer på like vilkår som andre. Derfor har vi understreket at særnorske miljøkrav ikke må gå ut konkurransekraft. Derfor har vi tatt opp at vi må kunne splitte kontrakter. For å ta et konkret eksempel: På vei- og jernbaneutbyggingen er det ingen motsetning mellom å splitte opp kontrakter og å bygge ut større, sammenhengende prosjekter bestående av flere kontrakter. Der er det ingen motsetning, og det er forskjell for norsk næringsliv på om man er hovedentreprenør til det offentlige, eller om man er underleverandør og har en stor, utenlandsk entreprenør over seg som har kontrakten med staten. Det betyr noe. Derfor mener vi også at det er viktig at en legger seg på et høyt nivå i terskelverdiene, og at en tar på alvor muligheten til å bruke såkalte underhåndsbud. Det viktigste er at en skal hente inn flere tilbud, og det er ikke sikkert at det er mest effektivt at alt skal ut på store nasjonale utlysninger. Så vil jeg også besøke – eller visitere eller hva det kalles – representanten Trelleviks innlegg. Han gikk i en periode opp til de store høyder, og jeg bet meg særlig merke i angrepet på de på Stortinget visstnok skulle stå for. Da vil jeg bare understreke at Senterpartiet har ingenting med verken forslaget om f.eks. særnorsk flyseteavgift eller særnorsk poseavgift å gjøre. Så jeg tror at her bør representanten Trellevik i større grad bruke speil og i mindre grad kikkert når han leter etter utfordringer. Jeg har også en kort kommentar til representanten Hjemdals innlegg. Det var utmerket, men jeg vil ta for meg det som jeg ikke støtter, nemlig at reglene i § 4 skal gjelde for de minste anskaffelsene. For det første tror jeg at når en barnehage skal kjøpe trehjulssykler, vil det være i den barnehagens interesse at en gjør en innsats for å finne den billigste og beste trehjulssykkelen. Det handler om at en har budsjett å forholde seg til, og de er ikke så romslige at det ikke betyr noe om det koster 500 kr eller 1 500 kr. Det andre poenget, som står i § 4 i lovforslaget, er at det skal sikres etterprøvbarhet. Etterprøvbarhet betyr jo at noen skal komme i ettertid og spørre om hvilke vurderinger en gjorde da en gjorde denne anskaffelsen. Da er det ikke godt nok å si at en «googlet» det. Da må en dokumentere det. Det skaper byråkrati, og det er bakgrunnen for at vi ikke støtter det forslaget. Men selvsagt legger en til grunn at alle offentlige innkjøp blir gjort på en måte som får ned prisen. Med det vil jeg også ta opp forslag nr. 4, som Senterpartiet og SV står bak.

må være enklere. I tillegg har vi vært opptatt av at offentlig sektor må ta ut det store innovasjonspotensialet som ligger i offentlige innkjøp, og bruke innkjøpspolitikken aktivt som virkemiddel i det grønne skiftet. Det er derfor gledelig at med innstilling til ny lov om offentlige anskaffelser er vi langt på vei i ferd med å oppnå enklere, grønnere og mer innovative offentlige anskaffelser. I denne prosessen har det vært viktig for Venstre å forenkle regelverket og redusere de administrative byrdene både for oppdragsgivere og for leverandører. Samtidig har vi vært opptatt av å ta tak i viktige samfunnsutfordringer, slik som arbeidet med å løse miljø- og klimautfordringer, kampen mot arbeidslivskriminalitet og ivaretakelse av internasjonale menneskerettigheter. Det er en kjensgjerning at enkelte samfunnsutfordringer er så alvorlige at også anskaffelsesregelverket må tas i bruk for å bidra til en generell utvikling i ønsket retning. Det er nemlig ingen tvil om at det offentliges innkjøpsmakt kan bidra til å påvirke utviklingen av og etterspørselen etter klimavennlige løsninger. Krevende kunder er viktige drivere av innovasjon. Å skape et hjemmemarked kan være et viktig bidrag for å utvikle miljøteknologiske spydspisser innen industri og næringsliv. Utvikling av gode løsninger her hjemme innenfor viktige næringsområder som energi, industri, transport og skipsfart kan også utgjøre en stor forskjell for klima og miljø globalt. Innstilling til ny lov om offentlige anskaffelser inneholder en svært viktig skjerping av miljøbestemmelsene. En enstemmig komité er av den oppfatning at ny § 5 er en klar innstramming sammenlignet med dagens formulering. Der man i henhold til dagens lovparagraf skal ta hensyn til miljømessige konsekvenser under skal man nå innrette anskaffelsespraksisen på en slik måte at den faktisk bidrar til å redusere miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger der det er relevant. Her ligger det altså en føring om at man i alle deler av anskaffelsesprosessen skal ivareta miljø- og klimahensyn. Jeg mener dette er en viktig presisering som bidrar til å tydeliggjøre oppdragsgivers miljøansvar. I den sammenheng vil jeg også nevne at livsløpskostnader er et elementært verktøy for å gjennomføre gode anskaffelser. Dette gjelder særlig innenfor bygg- og anleggssektoren. Jeg er derfor glad for at Stortinget har stilt seg bak kravet om at det skal tas hensyn til livsløpskostnader i offentlige anskaffelser at det ligger i saken. Innovasjon er viktig for økonomisk vekst og helt sentralt for å løse krevende samfunnsoppgaver, som overgangen til lavutslippssamfunnet. Jeg mener samfunnet trenger grønne innovasjoner, ikke bare repetisjon av tidligere innkjøp. Jeg ser næringslivet som en viktig samarbeidspartner for å realisere ambisjonen om en mer innovativ offentlig sektor, samtidig som offentlig sektor også kan være en viktig pådriver for mer innovasjon i næringslivet. Derfor er jeg godt fornøyd med at Venstre har kunnet bidra sterkt til at innovasjon skal inn i loven. Det betyr at offentlige kontrakter nå må gjennomføres på en måte som fremmer dette hensynet. Størrelsen på det offentlige markedet gjør det nødvendig å utnytte innovasjonskraften som Størrelsen på det offentlige markedet gjør det nødvendig å utnytte innovasjonskraften som ligger her, og jeg mener det er avgjørende at offentlige anskaffelser i større grad skal bidra til innovasjon og innovative løsninger. Innovative anskaffelser leder imidlertid til høyere risiko fordi partene ikke kan ha full kontroll på prosess eller resultat, slik slik man i større grad har når oppdragsgiver kjøper hyllevare eller bestiller det samme som sist. Risiko er et resultat av sannsynlighet og konsekvens, og selv om oppdragsgiver og leverandør i fellesskap kan minimere sannsynligheten for at noe går galt, vil det ofte være en resterende risiko. Av den grunn er jeg tilfreds med at det er flertall for at regjeringen skal utrede en risikoordning for offentlige anskaffelser, som kan senke terskelen for å tenke nytt i offentlig sektor. Det er meget viktig. Etter gjeldende regelverk er det slik at innkjøperen må bestemme seg for hvilken prosedyre som skal følges, før konkurransen utlyses. På den måten vet tilbydere om det skal gjennomføres forhandlinger eller ikke, når tilbudet skrives. I den foreslåtte nye prosedyren trenger imidlertid ikke innkjøper bestemme seg for dette før etter at tilbudene er levert. Leverandører skal dermed levere tilbud som de er forpliktet til å holde, uten å vite om innkjøper legger tilbudet til grunn for valg av leverandør, slik tilbudet er levert, eller om innkjøper skal forhandle med én eller flere tilbydere. Jeg er bekymret for at det kan føre til at mange aktører ikke vil gi tilbud, at aktører som driver useriøst, vil få et stort konkurransefortrinn, og at rommet for innovasjon i forbindelse med offentlige anskaffelser vil bli vesentlig mindre enn tenkt. Jeg vil derfor minne om at en enstemmig komité mener at oppdragsgiver i kunngjøringsteksten bør angi hvorvidt denne har til hensikt å forhandle eller ikke. Venstre forventer at dette følges opp i forskrift, slik at vi unngår en unødvendig uforutsigbarhet for tilbyderne, en usikkerhet som i verste fall er så stor at en risikerer å rive ned tilliten til konkurransen om oppdraget. I dagens regelverk er det anledning til å reservere kontrakter til ideelle aktører innenfor hele helse- og sosialområdet. Som følge av et nytt EØS-regelverk med krav til likebehandling av ulike leverandørgrupper har det vært tvil om denne unntaksregelen er mulig å videreføre. I den nye loven videreføres derfor denne reservasjonsmuligheten kun for et begrenset antall kontraktstyper, noe som i praksis betyr at på de områdene der de ideelle er skjermet i dag, vil de fortsatt være

Dette er verdier det er viktig å ivareta, samtidig som Venstre mener at det er viktig å gjøre en ny vurdering av regelverket når pensjonsspørsmålet i ideell sektor er løst.
Eg vil stille meg i rekkja av representantar i komiteen som takkar saksordførar Odd Omland for ein utmerkt jobb. Han har lost komiteen gjennom ei krevjande sak og ei krevjande tid på ein veldig fin måte. Og takk til komiteen, ein ny komité for mitt vedkommande, det er ein komité som er veldig konstruktiv og fin å jobbe med, trass i til dels usemje. Lov om offentlege anskaffingar er ei veldig omfangsrik lov, som må ta veldig mange ulike omsyn. På den eine sida er ho eit verktøy som kan bidra til å oppnå viktige mål i samfunnet. Ho kan bidra til eit grønare og meir mangfaldig næringsliv. Ho kan bidra til eit meir innovativt Og ho kan bidra til å auke kompetansen og fagopplæringa, seriøsiteten, menneskerettane osv. i næringslivet. Dette er også omsyn vi søkjer å ta inn i lov om offentlege anskaffingar. Ettersom lovas omfang er på over 500 mrd. kr, kan det vere eit svært effektivt verktøy for Noreg. Samtidig må vi heller ikkje vere overmodige, slik at vi frå Stortinget lagar så rigide reglar – som krev så mykje tid og kan føre til heft, søksmål og konflikt – at heile ideen med regelverket blir undergrave. Eg vil vise til mitt innlegg i den førre saka, om innføringa av EØS-direktiva for innkjøp, som SV går imot nettopp av desse grunnane. Vi fryktar at implementeringa av desse direktiva også kan bety byrjinga på slutten for ideell sektor – og det vil vere svært uklokt. Men vi har aldri sagt at det vil utradere. Vi har aldri sagt, verken Senterpartiet eller SV, nokon plass, så vidt eg kan sjå, at dette vil utradere ideell sektor. Til det er usikkerheita altfor stor. Eg vil be representanten Trellevik kome med eit konkret eksempel der det blir sagt frå Senterpartiet og SV at dette vil utradere ideell sektor – at einkvan i SV eller Senterpartiet har sagt det. Vårt poeng har heile tida vore at det er stor usikkerheit, og det er den usikkerheita som gjer at SV ikkje ønskjer å implementere regelverket, i tillegg til omfanget av auka kostnader, at det vil gå treigare, og at det vil føre til meir konflikt.

saman med dei andre vist til ulike EU-domstolsdommar som peikar i den retninga. Vi forstår ikkje kvifor det skal vere vanskeleg for resten av komiteen å danne fleirtal og utfordre regelverket på dette området. Dessverre er det eit mindretal i komiteen som ønskjer å reservere anbod for ideelle aktørar. dette området. Norske industribedrifter møter i fleire samanhengar det som blir kalla særnorske miljøkrav. Dette er krav som vi er stolte av å ha her i Noreg. Det gjer at bedriftene er blant dei mest energi- og miljøeffektive i verda. Det gjer at dei er dei mest høgteknologiske og mest avanserte industriprodusentane i verda. Men det påfører samtidig industrien ekstra kostnader og svekt konkurransekraft som resultat. Da er det eit paradoks at vi i Noreg ikkje har tilsvarande miljøkrav når det offentlege skal kjøpe inn industriprodukt. Det fører til at armeringsjern blir kjøpt frå Kina i staden for frå Mo i Rana, fordi det er billegare. Men som vi veit, er industrien i Kina mykje skitnare. Det fører til at norske offentlege bruer, vegar og kulturhus delvis blir bygde med materiale som er importert frå lavkostland med heilt andre miljøstandardar for industriproduksjon. Med dagens innkjøpsregelverk får dermed dei delane av den globale industrien som ikkje er pålagde strenge miljøkrav, som forureinar miljøet og bidreg svært negativt i klimakampen, ein konkurransefordel av norske myndigheiter. Og ikkje nok med det: Vi undergrev dermed aktivt den industrien vi sjølve ønskjer å byggje opp. Forstå det den som vil. Miljøkrav ved produksjon og miljøkrav til produkt og ferdigvarer, som f.eks. møblar, tekstilar, sement og stål: Kvifor kan ikkje lov om offentlege anskaffingar ha dei same krava til innkjøp? Eg er overraska over at regjeringa, som ofte seier dei er opptatt av rammekrava i industrien, på den eine sida støttar særnorske miljøkrav særnorske miljøkrav og i dag ikkje vil bli med på at det skal vere ein del av innkjøpspolitikken. Er billige produkt og lav pris så viktig at ein gløymer både miljøet og norsk industri? Er billige produkt og lav pris så viktig at ein ofrar norske arbeidsplassar? I ein situasjon med auka arbeidsløyse er dette svært merkeleg. I dag har vi ei rekkje ordningar i det offentlege

Dei sama ordningane har ikkje offentlege aktørar. Og det burde vere eit lite tankekors. Det fører til at offentlege aktørar vegrar seg og tør ikkje ta i bruk ny teknologi, nye løysingar og idear, fordi det inneber for stor risiko. Det fører til, som representanten frå Venstre så godt sa det, at ein tar i bruk gårsdagens løysing i staden for framtidas fordi det er mindre risiko knytt til Vi er derfor glade for at eit fleirtal i komiteen er einig om at det bør utgreiast nøye korleis eit slikt system for det offentlege kunne sett ut. Ein offentleg sektor som tør å satse nytt, vil føre til høgare effektivitet og betre tenester, slik representanten Bjørnstad var så opptatt av i sitt innlegg. Lat meg berre ta eit eksempel innanfor helseområdet: Her har vi alle forhold som skal til for å kunne skape fantastiske e-helsetenester for landets befolkning.

Men kanskje noko av svaret på kvifor det ikkje skjer, kvifor kommunane ikkje er så framoverlente, kvifor det tar så lang tid i Noreg, er at vi ikkje har den typen risikoavlastingssystem. Eg er glad for fleirtalet, og eg håpar at dette er noko som blir omfamna av regjeringa, sjølv om dei ikkje er med på forslaget. Til slutt: Det er svært viktig at anskaffingsdirektivet sørgjer for eit minimum av seriøsitet og verdigheit i arbeidslivet. Vi kan ikkje ha eit anskaffingsregelverk som passivt tillèt sosial dumping, useriøsitet, korrupsjon og kriminalitet. Det er grunnen til at SV går inn for bl.a. krav om innsyn og oversikt over underleverandørar. Som det kom fram i høyringa, er dette også noko svært mange aktørar på golvet er einig i for å bidra til ein tilstand i arbeidslivet vi alle kan

til. Stortinget skal i dag ta stilling til regjeringens forslag til en ny lov om offentlige anskaffelser. Loven og tilhørende forskrifter regulerer den framgangsmåten det offentlige skal følge når de kjøper varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider. I 2014 utgjorde det samlede offentlige innkjøpet av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider om lag Store deler av disse innkjøpene er regulert av anskaffelsesloven. Hovedformålet med loven er å sikre effektiv bruk av samfunnets ressurser når det offentlige gjennomfører sine innkjøp. Når vi nå skal diskutere hvordan anskaffelsesregelverket skal utformes, og ikke minst hvilke andre samfunnshensyn regelverket skal fylles med, mener jeg det er et viktig perspektiv å ha med seg. De grunnleggende prinsippene som er nedfelt i lovforslaget, skal bidra til å nå målet om god og effektiv ressursbruk. Oppdragsgiverne skal opptre i samsvar med prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet. Prosedyreregelverket i forskriftene bygger på disse prinsippene. De senere årene har det vært en økende kritikk av at anskaffelsesregelverket er for detaljert, komplisert og formalistisk, og at oppdragsgivere er blitt mer opptatt av å unngå feil enn av å gjøre gode innkjøp. Undersøkelser viser dessuten at Norge er blant de landene i Europa som har høyest kostnader knyttet til sine anskaffelser. Regjeringen har derfor hatt som hovedmål å forenkle regelverket. Det har vært behov for en kritisk gjennomgang for å vurdere hvilke regler det er nødvendig å videreføre, og hvilke vi kan være foruten eller forenkle. EU har også vedtatt tre nye anskaffelsesdirektiver som skal bidra til å øke fleksibiliteten i regelverket, redusere de administrative byrdene og avklare rettsspørsmål. Samtidig har Forenklingsutvalget foreslått en rekke viktige forenklinger i den særnasjonale delen av regelverket, og jeg støtter store deler av deres forslag. Det offentlige er en stor aktør med mye markedsmakt, og selv om det er et mål å få mest mulig valuta for pengene, er det også andre verdier det offentlige skal ivareta. Leverandører som presser prisene gjennom lovbrudd, uforsvarlige arbeidsforhold eller lite bærekraftige løsninger, bør ikke vinne konkurransen om offentlige kontrakter på bekostning av seriøse leverandører med framtidsrettede løsninger. Derfor har regjeringen foreslått å innføre nye regler, som pålegger de offentlige oppdragsgiverne å sikre at ulike samfunnshensyn ivaretas på en god måte i anskaffelsesprosessene. Oppdragsgiverne skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremmer klimavennlige løsninger der dette er relevant. I praksis betyr dette at vi inviterer norske bedrifter til å komme opp med smarte, grønne løsninger i møte med offentlige anbud. Oppdragsgiverne skal også ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter der det er en risiko for brudd på slike rettigheter. Kriminalitet i arbeidslivet er en økende utfordring, og bedrifter som systematisk driver i strid med lover og regler, ødelegger for næringslivet. Regjeringen vil derfor at oppdragsgiverne stiller krav til lønns- og arbeidsvilkår og ikke minst til begrensninger i antallet ledd i leverandørkjeden. Arbeidet med å få flere til å fullføre og bestå videregående opplæring er viktig, og vi ser at for mange Samtidig ser vi et økende behov for den kompetansen yrkesfagene representerer. Vi trenger flere dyktige fagarbeidere, og da er det også vår oppgave å gjøre det vi kan for å sørge for at de får en lærlingplass, kommer seg ut i en bedrift og får den nødvendige kompetansen. For regjeringen har det derfor vært et viktig poeng å styrke kravet til lærlinger i den nye loven. Nå holder det ikke lenger at bedriften er tilknyttet lærlingordningen, vi stiller nå krav om at det skal være lærlinger knyttet til de konkrete kontraktene. Det er et viktig mål at den nye loven skal være håndterbar for små oppdragsgivere med begrensede administrative ressurser. Større fleksibilitet og mindre administrative byrder for både oppdragsgiver og leverandører vil komme alle til gode, og særlig små og mellomstore bedrifter. Elektronisk egenerklæring som gjør at leverandører slipper å sende inn masse dokumentasjon med mindre de får oppdraget, og oppdeling av kontrakter er et eksempel på dette. Det er liten tvil om at det er et spenningsforhold mellom hensynet til forenkling og andre viktige samfunnshensyn. Derfor er det avgjørende å prioritere godt, og det mener jeg vi har gjort. Norsk næringsliv er inne i en periode med omstilling, og vi må skape nye arbeidsplasser i både eksisterende og nye bedrifter. Offentlige anskaffelser utgjør altså rundt 460 mrd. kr årlig. Om vi øker innovasjonsgraden med en liten andel av dette, vil det ha stor betydning for vekst i innovative leverandørbedrifter. Innovasjon i offentlige anskaffelser handler om å få offentlige oppdragsgivere til i første omgang å legge vekt på behovene i dialog med markedet, slik at det blir opp til bedriftene å komme opp med nye løsninger. Vi har mange gode eksempler på hvordan dette kan gjøres, men det er potensial for mer. Den nye loven skal gi større adgang til å forhandle, og det innføres en helt ny kontraktstype, innovasjonspartnerskap, som skal fremme innovasjon. Regjeringen mener ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester kjennetegnes av stor kompetanse og engasjement for tjenestene de tilbyr. De har en lang og stolt historie i å tilby – og ikke minst har de ofte startet opp – viktige velferdstjenester. Regjeringen er opptatt av mangfold og kvalitet i velferdstjenestene. Derfor er vi særlig opptatt av samarbeidet med ideelle organisasjoner som leverer helse- og sosialtjenester. Vi har videreført og videreutviklet samarbeidsavtalen med ideell sektor om leveranser av helse- og sosialtjenester, og med KS som part i avtalen. Vi har utarbeidet en tiltaksplan som skal bedre rammevilkårene for ideelle. Regjeringen har også satt ned et utvalg som vurderer statlig kompensasjon til ideelle for deres kostnader knyttet til offentlig tjenestepensjonsordning. Fra regjeringens side er vi opptatt av at vi gjennom enklere og mer fleksible regler sørger for gode vilkår for de ideelle. Den nye forskriften om offentlige anskaffelser vil inneholde et eget kapittel om helse- og sosialtjenester. Her vil vi klargjøre mulighetene for lange eller løpende kontrakter og gjøre rede for at man ved gjennomføringen av konkurransen kan legge vekt på forhold ved tjenesten som er spesielt viktige for brukerne, som kvalitet, brukermedvirkning og kontinuitet. Disse elementene er ideelle virksomheter tradisjonelt veldig gode på. I tillegg ønsker regjeringen fullt ut å utnytte det handlingsrommet som finnes innenfor EØS-regelverket, til å legge til rette for at ideelle organisasjoner kan fortsette å tilby helse- og sosialtjenester. Næringskomiteen har bedt regjeringen innhente en ekstern juridisk utredning av handlingsrommet for å ivareta ideelle aktører innenfor helse- og sosialområdet, herunder ulike samarbeidsformer. Regjeringen vil på den bakgrunn vurdere handlingsrommet for å reservere konkurranser om kontrakter om helse- og sosialtjenester for ideelle, og muligheten for ulike former for samarbeid med ideelle, som utvidet egenregi, innenfor EØS-rettens rammer. Regjeringen vil samtidig benytte de mulighetene vi har til å påvirke rettsutviklingen i EU på dette feltet. Sist, men ikke minst har regjeringen vært opptatt av å styrke håndhevelsen av ulovlige direkte anskaffelser fordi erfaringer viser at denne ikke fungerer tilstrekkelig effektivt. Regjeringen har derfor foreslått å gjeninnføre klagenemnda for offentlige anskaffelser sin kompetanse til å ilegge overtredelsesgebyr Næringskomiteen har foreslått enkelte justeringer i lovteksten. Dette er i all hovedsak presiseringer som er i samsvar med regjeringens politikk, og som var tenkt regulert på tilsvarende måte i forskriftene. Jeg ser nå fram til å få på plass en ny og modernisert anskaffelseslov. Den betyr mye for det offentlige, men den betyr også mye for det private næringslivet. Det blir replikkordskifte. Det er bred enighet om at offentlig sektor gjennom sine innkjøp kan være en viktig pådriver for

en prøveordning rettet spesielt mot utfordringer innen helse og omsorg eller klima. Er statsråden enig med representanten Trellevik, som i sitt innlegg uttrykte at en risikoordning som den NHO og flertallet i komiteen ber om, nærmest vil være å oppfordre offentlig sektor til å skusle bort og gjøre innovative innkjøp der skattebetalernes penger sløses bort? Først: Jeg mener at regjeringen nå går mye lenger med det nye regelverket enn det vi har per i dag, i å få innovative anskaffelser, nettopp fordi en dialog mellom den som kjøper, og den som leverer, vil kunne bidra til innovasjon, Så kommer det jo helt an på hvordan man legger opp en slik ordning, og derfor er jeg glad for at flertallet ber om en utredning av dette. Det er slik at vi har ordninger i dag. Vi har et nasjonalt leverandørutviklingsprosjekt, som denne regjeringen faktisk har – med forbehold – tredoblet, tror jeg, siden vi kom i regjering, fordi vi mener at det er viktig å bidra gjennom samarbeid. Dette er et samarbeid mellom NHO, KS og Difi for å utvikle gode prosjekter, og det ser vi gode resultater av. Det er én ordning. I revidert, som skal vedtas neste uke, ligger det inne 65 mill. kr i en incentivordning til fylkene når de skal innhente anbud på ferger, for å få fram miljøteknologiordninger. Så det fins ordninger som det er mulig å innrette, men det generelt å legge inn en risikoavlastning eller generelt pålegge staten å betale for feil f.eks. i kommunene, tror jeg kan bli veldig krevende. krevende. Det er godt å høre at statsråden og regjeringen vil legge til rette for ideell sektor, og som statsråden selv sa, bruke handlingsrommet som ligger innenfor EØS. Ja, de ideelle har stor kompetanse, de har drevet lenge, de er med på å gi mangfold til brukerne, og de er med på å gi kvalitative Stortinget vil senere i dag vedta en egen lovparagraf. Så blir det en forskrift som statsråden og regjeringen skal utarbeide om helse- og sosialtjenester. Men komiteen er også opptatt av at det er behov for gode og detaljerte veiledere som beskriver handlingsrommet og de ulike innkjøpsstrategiene. ulike innkjøpsstrategiene. Jeg tror nok jeg vil si at det er hastverk også med dette for å få den tryggheten som dette området nå trenger. Når vil statsråden kunne si at veilederne er på plass? For det første har jeg lyst til å si at jeg opplever at vi er felles, alle i denne sal, om den reservasjonen som vi i dag har for de ideelle og de ideelles plass innenfor dette feltet. Det er også min oppfatning at hvis tidligere regjeringer hadde gjort jobben sin, hadde vi kanskje unngått å stå i den situasjonen vi er i nå, for når man kom på at dette var noe man var opptatt av, var faktisk toget i EU gått. Det beklager jeg. Men når vi nå er i den situasjonen, må vi forholde oss til det handlingsrommet vi har. Vi blir ny ekstern juridisk utredning av det. Det skal vi gjøre så fort vi kan, og så må vi veilede på bakgrunn av det. Vi må altså gi råd og veiledning basert på det vi mener er juridisk riktig. Dette er ikke politikk, det er jus, og vi må forholde oss til det av hensyn til de ideelle, og ikke minst av hensyn til alle dem som skal forholde seg til dette regelverket. Så dette skal vi gjøre så fort vi kan. Dette regelverket må vi få på plass, og vi må få det ut i systemene til dem som bruker

innfører et skal-krav knyttet til dette, som alle innkjøpere må forholde seg til – og vi opplever at innkjøperne etter beste evne forsøker å forholde seg til regelverket – og så gjeninnfører vi KOFAs anledning til å gi overtredelsesgebyr hvis det er brudd på reglene. Det er viktig å ha som en preventiv effekt. Mange, f.eks. kommuner, er effekt. Mange, f.eks. kommuner, er opptatt av å bruke lokalt næringsliv. Komiteen har omtalt dette med «underhåndsbud». Mitt spørsmål til statsråden er: I en situasjon der en kommune skal føre opp et bygg, kanskje koster det 3, 4, 5 mill. kr, og spør fire spør fire lokale entreprenører om å levere inn tilbud – mener da statsråden at hensynet til konkurransen er ivaretatt, og at dette kan være en god måte å løse det på, framfor å ha en nasjonal kunngjøringsplikt? Jeg er for mest mulig konkurranse, og det er en grunn til at vi har kunngjøringsplikt. Det er nettopp for å bidra til konkurranse på likest mulig vilkår. Så jeg oppfordrer til – og jeg har stor tillit til – at kommunene eller andre innkjøpere forholder seg til de reglene som gjelder, og kunngjør når det blir krav om